Jeg ønsker derfor regjeringens strategi velkommen, og vil høre litt mer om hvordan statsråden mener vi kan lage den store dugnaden for å sørge for at disse barna og familiene deres raskere får et trygt og permanent hjem. Jeg mener at det første og viktigste er at vi erkjenner at vi står overfor betydelige utfordringer, at det er en

som kanskje trenger hjelp til å bo – og ikke minst at de blir møtt med respekt – i en situasjon der man er vanskeligstilt på boligmarkedet. Jeg har hatt gleden av å møte flere mennesker som har slitt på boligmarkedet, mennesker som sliter med rus og psykiske helseutfordringer, som bor i skjermede boliger, men som hadde én drøm: på et tidspunkt å få sin egen bolig. Jeg har også møtt en Jeg har også møtt en ung jente som har slitt betydelig på boligmarkedet, men som hadde en god historie å fortelle, nettopp fordi hun ble møtt med respekt av den kommunen som hun bor i. Disse to historiene viser for meg at alle mennesker har en drøm om å ha et eget sted å bo, og det viser meg også hvor viktig det er nettopp å gi mennesker den tryggheten Det neste er at vi også på dette området må erkjenne at det er behov for nytenkning, og at det er behov for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Her finnes det ikke ett svar, her er vi nødt til å arbeide på et bredt felt. Nettopp derfor er regjeringen opptatt av at staten skal koordinere og samordne sine virkemidler – de ulike etatene, de ulike ordningene – og vi er opptatt av å ha et best mulig samarbeid med kommunene. Jeg er også enig i det som ble sagt om at flere kommuner er godt i gang. Jeg har hatt møte med flere av byrådene i Oslo, som har en tydelig nå også har gjort en avtale om kjøp av flere leiligheter. Man er nettopp opptatt av ikke bare å kjøpe leiligheter som så skal leies ut, men at dette inngår i en større og bredere strategi. Flere kommuner har også strategier for å gå fra leie til eie – det mener jeg også er et man kan starte med å leie en bolig, og på et senere tidspunkt ha muligheten til å eie sitt eget hjem. Det gir en trygghet, og det gir en mulighet til å komme videre i livet. Takk til interpellanten for å reise en viktig debatt. Det er fint å diskutere dette nå når det begynner å nærme seg slutten på stortingssesjonen. Norsk boligpolitikk har i all hovedsak vært vellykket. De

Men det er dessverre for mange som faller utenfor. 150 000 er vanskeligstilt på boligmarkedet, og 6 200 mangler et fast sted å bo. Det er en uverdig situasjon. Alle skal ha et sted å bo. Det viktigste vi kan gjøre, det som er helt overordnet, er å bygge mer. Men vi må også ha en særskilt innsats for de vanskeligstilte. så vi ser veldig fram til å se de konkrete resultatene av strategien. For Arbeiderpartiet er bolig en av de fire pilarene i velferdspolitikken, sammen med utdanning, helse og arbeid. Til sammen utgjør de grunnlaget for at alle skal kunne ha muligheten til å skape seg et godt liv. Så vet vi at tilknytning til arbeidslivet er den viktigste faktoren som hindrer lavinntekt og fattigdom. Det er en klar sammenheng mellom manglende arbeidstilknytning, lav inntekt og boligproblemer, så for Arbeiderpartiet er det et overordnet mål å sikre høy sysselsetting og Nå ser vi dessverre at regjeringen har åpnet for å endre arbeidsmiljøloven og for at flere må spille på reservelaget i arbeidslivet. Det blir ikke enklere å få seg et sted å bo hvis en er midlertidig ansatt. Interpellanten inviterte til dugnad, og det var lov å komme med innspill. Jeg vil gjerne komme med noen konkrete innspill. Aller først: Ikke rør prinsippet om universell utforming. Det handler om hvilket samfunn vi skal ha i framtiden. Arbeiderpartiet vil ha et likestilt samfunn, med gode boliger av god kvalitet. Derfor er det å gå baklengs inn i framtiden å lempe på disse kravene, slik regjeringen har åpnet for. Vi er glade for at man nå skal fokusere særskilt på barnefamilier. Bolig og bomiljø har innvirkning på velferden til barn her og nå, særskilt på barnefamilier. Bolig og bomiljø har innvirkning på velferden til barn her og nå, men vi vet også at det har følger når man blir voksen. Så vi støtter det helhjertet. Jeg leser også at strategien skal støtte opp om bosettingsmålene i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og KS om bosetting av flyktninger. Vi vet at barn i asylmottak er noen av de aller mest sårbare, de må vente altfor lenge på et trygt og stabilt sted å Vi håper derfor nå at det er slutt på at regjeringen gang på gang foreslår å kutte i bevilgninger til enslige mindreårige asylsøkere. Det er dårlig sosial boligpolitikk, og det er dårlig integreringspolitikk. Strategien sier også noe om viktigheten av å sikre gode overganger fra institusjon til bolig. Jeg vil bare gjøre statsråden oppmerksom på at det er oppstått usikkerhet rundt finansieringen av overgangsboliger på grunn av et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet nå i vår. Det har bl.a. ført til at overgangsboligene ved Fekjær i Valdres er truet. Jeg ber derfor regjeringen om raskt å finne en løsning som gjør at dette gode tilbudet kan opprettholdes. Vi er glade for Husbankens forpliktende samarbeid med 50 kommuner. Det har vist gode resultater. Vi er glade for at det skal utvides. er en strategi som vi er opptatt av følges opp med konkrete tiltak og bevilgninger, så la meg først få rose regjeringen for at det nå bygges flere utleieboliger. Det støtter vi helhjertet opp om. Men vi er også opptatt av å styrke Husbanken. Statsråden var inne på eie-til-leie-programmer. Det er vi veldig for å gjøre mer av, så vi synes det er veldig trist at ikke regjeringen styrker Husbanken, og at de gjennomfører et kutt på 5 mrd. kr. Vi synes også det er synd at man ikke nå setter i gang en mye mer offensiv bygging av studentboliger, slik Arbeiderpartiet har foreslått i revidert. Hvis vi får opp trykket i boligbyggingen, vil prisene gå ned, og færre vil ha behov for boligsosial hjelp. Statsråden snakket mye om samordning. Det tror jeg er et veldig viktig tiltak. Vi er klar over det ansvaret også kommunene har. Jeg må si at jeg frykter at det arbeidet kan få svært trange kår i prioriteringskampen i kommunene framover, med tanke på den debatten vi hadde i denne salen i går, om kommuneøkonomien. Jeg har lyst til å rette en stor takk til interpellanten, representanten

at 6 200 mennesker mangler et fast sted å bo – 6 200. Det er når man hører sånne tall og ser forbi de tallene, ikke tenker på tallene som statistikk, men som en rekke mennesker som lever med sin at man virkelig blir minnet på at den selvgodheten vi i Norge kan føle over den offentlige velferden vi har bygd opp, ikke må overskygge vår evne til å ha kontakt med virkeligheten. Og så minner det oss om den vesensforskjellen det er mellom et hus og et hjem. Bolig og tilknytning til arbeidslivet henger sammen. Rundt 600 000 mennesker står i dag utenfor arbeidslivet. I tillegg viser tall fra SSB at det i første kvartal i år var 71 000 undersysselsatte personer i Norge, altså personer som er i jobb, men som ikke er i hel stilling, men som ønsker å jobbe mer. Derfor har jeg lyst til å understreke at denne regjeringen har en politikk for å få flere i arbeid, løfte flere av dem som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet, og en politikk for flere heltidsstillinger. I det arbeidet er vi nødt til å se på tiltakssystemet, og vi må gjøre moderate endringer i arbeidsmiljøloven. Faste stillinger skal være hovedregelen, men flere må få sjansen til å få en fot inn. Lokale forsøk med ulike turnusordninger har vist at mer frihet til å lage lokale avtaler også kan føre til flere heltidsstillinger. Regjeringen er i gang, og regjeringens arbeid på dette området er utrolig viktig. Mange av dem som sliter på Det vet vi, samtidig som vi vet at ungdomsledigheten er nær tre ganger høyere enn ledigheten for øvrig, og at sysselsettingen blant unge er redusert med rundt 5 prosentpoeng siden 2008. I 2012 var 23 pst. av de bostedsløse unge mennesker. I den sammenheng har jeg lyst til å trekke fram noe fra den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid. Det er resultatmål 3, at bostedsløshet blant barnefamilier og at bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres. Hva handler det helt grunnleggende om? Jo, det handler om å få en start på livet og en start på voksenlivet med føttene på trygg grunn. Dette er ikke noe ett departement kan gjøre alene – riktignok har vi et superdepartement, men vi har ikke et men vi har ikke et mirakeldepartement. Derfor må dette gjøres i samordning med andre velferdspolitiske tiltak, bl.a. når det gjelder arbeid, og når det gjelder sosiale tjenester. Så handler det om informasjon, informasjon om hvilke muligheter man har, og hvilke Helt til slutt vil jeg bare si at i et slikt arbeid er det viktig at man ikke ser seg blind på penger som virkemiddel, slik enkelte partier har en lei tendens til å gjøre. Like mye handler dette, som på så veldig mange andre områder, om samordning og koordinering. Der er jeg glad for at statsråden er helt klar.

å bruke penger slik at det er mulig å bygge boliger, slik at de som ikke har råd til å kjøpe til markedspris i dag, også får tak over hodet. Bolig er «basic» – det er helt nødvendig for å kunne ha et trygt liv der en bestemmer over seg sjøl. Det har vært store endringer i boligpolitikken etter krigen, og jeg tror at en del av boligpolitikken ble formet av noe som ble sagt av Trygve Bratteli tidlig på 1960-tallet. Da sa han: Ingen skal eie andres hjem. Jeg tror det klinger ganske godt for de fleste av oss. Derfor har norsk boligpolitikk stort sett vært en eiepolitikk. Det har gått bra for veldig mange, men det funker ikke for alle. Dessuten har vi nå et moderne samfunn, der folk flytter på seg,

inn. Det betyr at vi må ha en aktiv boligpolitikk både fra statens side og fra kommunenes side, for det er kommunene som i lovverket har ansvar for å skaffe boligtomter, regulere tomter, legge til rette for boligbygging og skaffe boliger til de mest vanskeligstilte. Så det er ikke mulig, slik som interpellanten mente, at kommunene skulle slippe unna det ansvaret de har – tvert imot.

med vanlige lønninger og ikke god råd kan komme inn. Da unngår man også veldig mange av de problemene som oppstår i det boligmarkedet vi har nå, der ikke bare de som ikke har jobb, eller opplever sykdom, blir vanskeligstilte, men også helt vanlig ungdom, med vanlige liv, vanlige studielån og en liten jobb. Dette gjør altså mens andre kommuner, som Oslo f.eks., har hatt en mye smalere boligpolitikk. Mange kommuner har det, man har en politikk bare overfor noen av de mest vanskeligstilte. Jeg er glad for det som sies nå, at nå har man også i denne byen tenkt å begynne å skaffe seg flere boliger for vanskeligstilte, for det trengs. Hittil har man solgt unna en masse og latt veldig mange regulerte tomter, som er byggeklare, stå ledige. Da blir det boligmangel. Så de kommunene som har en bred tilnærming til dette, lykkes mye bedre enn de som har en smal tilnærming til det, og det synes jeg det er viktig at statsråden også kan respondere litt på. Så er det nødvendig å styrke Husbanken, for Husbanken er av de viktigste virkemidlene. Jeg blir forbauset når jeg hører også interpellanten si at nå blir det ikke tomt i Husbanken, fordi man har bestemt at de får ikke lov til å bruke opp alle pengene tidlig på året – de skal dele dem ut i fire porsjoner, og da skal det bli nok på slutten. Men køen øker køen øker slik at det hadde vært behov for å øke Husbankens rammer nå. Det hadde vært en billig investering for staten for å øke boligbyggingen når det trengs som mest. Dugnad høres fint ut. Jeg er veldig for dugnad – SV er veldig for dugnad. Men vi må ikke narre oss sjøl til å tro at det blir bygd flere boliger på dugnad i Norge, eller at det er noen som har lyst til å være med på en dugnad for å sikre folk som ikke har råd til det, tak over hodet. Det er vi nødt til å sette kommunene i stand til å bidra til, og vi må bidra til det som storting. Helt til slutt: Bygging av studentboliger er viktig og nødvendig. Den kan økes. Det hjelper veldig på leiemarkedet. Man kan pålegge leiemarkedet. Man kan pålegge kommunene å ha en aktiv boligpolitikk, og man kan f.eks. også, for å se på noen av de mest vanskeligstilte, se på den ordningen de har i Danmark som heter «Skæve huse». Den har vært omdiskutert i Norge. Jeg mener vi bør se på flere slike boligløsninger også.

For å lykkes i det boligsosiale arbeidet må en samarbeide. Å ha en slik tydelig forankring hos fem statsråder synliggjør at regjeringen er opptatt av dette. Det er viktig å sikre at arbeidet får prioritet i de respektive departementer og direktorater, og at arbeidet gis gode rammebetingelser. Denne regjeringen er opptatt av samarbeid og samhandling, og den viser handlekraft og gjør noe med det som ikke fungerer bra nok. I helsevesenet har det nylig blitt innført en stor samhandlingsreform, men det trengs oppmerksomhet, fokus og incitamenter til samhandling også på andre samfunnsområder. Boligsosialt arbeid er et slikt område. Derfor er det flott at regjeringen har tatt tak i dette ved å legge frem en Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, og at regjeringen er så tydelig på at samarbeid og samhandling mellom dem som har delansvar på dette feltet, må til for å lykkes. Det er viktig med rolleavklaringer og ansvarsavklaringer. Boligen har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Boligen er viktig for oss alle sammen, for den er hjemmet vårt. Den er viktig for tryggheten til familien. Og den er en viktig ramme for sosialt liv. Så mange som 150 000 personer har det vanskelig på boligmarkedet. I denne gruppen er det også mange barnefamilier. De må ha vår oppmerksomhet. Barn i lavinntektsfamiliene bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier selv. Antall barn i lavinntektsgruppen har økt jevnt fordi befolkningen øker. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Dette har sammenheng med en kombinasjon av svak arbeidsmarkedstilknytning hos foreldrene og barnerike familier. Det er viktig å styrke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra, for å forhindre at dårlige levekår går i arv.

Hjelp til inntekt gjennom arbeid eller utdanning er ofte avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. Jeg er glad for de tre overordnede nasjonale målene som er satt for det boligsosiale arbeidet i strategidokumentet: Alle skal ha et godt sted å bo. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdene. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

viktig. Jeg tenker ikke at det er en sånn dugnad at man skal bygge husene, som jeg følte at representanten Karin Andersen var inne på, men at det nettopp er å dele de gode erfaringene og de gode eksemplene rundt om i landet og lære av hverandre, slik at de nasjonale målene kan innfris. Jeg vil takke hjerteligst alle som

på mange av de samme problemstillingene. Representanten fra Arbeiderpartiet nevnte bl.a. at det må bygges mer. Det gjorde også representanten fra SV. Men da forundrer det meg at de stemmer imot mange av forenklingsforslagene – senest for tre døgn siden. Så sier representanten fra SV at vi må pøse ut mer penger i dette markedet for å få flere inn i boliger. Men det hjelper jo ikke å pøse ut masse penger i markedet når de som skal bygge, ikke har riktige forutsetninger for å bygge boligene. Så det blir litt vanskelig å forstå. Jeg må også minne representanten fra Arbeiderpartiet om at det var nettopp den rød-grønne regjeringen som ønsket en innstramning av startlånsordningen hos Husbanken. Og jeg merker det fra talerstolen: Vi foreslo det, vi foreslo og så får vi nå skylda for at denne regjeringen faktisk gjennomfører, mens de andre hadde en del gode forslag på hjertet. Jeg vil også gi honnør til representanten Heggelund for å peke på en veldig enkel sak, og det er ofte det enkle som er det beste. Det er at vi må ha flere ja-kommuner. Når han snakker om at vi må ha bedre informasjon, handler det rett og slett om å gi god De må møte den samme type informasjon og service som de møter ellers i samfunnet, så de kan være bedre i stand til å hjelpe seg selv gjennom en vanskelig situasjon. Jeg er også helt enig i at arbeid og boligpolitikk henger sammen. Jo flere mennesker vi får i arbeid, jo flere mennesker får vi også inn i boligmarkedet. Det er det ingen tvil om. Til slutt: Jeg er også veldig glad for at alle partier som tok ordet, er enig i regjeringens nye strategi for det boligsosiale arbeidet framover. De er også enig i at det må bygges mer. De er også enig i at det må forenkles. Og de er også enig i at det må prioriteres bedre. Da har jeg store forhåpninger til at de også er med på å stemme for våre forenklingsforslag, forbedringsforslag og

Både vårt arbeid for å gjøre det lettere å bygge flere og rimelige boliger gjennom det forenklingsarbeidet vi nå gjør, og strategien på det boligsosiale området er viktige virkemidler. Der er det sentralt at vi får koordinert og samordnet de statlige etatene og de ulike støtteordningene, men jeg vil også understreke at samarbeidet med kommunene er helt avgjørende, og at kommunene møter menneskene som sliter på boligmarkedet, med respekt. Så til slutt: Når det gjelder Husbanken, er jeg enig i at Husbanken skal spille en viktig rolle på det boligsosiale området, men Husbanken skal ikke konkurrere med det ordinære finansmarkedet. Husbankens ulike låneordninger skal være et supplement, komme i tillegg. Det er grunnen til at vi nå også har målrettet startlånsordningen, slik at det ikke er en låneordning for mennesker som har god råd, men at det er en ordning for dem som har langvarige utfordringer på boligmarkedet.

får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Det er en enstemmig komité som er enig med regjeringen i at det har vært en styrke for norske forbrukere å være med i de forbrukerprogrammene som har gått i EU, og at det dermed også vil være en styrke å gå inn i det fjerde forbrukerprogrammet. Det fjerde forbrukerprogrammet er i all hovedsak en videreføring av det som har vært i de andre programmene, men komiteen har merket seg og er glad for én ting, og det er at det er lagt enda mer vekt på å se på forholdene for de sårbare forbrukerne. Det er viktig for oss å sikre et høyt nivå på forbrukervernet. Når vi handler, og stadig mer på tvers av grensene og med andre land, er det viktig for oss at vi er trygge på at vår egen helse og våre juridiske og økonomiske rettigheter blir godt ivaretatt. Når vi er med i dette programmet, vil vi også bli en del av et felles markedstilsyn som ivaretar akkurat disse tingene for oss. De fire hovedmålene som ligger i programmet, er også sentrale for norske forbrukere. Det er produkttrygghet gjennom overvåking av markedet, det er forbrukerinformasjon og -utdanning samt støtte til forbrukerorganisasjonene, det er rettigheter og oppfylling av rettigheter, bl.a. gjennom gode tvisteløsninger, og det er håndheving av forbrukerrettigheter gjennom samarbeid mellom nasjonene. Det har derfor vært enkelt å samle komiteen om at dette bør vi gjøre. Så vil jeg bare presisere at bakgrunnen for at denne saken kommer hit nå, er at innlemming i dette er noe som krever budsjettvedtak over flere år. Det var derfor viktig og nødvendig at Stortinget gir sin tilslutning til dette nå, før vi tar sommerferie.

Samarbeid med land innenfor EU bidrar til at man får varer og tjenester som ikke er helseskadelige, men trygge, og som sikrer forbrukernes økonomiske interesser. For ikke mange dager siden behandlet vi en sak som dreide seg om implementering av EUs forbrukerdirektiv. Det sikrer at norske regler er tilnærmet like dem vi møter ute i Europa. Denne saken dreier seg om deltakelse i et europeisk forbrukerprogram, og Arbeiderpartiet støtter selvsagt at vi fortsatt skal delta i sånne programmer. Deltakelse i sånne programmer koster imidlertid penger for deltakerne. Det er derfor viktig at norske forbrukerorganisasjoner har midler til å nyttiggjøre seg de mulighetene som sånne program og samarbeid gir. Derfor er det etter vår mening grunn til bekymring for det kuttet som ble gjennomført på bevilgningene til Statens institutt for forbruksforskning av Solberg-regjeringen. I sine merknader sier regjeringspartiene at kuttet kom som følge av en påbegynt omstrukturering av instituttets laboratorium, slik Stoltenberg-regjeringen varslet i Prop. 1 S for Men i Prop. 1 S står det at styret i løpet av 2014 skal foreta sånne vurderinger. Regjeringen valgte likevel å ta den beslutningen før styret trakk sine konklusjoner. Med lange husleieavtaler og medarbeidere på ventelønn er den innsparingen som ble gjort, et reelt kutt som vil gå ut over nettopp deltakelse i det som ikke er instituttets

Derfor har Regjeringen lagt fram denne proposisjonen for å be om forhåndssamtykke fra Stortinget til å ta programmet inn i EØS-avtalen. Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014–2017 ble nylig vedtatt i Stortinget. Hva da med norske forbrukere i Europa? En viktig jobb for oss er å legge til rette for at de får nytte av det som gjøres i EU. Og norske forbrukere er i Europa. Vi reiser mye, og vi handler på nettet, som jeg også var inne på i en debatt i Stortinget tidligere denne uken, da forslag til ny lov som gjennomfører EUs forbrukerrettighetsdirektiv, ble behandlet. Forbrukerpolitikk er også omtalt i regjeringens europastrategi. Der står det: «Vi vil også bidra til en god forbrukerpolitikk på europeisk nivå. Trygge forbrukere bidrar til verdiskaping og vekst.» En måte å bidra på er å være med i Forbrukerprogrammet. Norge har vært med siden 2000 og er med på de fleste aktivitetene under programmet. Det nye programmet er en videreføring av tidligere program, men med økt vekt på sårbare Hva betyr det så for oss å være med i dette programmet? Jo, når nye tiltak og nytt regelverk i EU skal utformes, er et solid kunnskapsgrunnlag basisen. Gjennom å være med i programmet sikrer vi også at norske forhold blir undersøkt og inkludert i studier og forskningsrapporter, eller for å si det på en annen måte: Den norske forbrukervirkeligheten er med når politikk og prioriteringer i EU skal vedtas.

Har du planer om å importere bil selv eller lurer på hva du skal være obs på når du leier bil i ferien, finner du informasjon og råd om dette og mye annet på nettsidene deres. Forbruker Europa hjelper også med å løse tvister med europeiske næringsdrivende. Gjennom programmet blir 50 pst. av Forbruker Europas virksomhet finansiert av EU. Men minst like viktig er de en del av et

Google. Da er samarbeid bra når listen for hva som skal kreves av avtalevilkår og markedsføring, skal legges. Samarbeidet innen produktsikkerhet er et annet eksempel, der programmet finansierer RAPEX, systemet for gjensidig varsling om farlige produkter. Ved å være med i det programmet er vi en del av et samarbeid om tilsyn og håndheving på det europeiske markedet, på forbrukerrettigheter generelt, men også på produktsikkerhet og kosmetikk.

Jeg er innforstått med at en reduksjon i bevilgningene til SIFO kanskje vil få konsekvenser for den samlede forskningsaktiviteten ved instituttet. Men per i dag er det vanskelig for meg helt konkret å si hvordan det vil slå ut i deltakelsen i internasjonale programmer. Men per i dag er det vanskelig for meg helt konkret å si hvordan det vil slå ut i deltakelsen i internasjonale programmer. Det er også viktig at SIFO, som alle andre forskningsinstitusjoner, arbeidet målrettet for å øke kvaliteten på prosjektsøknader og samarbeidsmuligheter. På den måten øker vi også potensialet for å få eksterne inntekter til SIFO. Flere har ikke bedt om ordet til
sak nr. 14. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid,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

Siden innføringen i 1969 har innretningen vært endret en rekke ganger. At den nå er gjort plattformnøytral, er ytterligere en modernisering og tilpasser ordningen til en mediehverdag hvor endringene skjer svært hurtig. Vi er trolig midt oppe i den største omveltningen i trykte og skrevne massemediers historie. Allmenhetens muligheter til å utøve sin ytringsfrihet, til å publisere sine egne meninger, er nå nær utallige. Det har foregått så raskt og har vært så omkalfatrende at det må kunne sies at sosiale medier har revolusjonert menigmanns adgang til å ytre seg fritt. Hvert sekund publiseres blogger, nettkommentarer, nye nettsteder, Twitter-meldinger, Facebook-sider og Instagram-bilder. Dette er bare et bitte lite utvalg av alle mulighetene som har fulgt, og som fortsetter å I dette bildet ser vi likevel fortsatt en viktig formidlingsoppgave for nyhets- og aktualitetsmedier, i tillegg til det å legge til rette for en bred offentlig debatt. Men redaktørens rolle i dag er en helt annen, med en helt annen og mindre kraft enn for få år siden. Jeg tror ingen – selv ikke den mest bolde redaktør – tør å spå hvordan dette ser ut om kort tid. Det er derfor svært viktig at vi ikke konserverer en støtteordning og håper på det beste. Vi er nødt til å foreta en løpende vurdering av innretning av og form for støtte. De ti største avisene mottar nesten 75 pst. av de 308 mill. kr støtten utgjør. Over 110 andre aviser fordeler resten mellom seg. Dette er små lokalaviser som er minst like viktige bidrag til det mangfoldet vi ønsker. Eller om vi regner litt videre: De fem største mottagerne – Dagsavisen, Vårt Land, Klassekampen, Nationen og Dagen – mottar 53 pst. av pengene. Sagt på en annen måte: 4 pst. av avisene stikker av med over halvparten av pengene. Denne fordelingen og innretningen er ikke nødvendigvis perfekt. Derfor burde ordningen etter flertallet i komiteens syn vært gjenstand for en ytterligere revisjon og modernisering – aller først gjennom et statisk tak på 40 mill. kr. Dette ville med dagens nivå gitt rom for å omdisponere 7 mill. kr til små og viktige lokalaviser i distriktene.

De to største mottagerne av pressestøtte, Dagsavisen og Vårt Land – som er samlet i selskapet Mentor Medier – får nær 30 pst. av hele potten. Med et kronetak på 40 mill. kr ville de to, som har god soliditet og tilfredsstillende lønnsomhet, fått 80 mill. kr i stedet for dagens 87 mill. kr. Da ville andre aktører innenfor den samme ordningen fått 7 mill. kr mer, og det er mye penger for mange små og viktige lokalaviser. Når vi ønsker å modernisere ordningen, er det fordi vi ser at den treffer skjevt og mangfoldet blir utfordret. Dette viser hvorfor det er viktig å jobbe videre med hvordan denne støtten fordeles. Samfunnet er i rask endring – mediebransjen er i hyperrask endring. Norges aller største avis, VG, antyder at de er borte som papiravis om få år. Dette er en ny virkelighet. Skal vi sørge for å beholde mangfoldet og sikre det, kan vi ikke lenger ordninger. Det er slik flertallet i komiteen ser det, fortsatt behov for å modernisere virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling og bedre målretting. Dette er altså et kontinuerlig arbeid i et medielandskap i stadig endring. Jeg noterer meg at Arbeiderpartiet har snudd 180 grader og forlatt sitt tidligere velfunderte standpunkt om et statisk tak – og tilpasser nå argumentasjonen deretter. Det er også skuffende å se at Venstres stortingsgruppe har lagt partiprogrammet til side, og dermed også satt en stopper for en mer moderne og målrettet ordning enn vi har i dag. Den snuoperasjonen kan nok bli lagt merke til hos lokalaviser som nå får mindre enn de kunne ha fått. Sammen med mediemoms utgjør produksjonsstøtten de to viktigste bidragene til en mangfoldig presse. Mediemoms og produksjonsstøtte er også papiravisenes respirator. Jeg håper vi fremover kan finne sammen og få flertall for moderne løsninger som er tilpasset utviklingen. Slik det er nå, går vi fortsatt med ryggen inn i framtiden og med blikket stivt festet på de sakte døende papiravisene. Det blir replikkordskifte. Jeg konstaterer at det er et skifte i den mediepolitiske retningen som Stortinget ønsker å ha. Nå blir det ikke flertall for

Men jeg har et spørsmål, for det er naturligvis en tilfeldighet at de to avisene som rammes av det såkalte statiske taket, er to av de avisene som er kritiske til regjeringens politikk og mediepolitikk. Så mitt spørsmål til saksordføreren er følgende: Bidrar Vårt Land og Dagsavisen til å øke mangfoldet i norsk presse, eller bidrar de ikke til det? Eller er det sånn at man ikke synes det er verdt å opprettholde dette bidraget, til tross for at disse avisene også er de viktigste meningsbærende avisene på denne siden av

Så det er for så vidt en politikk som Arbeiderpartiet inntil relativt nylig også var med på. Det er heller ikke sånn at man skal ta støtten fra disse avisene. Hvis vi hadde innført et tak på 40 mill. kr – som Arbeiderpartiet inntil nylig var enig i – hadde disse to avisene til sammen mottatt 80 mill. kr. Det er jo ikke snakk om at man da ønsker å fjerne de avisene eller gjøre det vanskeligere for dem. Dette er aviser, som jeg også nevnte i innlegget, som har god soliditet og tilfredsstillende inntjening.

dette tilskuddet reduseres i den størrelsesorden det her er snakk om? Hvis vi hadde kunnet gjøre en annen innretning på pressestøtten, dvs. bruke 7 mill. kr av de 308 mill. kr som fordeles i dag, annerledes, nemlig gitt dem til mindre aviser, lokalaviser, rundt omkring i distriktene, ville det styrke meningsmangfoldet og styrke floraen blant norske papiraviser. Det er veldig mange av de nesten 120 andre avisene som balanserer på kanten av stupet, og som – hvis de kunne fått noen hundre tusen kroner til, fordelt på disse avisene – ville hatt de midlene som kanskje gjorde at de kunne drive ytterligere kritisk journalistikk og drive ytterligere viktig lokal journalistikk, noe som også er veldig viktig for demokratiet. Jeg konstaterer at saksordføreren mener at det er nødvendig å ofre den kritiske journalistikken i riksmedia til fordel for et større mangfold i lokale media. Dette er et interessant synspunkt. Man kan i neste omgang selvfølgelig spørre om statsråden er enig i dette synspunktet – men jeg konstaterer at saksordføreren altså mener det.

ville ikke i nevneverdig grad gått ut over den kritiske journalistikken i de to avisene. Tvert imot hadde man kunnet ha mer og bedre kritisk journalistikk i flere aviser flere steder i Norge. Replikkordskiftet er omme. Mangfoldet i medielandskapet har stor betydning for det norske demokratiet. Frie medier og retten til å ytre seg gjennom det skrevne ord er en grunnleggende verdi for ethvert demokratisk samfunn. Nyhets- og

Dette er utgangspunktet for mediepolitikken i Norge, og ikke minst utgangspunktet for dagens debatt. Bruken av Internett og sosiale medier har revolusjonert allmenhetens mulighet til å kunne utøve sin ytringsfrihet. De nye ytringsmulighetene utgjør totalt sett en styrke for demokratiet, men fortsatt har nyhets- og aktualitetsmedier en viktig oppgave i å formidle og legge til rette for en bred offentlig debatt. Ordningen med direkte produksjonstilskudd ble opprettet i 1969, med formål å opprettholde en differensiert dagspresse. Arbeiderpartiet er tilfreds med at produksjonstilskuddet nå legges om fra et tilskudd forbeholdt papiraviser, til et plattformnøytralt tilskudd. Mediehverdagen og mediekonsumet hos brukerne er i rask endring, og det er riktig å legge til rette for overgangen til en framtidsrettet nyhetsformidling gjennom et plattformnøytralt produksjonstilskudd. er av avgjørende betydning at tilskuddet går til medier som har et reelt støttebehov, og som bidrar til en bred og nyansert offentlig debatt. Produksjonstilskuddet har bidratt til et stort mangfold av aviser over hele landet, noe som har ført til at nordmenn er verdens mest avislesende folk. Dette er en ambisjon vi må ha også for framtiden – også på nye plattformer. Tilskuddet må ses i sammenheng med alle støtteordningene på mediefeltet, herunder mediemoms. Produksjonstilskuddet har to formål: å bidra til et mangfold av små lokalaviser, samt stimulere til meningsmangfold i de store byene. Arbeiderpartiet mener det er behov for å øke produksjonstilskuddet, og viser i den forbindelse til Prop. 1 S for 2013–2014, der den rød-grønne regjeringen foreslo å øke kapittel 335 post 21 med 23,8 mill. kr sammenlignet med

gi mer støtte til noen aktører, og at det betyr mindre støtte til andre. Jeg vil påpeke at nivået for bevilgningene fastsettes årlig, og Arbeiderpartiet forutsetter at produksjonsstøttens innretning og nivå vil ta høyde for tilskuddsmottakernes reelle behov for økonomisk støtte. Vi har merket oss at departementet ser det som uaktuelt å det dynamiske tilskuddstaket som allerede er gjennomført i ordningen, noe Arbeiderpartiet er enig i. Vi legger til grunn at et dynamisk støttetak knyttet til andel av mottakernes driftskostnader var en nødvendig forutsetning for ESAs godkjennelse av ordningen. Arbeiderpartiet viser til at i en bransje som i så stor grad har sine inntekter fra fellesskapet, bør også fellesskapet kunne stille betingelser og begrensninger for uttak av utbytte og opsjoner basert på de offentlige støtteordningene. Vi har merket oss en del medieoppslag om høye lederlønninger og utbytter, og mener en del av bransjen selv må bære ansvaret for noe av krisen som mange aviser i dag opplever. Arbeiderpartiet vil derfor foreslå at regjeringen utreder hvordan man kan sikre at eventuelle framtidige økninger i støtteordninger beskyttes og benyttes til formålet, som er journalistikk og meningsmangfold. På vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti tar jeg opp forslaget som er referert i innstillingen: «Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre et statisk tak på produksjonsstøtten.» I tillegg vil Arbeiderpartiet fremme følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man sikrer at eventuelle fremtidige økninger i støtteordninger benyttes til formålet, som er journalistikk og meningsmangfold.» Representanten Rigmor Aasrud har tatt opp de forslagene hun refererte. Det blir replikkordskifte. Jeg har lyst til å spørre representanten

byene. Det står også at produksjonstilskuddet har to formål: Å bidra til et mangfold av små lokalaviser samt stimulere til meningsmangfold i de store byene. Har man nå gått bort fra begrepet «riksspredte, meningsbærende aviser» og i stedet snakker om byaviser? Eller hva er bakgrunnen for å introdusere dette i saken? Vi ser at det er i mange av de store byene vi har opplevd et meningsenfold den siste tiden. Det er der utgivelsstedene er, og derfor ønsker vi å se på mulighetene som ligger i å kunne stimulere til at de avisene som har utgivelsessted andre steder enn i Oslo – og de små lokalavisene – kan få et et grunnlag for å etablere flere stemmer der ute og få det meningsmangfoldet vi mener er nødvendig. Det ligger ikke noen flere nyanser i det, utover at vi ser at det er i de store byene mulighetene er for å kunne etablere andre stemmer enn de vi har per i dag. Jeg hørte av innlegget til representanten

altså en forskjell fra 40 mill. kr til 50 mill. kr – og hvilke konsekvenser ser representanten for de små lokalavisene rundt omkring i landet når man fortsetter med å styrke disse byavisene, som det ble sagt. Jeg har to spørsmål: Hva er begrunnelsene for å øke fra 40 mill. kr til 50 mill. kr? Er det nye opplysninger om det? Og hva med konsekvensene for de små lokalavisene rundt omkring i landet

at de ikke er 100 pst. avhengige av disse midlene for å kunne drive en kritisk journalistikk videre. Men lokalavisene rundt omkring i hele landet som konkurrerer med NRK på nyheter, har derimot mer behov for disse pengene. Ser ikke representanten at dette lille løftet som lokalavisene kunne ha fått rundt omkring i landet, er nettopp det de ikke får ved at man fortsatt styrker byavisene?

pressestøtten, må man også se på det totale beløpet som er til fordeling. Arbeiderpartiet erkjenner at skal vi ha et levende meningsmangfold, er vi nødt til å ha en pressestøtte på et høyere nivå enn det man har hatt tidligere. Det la vi fram vårt budsjettopplegg før jul, og jeg konstaterer at Fremskrittspartiet og Høyre i sitt forslag sørger for å redusere den økningen vi hadde lagt opp til. Det er beklagelig for de små lokalavisene som er rundt omkring i landet. Replikkordskiftet er omme. For noen er dette en veldig, veldig spesiell dag, for noen er dette veldig, veldig dramatiske endringer, og for mange er det en merkedag innenfor Medie-Norge. Men hvis vi

Men man må være med i utviklingen. Man kan ikke være på stedet hvil når man jobber med Medie-Norge. Det er viktig med mangfold i medielandskapet i det norske demokratiet. Det tror jeg denne sal er helt enig i – at det er viktig. Nyhets- og aktualitetsmediene har en vesentlig samfunnsfunksjon ved at de skal målbære et mangfold av ytringer, sørge for fri og kritisk journalistikk og bidra til samfunnsdebatten. Det er vel ingen som diskuterer bruken av Internett lenger, og det er kommet for å bli. Bruken av Internett og sosiale medier har revolusjonert allmennhetens mulighet til å kunne utøve sin ytringsfrihet. Det er ikke sikkert alle mener at det er en god ytring, men det er i hvert fall en ytringsfrihet for dem som har mulighet. Den nye ytringsmuligheten utgjør totalt sett en styrke for demokratiet, og det ser vi hver eneste dag, ikke minst når stortingsrepresentantene også er Ordningen med direkte produksjonstilskudd ble opprettet i 1969 med det formål å opprettholde en differensiert dagspresse, og innretningen har siden den gang vært endret en rekke ganger. At vi gjør noe nå, er bare på tide etter min mening. Vi har kommet så langt i Medie-Norge at dette er en årlig. Produksjonstilskuddet legges nå om fra et tilskudd forbeholdt papiraviser til et plattformnøytralt tilskudd. Det er også andre steder man burde ha sett på det – innenfor bokbransjen, f.eks. Mediehverdagen og mediekonsumet i Norge og hos brukerne endrer seg raskt, og da må vi i Stortinget – og det har vi et ansvar for ikke fryse fast og låse oss til en ens ordning, men legge til rette for overganger til en fremtidsrettet nyhetsformidling gjennom plattformnøytralt produksjonstilskudd. Produksjonstilskuddet skal visst bidra til å sikre mangfoldet. Det skal visst også være av avgjørende betydning at tilskuddet går til medier som har reelt støttebehov, og som bidrar til en bred og nyansert offentlig debatt. Hvorfor sier jeg «visst»? Det er fordi vi ikke diskuterer innholdet i avisen. Men vi tar signaler som kommer. Noen aviser er aktive også på høringer og forteller om behovet Det vil fortsatt være mediebedrifter som kommer til å slite økonomisk. Det vil fortsatt være mediebedrifter som vil be om flere midler. Men det vil også begrense dem. Nordmenn er verdens mest avislesende folk, som flere har vært inne på, og det er en ambisjon som regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre vil være med på å opprettholde. Men det betyr ikke at avisen skal bestå av papir, men at man også legger til rette for andre ordninger. Avisbransjen må også i størst mulig grad ha forutsigbare rammevilkår. Alle bransjer bør ha en forutsigbarhet. Men bransjen bør også motiveres til innovasjon og være i forkant når det gjelder utviklingen, noe vi ser flere aviser har hatt hell med.

hatt mulighet til å gi mer penger til lokalaviser der ute, som vi har inntrykk av sliter mest. Det er ikke Akersgata som sliter, men det er lokalaviser som kjemper hver eneste dag for å utgi en papiravis, og ikke minst være aktuelle på nettet i forbindelse med den konkurransen de har med NRK. Det åpnes for replikkordskifte. I Norge har vi det som er blant verdens rikeste mediemangfold, og

Hva slags virkemidler skal vi bruke for å unngå at det kommersielle markedet overtar og blir viktigere enn det journalistiske innholdet? Jeg tror alle avisdirektører og redaktører også tenker kommersielt. Jeg vet at avisredaktører er opptatt av Redaktørplakaten. Den er ikke vi villig til å endre på, vi synes at den er viktig. Men representanten refererer til den vellykkede politikken som Arbeiderpartiet har ført fram til i dag. Den er jo ikke så vellykket når man ikke har fått med seg endringene som har skjedd i samfunnet, og tilpasset den til dem. Vi er villig til hele tiden å være obs på markedet og hvordan mediemarkedet utvikler seg framover. framover. Da nytter det ikke å se bakover, da må vi faktisk være innovatører og se framover, noe verken Stortinget eller Arbeiderpartiet har vært kjent for før. Jeg takker for svaret. Når jeg henviste til tidligere politikk, kunne det ha vært like mye en borgerlig styrt politikk. Politikken i Norge har virket med tanke på et rikt mediemangfold. Men mange journalister og ansatte i de ulike mediehusene i Norge går med en urolig klump i magen. Frykten for oppsigelser og en sluttpakkeløsning finnes i flere av de norske redaksjonene. Jeg vil på ny utfordre Fremskrittspartiet til å svare meg på hvilke tiltak de vil sette inn for å sikre arbeidsplasser i norske redaksjoner.

folk i de enkelte redaksjoner rundt omkring i hele landet enn under Arbeiderpartiets tid i regjering. Det eneste stedet det ikke har blitt omrokeringer eller oppsigelser, er i NRK, for de får det faste beløpet sitt hvert eneste år. Men de små avisene og de små mediehusene må kjempe for å holde hjulene i gang. Da må man tenke kommersielt, man må tenke nytt, man må ha innovasjon i hele tankegangen sin,

som verner om retten til å ytre seg fritt. Ja, staten pålegger sågar «å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale», som det altså heter i Grunnloven. Frie medier og retten til å ytre seg gjennom det skrevne ord er grunnleggende viktig for ethvert samfunn. Staten har et ansvar for å legge til rette for dette. Derfor er det bra at mediebransjen har fått ordninger som bidrar til å gjøre dem levedyktige, og på mange områder har disse ordningene vært vellykkede. Men utviklingen i mediebransjen er alarmerende, og det går svært raskt – konkurransen fra utenlandsk media øker, lesevaner endrer seg, og mediene taper inntekter – og vi må spørre oss om Norske medier er i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Den samme teknologien har samtidig gjort at internasjonale selskaper, som Google og Facebook, tar annonseinntekter på det norske markedet – uten at de har egenprodusert innhold. Hele tre fjerdedeler av det digitale annonsemarkedet i Norge går til slike aktører. Papiraviser og magasiner opplever nå et kraftig fall i annonseinntektene uten at dette kompenseres med digitale annonseinntekter. Papirannonseringen har falt med 30 pst. fra 2007 til 2013, noe som tilsvarer 2,2 mrd. kr, og bare i år vil papirannonseringen synke med ytterligere 560 mill. kr, ifølge prognosene. Google og Facebook vil til sammenligning ha annonseinntekter i Norge på omtrent 2,5 Vi bruker nettet mer og leser mindre på papir. Midt oppe i dette opplever norske medier en massiv konkurranse fra utlandet. Hvorfor er det viktig med norsk journalistikk og norskprodusert innhold? Jo, dette er viktig for meningsmangfoldet og til syvende og sist for selve ytringsfriheten. Mediene opererer i et marked, men det er mer enn næringspolitikk. Det er kulturpolitikk, det er forvaltning av norsk språk, og det er forvaltning av norsk identitet. Jeg synes det er viktig at vi har dette som bakteppe når vi diskuterer en sak som dette. I meldingen fra regjeringen framgår det at flere høringsinstanser mener at det dynamiske tilskuddstaket knyttet til 40 pst. av mottakernes driftskostnader erstatter behovet for et statisk tilskuddstak på 40 Det er vi enig i. Vi aksepterer et dynamisk tak, men ikke et statisk tak, og det har regjeringen vært klar over hele veien. Et statisk kronetak er etter mitt syn gammeldags. Det gir ingen incentiv for tilskuddsmottakerne til å utvikle seg, og vi måtte ha justert taket etter hvert. Derimot vil et dynamisk tak i Derimot vil et dynamisk tak i langt større grad gjøre at vi beholder avisenes motivasjon til å skape gode resultater. Mediestøtten og produksjonsstøtten til aviser er viktig, særlig i den situasjonen vi nå er i, med fallende opplagstall. Staten har et ansvar for å sikre et mangfold av og jeg forutsetter at regjeringen tar Stortingets vedtak i dag som et tydelig signal om at pressestøtten skal styrkes og ikke kuttes. Momsfritaket for papiraviser har bidratt til at Norge har mange lokalaviser, som leses av hele befolkningen, men nå går mange over til digitale tilbud. digitale tilbud. Jeg tror det er her det neste mediepolitiske slaget vil stå – om momsfritak også for digitale aviser. Det er bra at regjeringen vil likebehandle papiraviser og digitale plattformer. Det er Kristelig Folkeparti enig i, forventninger til at regjeringen nå vil se på muligheten for momsfritak også for digitale aviser, at vi får en lik behandling, og særlig viktig er dette i den situasjonen som mediebransjen er i nå. Jeg tror at null-null-moms ville vært et viktig og godt bidrag i den situasjonen som avisene befinner seg i nå, og dette håper jeg at vi sammen kan se

Samtidig må jeg få lov til å utfordre representanten, for jeg oppfatter at både partiet og representanten veldig ofte er opptatt av å sikre mangfold, bredde og å få flest mulig med i ordningen, og her vil en altså si nei til akkurat det. Det ble snakket om dynamisk tak som incentiv til å få god økonomi.

Kristelig Folkeparti har aldri – som representanten Harberg helt riktig sa – vært for et statisk tak, og vi har også signalisert veldig tydelig til regjeringen at dette er noe vi ikke kommer til å gå med på. Nå er pressestøtten rammestyrt. For å kunne løfte hele mangfoldet må vi se på rammene og innretningen. Det er på den måten man kan gi mer tilskudd til lokalaviser der på den måten man kan gi mer tilskudd til lokalaviser der ute. Takk for svaret, men jeg kjenner at jeg blir kraftig bekymret, for nå er representanten Bekkevold langt inne i budsjettforhandlinger, nær sagt, og det tar vi ikke her! Men jeg registrerer nå at representanten – i innlegg og replikksvar – sier at det må komme en økning i produksjonsstøtten, økning i rammen, for her i produksjonsstøtten, økning i rammen, for her skal de stadig få mer penger. Samtidig sa han vel i innlegget nå at han vil ha nullmoms på både papiraviser og digitale aviser. Jeg lurer på hvor i medie- og bokbransjen vi skal ta inn igjen de kjempestore summene Bekkevold nå lover fra talerstolen her.

en replikkveksling. To spørsmål: Det ene er til sakens dokumenter, hvor Kristelig Folkeparti er med på en merknad hvor det står at man viser til at produksjonstilskuddet har to formål: å bidra til et mangfold av små lokalaviser, samt stimulere til meningsmangfold i de store byene». Det første spørsmålet blir da: Har man forlatt standpunktet om at tilskuddet også skal hjelpe de riksspredte meningsbærende avisene? når man når det statiske taket, må man heve det. Den automatikken er ikke vi nødvendigvis enig i. Poenget med et statisk tak er jo at man har et tak, og hvis man kommer over det, skal vi bruke de pengene til f.eks. små og viktige lokalaviser. Derfor blir det andre spørsmålet: Er representanten Bekkevold fornøyd med en ordning som opprinnelig skulle sørge for et mangfold og en flora av aviser,

er tilbakemeldingene at situasjonen er alvorlig. Derfor er vi med på den merknaden og deler den bekymringen. Kristelig Folkeparti er opptatt av at vi skal ha en rik flora av aviser, både papiraviser og nettaviser. Det er viktig. Dette handler ikke bare om næring, som jeg sa i mitt innlegg. Dette handler også om å ha et mangold av ytringer, og derfor er det viktig at man har en innretning på pressestøtten som ivaretar dette. Vi mener at et statisk kronetak ikke er med på å ivareta dette mangfoldet. Som jeg sa i mitt innlegg, er mediestøtten rammestyrt, og da må vi se på om rammene er gode nok. Replikkordskiftet er omme. Ulike deler av pressestøtten har vært velfungerende og helt nødvendige ordninger helt sida Borten-regjeringen innførte ordningen i 1969. Målet var å opprettholde en differensiert presse. Det

skal ha tilgang til ulike synspunkter og meninger i medielandskapet. Pressestøtten er tuftet på prinsipper som fortsatt har stor relevans og verdi. Den har fungert godt, sjøl om en kuriøst nok opplevde en betydelig skepsis fra Høyre den gangen pressestøtten ble innført i 1969. Med en befolkning på fem millioner er ikke befolkningsgrunnlaget og annonsemarkedet alene stort nok til å gi godt økonomisk grunnlag for konkurrerende regionaviser og meningsbærende riksaviser, for å nevne to eksempler. Det betyr at mange aviser sliter økonomisk, sjøl om deres markedsposisjon er sterk. Det er bra at produksjonstilskuddet nå er gjort plattformnøytralt. En slik justering av virkemiddelapparatet er framtidsrettet og i tråd med dagens medievirkelighet, der publisering på nett er en viktig del av avisenes virksomhet og lesernes hverdag.

Alternativet ville kunne blitt at viktige, meningsbærende aviser ville fått en dramatisk svekket økonomi, og det ville også kunnet straffet aviser med opplagsøkning og gode forretningsideer. Det er et faktum at bransjen som helhet og de avisene som mottar produksjonstilskudd, har vist vesentlig svakere økonomiske resultater de senere årene. Derfor økte den rød-grønne regjeringen produksjonstilskuddet i 2013 og foreslo en ytterligere økning i 2014.

men som er en dramatisk endring av virkeligheten i mediebransjen. Jeg tror ikke siste ord er sagt om pressestøttens framtid, sjøl om en samlet opposisjon i dag sier nei til et statisk tak på produksjonsstøtten, for i regjeringsplattformen står det klart at pressestøtten skal reduseres. Og jeg har merket meg at Høyres representanter i den forbindelse har varslet nærmest en omkamp etter dagens vedtak. vedtak. Jeg ble også ganske «me' mæ» da saksordføreren her i dag uttalte seg på en slik måte at man rett og slett kan bli usikker på om saksordføreren og regjeringen virkelig har lagt vekk statisk tak eller ikke, og om han og Fremskrittspartiet ikke helt har tatt inn over seg det som er det faktiske flertallet i denne saken. i alle fall bekymret for at en del av signalene vi har fått etter at innstillingen ble avgitt, og det som vi hører fra saksordføreren i dag, vanskelig kan forstås annerledes enn at regjeringen fortsatt har til hensikt å utfordre det som er et reelt stortingsflertall i denne saken. Det vil etter min mening være svært uklokt, og det vil kun bidra til å øke usikkerheten i en bransje som allerede opplever store omstillinger, og som mer enn noe annet trenger forutsigbarhet fra politiske myndigheter i tida framover. Det er behov for en mediepolitikk som nå styrker snarere enn svekker medienes framtidsmuligheter, og som sikrer et mediemangfold. Det krever også at vi, som politiske beslutningstakere, kan bidra til forutsigbarhet omkring rammebetingelsene for bransjen. Det blir replikkordskifte. Først en liten kommentar: Vi kommer nok til å kjempe for

Senterpartiet, som er en ivrig og konsistent forkjemper for mangfoldet, ikke minst ute i distriktene, er: Hvordan i all verden ser representanten for seg at en nå kan styrke mangfoldet ute i distriktene når en sier nei til den omfordelingen som faktisk er foreslått i denne saken? Det er godt å høre at regjeringspartiene har tenkt å forholde seg til det som blir resultatet av behandlingen i salen. Det er bra. Det er riktig at Senterpartiet er opptatt av lokalavisene. Lokalavisene er faktisk blant de avisene som har kommet seg best gjennom de omstillingene man har sett så langt. De har hatt et lavere fall i annonseinntektene, og de har i større grad klart å holde på abonneentene enn mange av de meningsbærende riksavisene har klart å gjøre. Lokalavisene har utfordringer på linje med resten av bransjen, men de har faktisk i mindre grad merket de utfordringene enn mange av de meningsbærende avisene har gjort.

nullmoms på digitale medier. Senterpartiet er der helt på linje med Kristelig Folkeparti og ønsker at man skal ha momsfrie digitale medier. Det ville være et stort løft for samtlige lokalaviser i dette landet. Replikkordskiftet er omme. Saka om pressestøtta starta denne gongen i budsjettdrøftingane mellom Venstre, Kristeleg Folkeparti og

reverserte stortingsfleirtalet dette kuttet samstundes som ein òg vart samd om å be regjeringa «gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten.» Eg gjev honnør til regjeringa for at dei følgjer opp vedtaket raskt, tydeleg og på lettfatteleg vis. Ikkje minst er det viktig av omsyn til dei media som er omfatta av ordninga. Bakgrunnen for at Venstre ikkje kunne vera med på kuttet i pressestøtta, har sjølvsagt samanheng med prinsippet om føreseielege rammer og stoda i bransjen når den uavhengige kvalitetsjournalistikken er under press. Mediebransjen står midt i ei heftig, usikker brytningstid når ny teknologi er i ferd med å verta viktigare enn den papirbaserte.

Samstundes er papirannonseinntektene i perioden 2007–2013 reduserte med 30 pst., tilsvarande 2,2 mrd. kr, og eit ytterlegare fall på vel ein halv milliard er venta i 2014. Det er kort og godt tøffe tak i medieverda. Verdiar som har vore viktige å hegna om sidan pressestøtta såg dagens lys i 1969, vert til meinings- og mediemangfald, sikring av nr. 2-avisene, dei meiningsberande riksavisene som reelle utfordrarar til nr. 1-avisene, språk, ytringsfridom, tilhøyre, identitet. Dei to siste er ikkje minst viktige når me no står andsynes ei kommunereform der rolla til lokalavisene vil vera sentral for at nye grenser og naboskap vert opplevde som styrke og rikdom så raskt som råd er. Ansvaret det offentlege har for å leggja til rette for mediemangfald – ikkje minst uavhengig kvalitetsjournalistikk – er utvilsamt tyngre og viktigare enn nokon gong. Og utan å gjera noko stort poeng ut av det: Lukkast me ikkje med det på eit nokolunde ok vis, er faren stor for at marknaden for kommersielle påverknadsaktørar utan andre motiv enn profittmaksimering berre veks dei komande åra.

Eg kan roa saksordføraren med at eg òg har lese Venstre sitt stortingsvalprogram, og at det samsvarar svært godt med eit dynamisk tak: «Produksjonsstøtten bør beholdes som et virkemiddel for å opprettholde mangfold i pressen. Støtten må være plattformuavhengig og styres mer direkte inn mot journalistisk produksjon fordi et stadig mer komplisert samfunn trenger mer kompetent journalistikk. Støtten må inneholde en begrensning for hvor mye enkeltaviser kan få.» Eit dynamisk tak sikrar omsynet til at me må ha ei eller anna form for tak, samstundes som incitamentet, dynamikken til å utvikla seg vidare er på plass. Med same grunngjeving er Venstre imot eit fast kronetak, og sjølv om det på ryggmergen er tilforlateleg å kjøpa argumentet om at få aktørar får ein uforholdsmessig stor del av potten, vil det utvilsamt – og gjerne dessverre – bryta med

skal si det hyggelig – frigjort enda mer penger til lokalavisene, hvis man ønsket det på den måten. Spørsmålet er: Hva er det nå som er annerledes, slik Venstre ser det, som gjør at et statisk tak ikke lenger kan virke som en god fordelingspolitikk til de små, viktige lokalavisene? Svaret på spørsmålet er: Nytt stortingsvalprogram, ei ny og større stortingsgruppe med betydeleg meir ressursar til å jobba med eit så viktig politikkområde som rammevilkåra for mediebransjen er, gjorde bl.a. at me i forkant av Venstres alternative budsjett i haust, kor me forlét prinsippet om eit statisk kronetak før me gjekk i forhandlingar med regjeringspartia, hadde ein eigen minihøyringsrunde med ulike aktørar i mediebransjen. Venstre er

til alternative budsjetter med statisk tak på 30 mill. kr, ville det kanskje betydd 17 mill. kr til de små lokalavisene – mangfold i distriktene. I dag sier altså Venstre nei til å fordele 7 mill. kr til lokalavisene i distriktene. Er dette partiprogrammet å anse som veiledende? Er det noe som kan kjøres rent og dyrkes? I opposisjon her i Stortinget kan man dyrke partiprogrammet. Er det å anse som veiledende nå, skal vi forholde oss til det,

eit dynamisk tak, samstundes som det varetek veldig godt eit anna viktig poeng med pressestøtteregimet: incitamentet og dynamikken som ligg i at det heile tida skal løna seg å streva etter å vidareutvikla både forretningsmodellar og eigarverksemd. Representanten Breivik heldt som ofte før eit reflektert og godt innlegg,

Det er ting eg kan irritere meg over med Arbeidarpartiet, og nokre ting gler eg meg over, men Internett har dei korkje æra eller skulda for. Det er mi klare oppfatning. Derimot er det eit utviklingstrekk som på mange måtar har bidrege – og vil halde fram med å bidra – positivt. Det som særleg er viktig er, at tilgangen til kunnskap, kultur, nyheiter, sport og kva det skulle vere, er så enormt mykje større. Nesten kor du er – og ikkje alltid i samtid eller der det skjer – kan du så enormt mykje større. Nesten kor du er – og ikkje alltid i samtid eller der det skjer – kan du få den tilgangen. Noko som òg er viktig, men som kanskje er vektlagt litt mindre her, er moglegheita til sjølv å delta i spreiinga av nyheiter. Du kan delta i debattar og formidle ditt syn. Det finst no aviser som er drivne av menneske sjølv, som er dei som aktivt spreier nyheitene, og som er etablert fleire stader i verda. Desse endringane Ei viktig utfordring, som ikkje er hovudtemaet her, men som eg synest det er verd å nemne, er at dei organisasjonane som i stor grad har bygd mediestrukturen, opplever eit sterkt press mot å bruke sine ressursar på den raske spreiinga av korte nyheiter – heile tida å oppdatere og heile tida nå ut med nye ting, fordi det er stor etterspurnad etter det. det. Vi ser at ressursbruken når det gjeld å fordjupe seg og å vere grundig, tenderer til å tape mot det raske. Det skjer av forståelege grunner, men det gjev styresmaktene ansvar for utvikling og å gjere noko med det. Dei modellane vi har basert oss på, skal gjennom ei stor omlegging. Nokre av dei mediehusa er godt i stand til det og har store ressursar til å handtere dette. NRK gjer mykje fornuftig i samband med det. Om eg ikkje tar feil, har VG allereie ca. 70 pst. av sine inntekter frå det digitale.

og at vi ikkje bør ha eit statisk tak. Eg synest fleire representantar har argumentert godt for det. Det er ein umoderne måte å regulere mediemangfaldet på, som ikkje fungerer. Det vil vere utfordrande dersom nokre medier, som i eit mangfald speler ei viktig rolle, når opp mot det taket. Det som er avgjerande, er at dei ikkje blir for einsidig avhengige av å få offentleg støtte, ikkje om dei tek ut eit noko større beløp enn det vi akkurat nå skulle foreslå. Vi kjem til å støtte forslaget frå Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti. La meg heilt til slutt få seie at eg ser fram til ein vidare debatt om den breiare mediepolitikken. Dette er ein viktig del av det. Norske mediehus står kanskje i ein meir alvorleg situasjon enn på svært lenge. Vi skal ikkje overdramatisere, men eg trur det er behov for

I alle andre debatter om penger fremstår partiet til representanten Solhjell som opptatt av å skjerme dem som har lite, og kanskje å forsyne seg hos dem som har litt mye. Så jeg lurer på hva som er så annerledes her. Hva er det som gjør at SV og representanten Solhjell ikke ser at man kunne begrense støtten til noen av dem som faktisk har god soliditet og tilfredsstillende inntjening,

men som er avhengig av støtte for at vi skal få det samla mediemangfaldet. Det er nokre meiningsberande aviser som er svært viktige, som vi derfor synest det er riktig å ha i mente når vi lagar ordningar. Så er det mangfaldet av mange små lokalaviser som òg er viktig å ha i mente. Som det har blitt sagt før her: Har ein ei rammestyrt ordning, må ein fordele innafor ramma eller gjere noko med ramma. Vi har både i 2013 og 2014 lagt fram forslag om å auka ramma, noko som etter mitt syn har gjeve ei betring, både for nokre av dei meiningsberande som tek ein del stor del av kaka, og for dei mange små, som òg er ein viktig del av mangfaldet. Det ville vore på høg tid! Jeg pleier ikke så ofte å si at SV er pleier ikke så ofte å si at SV er et moderne parti, og jeg vet ikke om jeg skal si det nå heller. Men SV har nå hatt en politikk hvor man syntes det var moderne å tenke at man skulle legge et statisk tak på 40 mill. kr – da de satt i regjering – og man syntes det kanskje var moderne å fordele ut til de små lokalavisene. Noen små lokalaviser gjør det bra, så det er ikke slik at alle går dårlig. Men nå er det plutselig moderne for SV å gi mest til dem med mest fra før og å la de små lokalavisene der ute gå over ende. Er dette moderne og framtidsrettet? Det vil jeg gjerne vite. SV er moderne, men representanten Stordalens versjon av korleis han tenkjer at SV meiner vi vil bli oppfatta, høyrdes ikkje så moderne ut. Det er eg einig i.

Det viktigste regjeringen kan gjøre, er derfor å gi bransjen rammebetingelser og handlingsrom for utvikling og innovasjon. Det er bransjen selv som må definere sin plass i den nye medieøkonomien, det kan ikke regjeringen gjøre. Regjeringen vil imidlertid legge til rette for dette, bl.a. ved å sørge for at offentlige virkemidler er effektive og målrettede og likebehandler publiseringsplattformer. Vi har derfor lagt om produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier med virkning fra og med i år. Den nye ordningen er plattformnøytral. Det vil si at tilskudd ikke lenger er avhengig av, eller blir beregnet bare på bakgrunn av, publisering på papir. Dette er en svært viktig endring, fordi vi nå har fått en støtteordning som overlater det til bransjen selv å beslutte hvordan, og på hvilken teknologisk plattform, innholdet skal formidles. Vi mener dette vil fremme innovasjon og utvikling og bidra til å hjelpe mediebransjen gjennom den digitale overgangen. Vi ser at det stadig dukker opp nye trender i mediebransjen, og på lørdag kunne vi lese om en ny oppblomstring av gravende journalister på nett i USA. Denne trenden har så langt ført til 5 000 nye heltidsjobber i ulike nettsider. Et styremedlem i Facebook og eBay spår til og med en ny gullalder for journalistikken, med en vekst på mellom 10 og 100 ganger i årene som kommer: Kanskje vi har gått inn i en ny gullalder for journalistikken, vi har bare ikke erkjent det ennå, skriver Marc Andreessen på sin hjemmeside. Et av hovedformålene med produksjonstilskuddet er å fremme mediemangfold. Vi har derfor et ansvar for å sørge for at midlene som bevilges til ordningen, brukes effektivt. Dette kan i utgangspunktet være utfordrende, fordi produksjonstilskuddet er en rammestyrt ordning. Dersom en stor del av rammen blir tildelt én eller noen få aktører, kan det bli lite igjen til de øvrige. Dette fremmer ikke mangfold. Mangfold forutsetter at midlene spres, slik at man kan få fram mange ulike stemmer. I tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II har vi derfor i stortingsmeldingen foreslått at det innføres et absolutt tilskuddstak på 40 mill. kr per medieselskap per år fra og med 2015. Den forrige regjeringen har allerede notifisert et statisk tilskuddstak til ESA som forberedelse på innføringen. Jeg vil understreke at det foreslåtte taket på 40 mill. kr ikke innebærer et kutt i den totale rammen for pressestøtten. Midlene som frigjøres ved at enkeltaktører treffer taket på 40 mill. kr, vil ikke gå ut av ordningen, men brukes til en omfordeling fra noen få til det store flertallet Jeg vil avslutningsvis minne om at forslaget om å fastsette et tilskuddstak på 40 mill. kr er en videreføring av et forslag fra forrige regjering. I juni i fjor notifiserte regjeringen Stoltenberg II til ESA at ordningen skulle tre i kraft med et tilskuddstak på 40 mill. kr. Etter en høringsrunde valgte de å opprettholde dette forslaget. Det har vi videreført. Det er nemlig gode grunner for at ikke noen få enkeltmedier skal få nesten en tredjedel av pressestøtten. Jeg har merket meg at også komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet nå har snudd i denne saken, ved at disse nå går imot et statisk kronetak. Dette mener jeg er uheldig, fordi vi får en risiko for at enkeltaktører får en uforholdsmessig stor andel av pressestøttemidlene, med det resultat at vi får mindre mangfold for pengene.

varsle at man ønsker omkamp om ordningen ganske raskt. Hvordan vil statsråden følge opp det vedtaket som blir gjort her i salen i dag? Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er: Vi har hørt representanter for regjeringspartiene ha en rørende Mitt spørsmål til statsråden er da: I Prop. 1 S Tillegg 1 for 2013–2014 foreslo regjeringen et kutt på 50 mill. kr i pressestøtten. Ville det blitt mer eller mindre penger på lokalavisene med det foreslåtte kuttet? For å ta det første først: Det er helt klart at regjeringen vil følge opp det vedtaket som Stortinget gjør, det er det ikke noen tvil om. Jeg forholder meg til de flertallsvedtakene som Stortinget pålegger oss, så det vil bli fulgt opp. Når det gjelder omfanget på produksjonstilskuddet, mener jeg at nettopp derfor er det svært viktig – uavhengig av størrelsen på så det vil bli fulgt opp. Når det gjelder omfanget på produksjonstilskuddet, mener jeg at nettopp derfor er det svært viktig – uavhengig av størrelsen på produksjonsstøtten i sin helhet – at vi hadde innført et tak. Jeg mener det ville vært klokt å ha et tak, for det ville gitt en bedre fordelingsprofil med hensyn til hvor mange medier som kunne fått det. Så jeg mener at det ville vært et mye bedre

det tilleggsforslaget vi kom med, der vi ønsker å se på om det går an å ha ytterligere begrensninger på uttak av utbytte, og sette andre krav til egenprodusert stoff. Jeg kunne tenkt meg at det ble kommentert fra statsråden. Det andre er at det hadde vært interessant å høre om statsråden er enig i representanten Thomsens forslag om at det bør være en felles nullmoms for

når det kan iverksettes. Når det gjelder forslaget som er fremmet, er det faktisk flere ting som er innført i forbindelse med den nye ordningen – kriterier som nå er blitt satt i forbindelse med utbytte. Men hvis man føler at det er behov for å gjøre ytterligere vurderinger i så henseende, har ikke jeg noe imot å be regjeringen vurdere forslaget – jeg er villig til å gjøre det.

Hva mener kulturministeren er det viktigste regjeringen nå kan bidra med for å sikre robuste mediehus og for å sikre god produksjon av norsk journalistikk til norske lesere? Jeg mener det viktigste regjeringen kan gjøre, er å legge forholdene til rette for økt innovasjon og nytenkning for mediene, og at og at de får anledning til å likestille plattformene. Derfor er det svært viktig, det som Stortinget nå støtter regjeringen i – plattformnøytralitet i produksjonsstøtten. Det er også svært viktig at det er plattformnøytralitet med tanke på mediemoms i framtiden. Som jeg sa tidligere, har vi nedfelt i i Sundvolden-plattformen at vi vil utrede dette, eller at vi vil jobbe for å få til en lavmoms. Det jobber finansministeren og jeg med. Vi ser nå på både innretningen av ordningen og nærmere detaljer om overgangsordninger, og både tidsaspektet og innholdet av dette vil bli fremmet i budsjettproposisjonen

Derfor er noen av de debattene vi har i dag, vesentlige – både om produksjonstilskuddet og om utbytte, som er tatt opp her. Også det som går på moms, er viktig i den framtidige debatten. Jeg opplever en regjering som stort sett fastholder de gamle standpunktene, den gamle kritikken – den gamle skepsisen – mot pressestøtten. pressestøtten. Så møter de i Stortinget i dag et flertall som mener noe annet. Ser ikke statsråden behovet for en ny form for dialog med Stortinget om de endringene som skjer så raskt, sånn at vi ikke får … Taletiden er ute. Jeg er veldig glad for å få denne debatten i Stortinget. Vi har hatt en god debatt. Da vi diskuterte budsjettet for 2014, hadde vi også en runde om disse tingene. Det er svært viktig at dette er godt forankret i

grunnleggjande einig i den retninga kulturministeren tar for å beskrive det som skjer, nemleg at nettet inneber ei kjempemoglegheit for journalistikk i framtida. Det vert lettare å nå mange til ein lågare kostnad, og det vert mange fleire moglegheiter til sjølv å vere bidragsytar, vere debattant. Men omstillinga er tøff å ta for mange. Oppgåva til politikarane er å sørgje for sørgje for å vere leiande i å ta dei nye moglegheitene i bruk – utan at kompetansen og alt anna som ligg i dei etablerte husa, forsvinn – når forretningsmodellane endrar seg, og salet av papiraviser og annonseinntekter går ned. Det eg kunne tenkje meg å spørje kulturministeren om, er: Bortsett frå momsspørsmålet – som har vore nemnt her – og produksjonsstøtta, vurderer kulturministeren andre moglege politiske grep, anten det som kostar pengar, eller det som ikkje kostar pengar, for å

men også at annonseinntektene har sviktet. Dette har akselerert den siste tiden. Det har i de siste åtte årene vært et skrikende behov for å ta nødvendige grep – man har ønsket at man hadde gjort det. Jeg er veldig glad for at vi i hvert fall har mulighet til å gjøre det. Jeg ser heller ikke vekk fra at det, når man eventuelt skal innføre en plattformnøytralitet, kan bli behov for overgangsordninger med tanke på momsen. Det er en av de tingene som vi vil se på, og som vi vil komme tilbake til i forbindelse med budsjettet for 2015.

utviklingen. De sterkeste og mest kommersielle aktørene har overlevd. De svakeste – fortrinnsvis verdi- og meningsbaserte – medier har dødd. Den norske pressestøtten, som nå er utvidet til å gjelde elektroniske medier, har slik sett vært en suksess. Den har virket etter sin hensikt og gitt liv til lokalaviser over hele landet. Den har holdt liv i meningsbærende aviser. Det er den underliggende virkeligheten for den saken som vi nå drøfter, og som konkret dreier seg om produksjonstilskuddets størrelse, eller om – enda mer konkret – produksjonstilskuddet til avisene Vårt Land og Dagsavisen skal reduseres med henholdsvis med 4 mill. kr og 3 mill. kr årlig. Det vil, som kjent, være en konsekvens av regjeringens forslag om å sette et beløpsmessig tak på produksjonsstøtten til det enkelte medieforetak. Det er selvfølgelig en ren tilfeldighet at forslaget rammer to av de avisene som hver på sin måte er kritisk til regjeringens politikk. Selv om et slikt kutt isolert sett kanskje kan synes håndterbart, er det uten videre klart at det svekker mulighetene for å drive uavhengig, kritisk journalistikk. Det kommer dessuten på toppen av en dramatisk inntektssvikt for avisene. Da blir et slikt kutt raskt livstruende. Både Vårt Land, Dagsavisen og en rekke andre papir- og abonnementsbaserte medieforetak er avhengige av ikke mindre, men mer pressestøtte i årene som kommer, for å kunne overleve. Det er ikke noe nytt at Høyre og Fremskrittspartiet går løs på pressestøtten. Det har nærmest vært en tradisjon opp gjennom årene. Over tid har vi opplevd en konsentrasjon av mediemakt i Norge. Det er i seg selv betenkelig og en trussel mot det mangfoldet vi ønsker skal prege norske medier. Når vi i tillegg opplever at eierne stiller utbyttekrav, som svekker kvaliteten og reduserer mulighetene for å drive kritisk journalistikk, vil det i sin tur svekke oppslutningen om vår mediepolitikk. Det er neppe gitt at det stortingsflertallet vi har i dag, vil hegne om en mediepolitikk som snarere bidrar til å sikre eierinteressene et høyt utbytte, enn til å sikre mangfold og kvalitet i norske

45 år er jo noe – også for en støtteordning. Og det har vært en rivende utvikling, ikke minst på den digitale siden, i denne tiden. Det er gjort flere endringer, som støttes av et bredt politisk flertall. Produksjonstilskuddet er blitt lagt om, fra et tilskudd forbeholdt papiraviser til et plattformnøytralt tilskudd. Det er innført et dynamisk tilskuddstak. Samlet tilskudd per år kan nå maksimalt utgjøre 40 pst. av driftskostnadene til det enkelte medieselskap for å sikre at den enkelte støttemottaker ikke i for stor grad blir avhengig av tilskuddet. Stoltenberg-regjeringen sendte i sin periode ut på høring et forslag om å fastsette et beløpstak for hvor mye et enkelt medieselskap kan motta i årlig tilskudd. Det ble foreslått at taket skulle settes til 40 mill. kr. Dette foreslås fulgt opp i denne saken. Det er derfor litt forunderlig at Arbeiderpartiet nå, kort tid etter, er kort tid etter, er imot dette taket. Hensikten med å innføre et statisk støttetak er å sikre at støtten i større grad gir grunnlag for et fortsatt mangfold av utgivelser i det norske medielandskapet. Det har tidligere vært bred politisk enighet om at produksjonstilskuddet i større grad skulle rettes mot de minste lokalavisene, med den begrunnelsen at disse var særlig viktig for lokaldemokratiet. Allikevel har de store avisene de siste årene sett ut til å ha mottatt mer støtte, på bekostning av de små. I min hjembygd, Nittedal, er det lokalavisen Varingen som gjelder. Har en ikke lest den, er en ikke med på det som skjer. Rundt om i landet er det mange slike som er med på å holde lokaldemokratiet levende. Et statisk tak ville kunne ha frigjort midler og målrettet ordningen, slik at flere av de små avisene hadde fått mer å rutte med. Isteden velger flertallet i denne sal å stemme for en ordning som, uavhengig av støttens størrelse, gir mer til dem som har mest fra før. Jeg er veldig glad for at vi har brukt såpass mye tid på et så viktig tema som media. Men noe av det jeg savner i argumentasjonen fra Høyre og Fremskrittspartiet, er Men noe av det jeg savner i argumentasjonen fra Høyre og Fremskrittspartiet, er at man ser de ulike rollene til de ulike avisene. Lokalavisene er viktige, men regionavisene og de nasjonale avisene betyr noe annet, spesielt de regionale. Jeg kommer fra Bergen, en by som Oslo, en by som har kjempet for å få TV 2 utenom Oslo. Vi har opplevd på kroppen og i sjelen hvor viktig det er for hele Medie-Norge at virkelighetsbildet er noe mer enn bare det vi ser her fra Oslo. Da trenger vi sterke miljøer, både økonomisk og når det gjelder å drive kritisk journalistikk. Det er regionavisene som har den muligheten. Men det vi har sett nå, er at antallet aviser i de store byene gradvis har gått ned. Da tenker jeg på dagsaviser. Det svekker demokratiet. Forskning fra England viser helt tydelig at mangfoldet og debattene blir svekket i de byene som har færre aviser enn andre. Jeg kan nevne et eksempel fra min egen by, Bergen, med Bergens Tidende og BA. Vi har fortsatt to aviser, men vi har sett at Bergens Tidende gradvis har kjøpt opp alle lokalavisene. Det er redaksjonell frihet, men de har samtidig koordinert annonsemarkedet, og det struper BA gradvis. Hadde vi ikke hatt mesener som Trond Mohn, er jeg sikker på at vi bare hadde hatt én avis i Bergen. Det man også må passe på – det hadde jeg håpet at man hadde klart istedenfor å presentere en stykkevis og delt melding og presentasjon av mediepolitikken – er å se dette i en sammenheng. Det jeg har opplevd når jeg har vært rundt i avismiljøene i Hordaland, er at avisen Hordaland er den eneste som har et trykkeri utenom alt som er sentralisert i

og at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke bare bidrar til det store demokratiet, men også til å løfte fram dette, så vi får en enda mer spenstig og moderne mediepolitikk framover. De fleste har sagt det, og jeg vil gjenta det: Ja, vi slår fast at mediebransjen er De fleste har sagt det, og jeg vil gjenta det: Ja, vi slår fast at mediebransjen er inne i en ganske spesiell tid, en utfordrende tid. Det skjer mye, og det skjer fort. Jeg har også lyst til å gi støtte til representanten Aasrud, som var inne på at de har litt skyld i det selv også. De har vært på vent. Men jeg forstår det, for nå skjer utviklingen så fort at de ikke helt vet hvor de skal satse På begynnelsen av 2000-tallet sa redaktørene selv at innen 2010 ville papiravisene være borte. Nå er det referert fra salen her i dag at VG nå sier at papiravisen kanskje er borte i løpet av et par år. Det er vanskelig å se hvordan dette utvikler seg, og det er utfordrende for bransjen, men vi tar nå viktige skritt som hjelper, med plattformnøytraliteten. Det dynamiske taket har vi tatt, men det kommer til å bli nye utfordringer for denne bransjen som vi ikke helt ser rekkevidden av i dag, og derfor blir det flere debatter framover. Disse nye plattformene gir nye muligheter og helt sikkert muligheter vi ikke har fanget opp ennå. Det diskuteres om ukeavisene bør inn under den samme ordningen, og da må vi få objektive og gode kriterier for å ta dem inn. De inn. De papiravisene som er igjen, og som er aktive, ser på nye måter å distribuere og etablere seg på. Det å se på kriterier og definisjon blir viktig. Jeg har merket meg at representanten Gullvåg er helt klar på hva som er nødvendig her. Det er de som kritiserer regjeringen. Det vil kanskje bety at vi må endre pressestøtten etter hvem som sitter i regjering. Nå må jeg si at jeg personlig ikke er helt sikker på om jeg har funnet dem som er så veldig positive til oss politikere sånn i det daglige, men skulle det være én av dem jeg har opplevd de siste årene, er det Vårt Land. Det har selvfølgelig å gjøre med politikkområder en har jobbet med. Det er ikke siste gang vi diskuterer dette her i salen. SV repliserte at det iallfall var ære til Høyre, som gikk ned med flagget til topps, fordi vi kjempet sånn i denne saken.

det, så varsles det ikke noen omkamp om det statiske taket. Vi kjemper en kamp frem til votering, og etter votering avfinner vi oss med det som blir resultatet – slik at det er helt tydelig. Som jeg sa i mitt første innlegg, er bransjen – som alle andre har pekt på også – i en så som alle andre har pekt på også – i en så hurtig endring at det å ha en ordning som bare konserverer det vi har i dag, nok ikke er tilfredsstillende. Det å se på hvordan man innretter ordningen i årene fremover, vil nok være et løpende arbeid. Det er viktig også å ta med seg et par fakta. Vi får høre at pressestøtten har vært en så stor suksess at vi er verdens mest avislesende folk. Det er for så vidt riktig, men samtidig har våre naboland Finland, Danmark og Sverige – som har helt andre ordninger – en mye høyere tetthet av journalister. Det er mange flere journalister per innbygger i de landene enn det er i Norge, så så rosenrødt er det nok ikke. Noe som kanskje er enda viktigere å huske på, er at de aller fleste journalister i Norge jobber i aviser og mediehus som

Jeg tenker at det sier litt om hvordan man kanskje tenker litt forskjellig i ulike leirer. Det er ikke sånn at støtte er målet, eller at støtte er alt. Jeg har snakket med flere aviser som sier at en virkelig fri presse er en presse som klarer seg selv – uten støtte. I møte med noen av de avisene er det også gledelig å notere seg at de sier det faktisk er et mål å komme seg ut av støtteordningen. Da først føler de at de er virkelig frie og kan sette et enda mer kritisk søkelys på samfunnet rundt

opplever at støtte kanskje av og til nesten kan bli en forretningsmodell, og som det skrives i sakens dokumenter, vil det innebære en straff for aktører som eventuelt skulle lykkes med nye forretningsmodeller, å øke sine opplag. Det er ikke sånn man tenker. Øker man sitt opplag, øker man sannsynligvis også sin inntjening, og da bortfaller sannsynligvis behovet for deler av støtten. Uansett er det gledelig å se at alle innser alvoret Alle innser utfordringene, og det virker som det er forståelse for at hvordan man innretter støtten, er det behov for en løpende diskusjon om. Det er

men jeg gjør også oppmerksom på at det allerede er mange nye bestemmelser i nåværende regelverk som skal sikre at støtten blir brukt til formålet. Når det gjelder utbytte, er det helt klart gitt uttrykk for at vi nå åpner opp for at det kan tas ut utbytte. Det er for å bedre de små nyhetsmediers mulighet men utbytteadgangen er samtidig begrenset for å sikre at støtteordningens legitimitet opprettholdes, og at midlene brukes til formålet. Så har vi satt inn i regelverket at det ikke gis tilskudd til medieselskap som har overskudd etter skatt på mer enn 2 mill. kr siste regnskapsår eller mer enn 6 mill. kr etter skatt Videre vil medieselskap med en gjennomsnitts driftsmargin på over 10 pst. de siste tre årene, inklusiv utbetalt produksjonstilskudd, få en tilsvarende avkortning i tilskuddet. Endelig vil jeg også vise til at ordningen inneholder mekanismer som skal sikre at midlene brukes i tråd med formålet, f.eks. skal overskuddet i et medium komme det enkelte medieselskapet til gode. Det er altså ikke mulig å flytte tilskuddet oppover til morselskapet. Så det er allerede lagt inn veldig mange regler i dette. Så er det noen som kanskje også tenker på om det går an å legge inn noe om at det ikke skal være for høye lønninger. høye lønninger. Da har jeg bare lyst til å si at jeg går ut fra at det er profesjonelle eiere, som vil sørge for et lønnsnivå som sikrer gode ledere, men som også selvfølgelig tar hensyn til bedriften sin. Jeg mener det er uheldig at staten skal gripe inn i lønnsdannelsen. Men jeg ser også at dette selvsagt er et dilemma som kan oppstå fordi vi gir direkte tilskudd til avisene. Men, som sagt, hvis dette forslaget skulle bli oversendt, som det er kommet en anmodning om, skal jeg være villig til å se på disse ulike reglene en gang til. Debatten går mot slutten, og debatten har vist at det er en bransje som står foran mange utfordringer. Vi har vært innom noen av dem i dag. Media og moms har vi touchet innom. Vi har sett på den digitale transformasjonen, som kanskje kommer til å eskalere enda raskere enn det vi har sett de siste årene. Vi diskuterer her i dag pressestøtten og innretningen på den.

Så er jeg glad for at statsråden sier hun vil se på det tilleggsforslaget som vi fremmet i salen i dag. Jeg mener det er grunnlag for å se på det. Jeg mener også det er grunnlag for å se om det er en sammenheng knyttet til lønnsdannelse og store statlige tilskudd.

Takk, president! Og takk til Arbeiderpartiet. Jeg tror mange av de tingene som Aasrud refererte til nå, er vi veldig enige om å se på. Da kan vi gjøre det i fellesskap. Det som jeg ikke fikk sagt noe om i sted, er den debatten som noen har brakt inn i dag, og som ikke er tema i dag, men som henger sammen med det vi diskuterer, og det er moms. Den ene etter den andre har vært her oppe og slått fast, og det var ikke noen bombe, at det må være plattformnøytralitet også i dette. Det må være målet. Så registrerer jeg at den ene etter den andre dukker opp, også fra regjeringspartiene som har sittet i åtte år, og som ikke gjort noe med det, og sier: Nå må vi få ned momsen på aviser. Det er spennende. Vi i Høyre har sagt at vi også har det målet. Vi har ikke sagt helt hvor vi skal lande.

når de får gode ordninger. Så må vi se på argumentet for å ha en lav moms. Hva utløser dette av andre som også bør ha lav moms? Hvordan virker det inn på hele momsproblematikken i samfunnet når vi begynner å dra ut den ene etter den andre av det systemet? Hvordan påvirker det økonomien vår? Hva med litteraturbransjen, som venter på det samme? Hvilket nivå skal det være, og hvilke overgangsordninger skal Jeg er glad for at noen partier her i dag har flagget helt klart hva de står for. Jeg håper at vi kan ha en diskusjon framover for å finne de gode, helhetlige løsningene på dette. Det blir utfordrende, både fordi det koster penger og skal inn i et budsjett, og fordi vi må lage ordninger som ivaretar alle grupper på en rettferdig og god måte. Det blir en spennende debatt. Da ser det ut som om alle har tømt sine hjerter!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

ned. Det andre er om vi ønsker at regjeringen legger fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som gjennomfører lokal forvaltning innenfor nasjonale retningslinjer, inntatt i loven, og føringer for et eventuelt slikt lovforslag. Alt tyder på at dette blir vedtatt. Det mest oppsiktsvekkende med debatten vi har i dag, er at vi har en regjering som fram til i dag har insistert på å føre en politikk som bryter med loven. er det som er slått fast av Sivilombudsmannen og fremragende eksperter på offentlig rett som Jan Fridthjof Bernt. Regjeringen har gjort seg skyldig i å forsøke å hoppe bukk over vanlige demokratiske spilleregler når de har valgt å bruke forsøksloven for å drive gjennom en liberalisering av fornøyelseskjøring med scooter. Bakteppet for forsøket er den rød-grønne regjeringens utvidelse av et tidligere evaluert forsøk i åtte kommuner til en forsøksordning i 40 kommuner.

Jeg vil si at det er uhørt av regjeringen å nekte umiddelbart å følge Stortingets egen sivilombudsmann i en sak som er så klar, og som har så klare prinsipielle sider. Jeg merker meg at kontroll- og konstitusjonskomiteen har åpnet sak, og jeg har merket meg at Turistforeningen har varslet søksmål i forlengelsen av Sivilombudsmannens vurdering. Jeg forlanger derfor at klimaministeren viser den nødvendige respekt for at klimaministeren viser den nødvendige respekt for Stortingets institusjoner når hun om få minutter skal opp på Stortingets talerstol, og varsler Stortinget om at regjeringen trekker den ulovlige forsøksordningen. Å ikke svare på Sivilombudsmannens brev vil, etter min oppfatning, være å vise ringeakt for Stortinget. Til tross for Sivilombudsmannens vurdering har vi ikke fått flertall i komiteen for Så til spørsmålet om å endre loven om motorferdsel i utmark og vassdrag, slik at man får mer lokal forvaltning. Da vil jeg først bruke litt tid til å minne om hvorfor vi regulerer snøscooterkjøring. Jeg har tidligere stått her og snakket om at jeg har lyst til at min datter skal få ta del i naturens velsignelse høre lyden av ski som knekker den tynne påskeskaren på vei mot Torfinnshorgi på Gråsida. Nå ligger min datter nede og lytter til debatten, men siden hun bare er syv uker gammel, er nok faren mer skuffet over statsråden enn hun selv er. Men stille natur er en unik kvalitet i norsk friluftsliv. Det er da du kan høre naturens egne lyder. Noen fås frihet til å lage støy begrenser mange fleres frihet til å oppleve stille natur. Alle menneskers frihet til å oppleve naturen uten støy er en viktig grunn til at vi har sterke begrensinger på muligheten for å kjøre snøscooter i Norge. Sånn har det vært helt siden lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ble vedtatt i 1977 fordi daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland så at fornøyelseskjøring med scooter var gått over stokk og stein. To tredeler av befolkningen – et solid flertall av befolkningen – vil ikke ha unødig snøscooterkjøring i naturen, viser en kartlegging fra Miljødirektoratet. Undersøkelsen viser at motstanden mot scooterkjøring har økt fra 2012 til 2014. Dagens forvaltning har sikret dette, for folk vet hva de har, og de frykter det de får.

at scooterløypene ikke skal være til sjenanse for fastboende, hytteliv og annet friluftsliv, sier regjeringspartiene og Senterpartiet mer ullent at dette og annet kun er noe det må tas hensyn til. Det er mye mer ullent og for svakt til å gi nødvendig sikring av retten for både denne og neste generasjon til å få oppleve naturens velsignelse. Jeg må be representanten om å respektere taletiden. I Norge har vi en fantastisk natur som folk er

og at motorferdselen skal reguleres ut ifra det. Derfor er den og forskriftene ganske strenge når det gjelder bruk av snøscooter, og sier at bruken i all hovedsak skal være det som kalles nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Alle som sitter i denne salen, kjenner godt til at det med jevne mellomrom, faktisk ganske ofte, kommer opp et ønske om å myke opp lovverket og tillate mer bruk av scooter, også til ren fornøyelseskjøring – et ønske om mer liberalisering. Jeg er for at vi skal ha en streng, men fornuftig lovgivning. Den rød-grønne regjeringen foreslo å erstatte den forsøksordningen vi hadde hatt siden 2001, med et forsøk som skulle omfatte opptil 40 kommuner etter søknad. Forsøket skulle gi oss kunnskap om hvordan vi best kan få en god styring av motorferdsel i utmark. Det var ikke en liberalisering eller en åpning, men et forsøk. Så kjenner vi historien om regjeringsskiftet og regjeringens omstridte utvidelse av forsøket til å omfatte alle som hadde lyst til å være med, noe som vil åpne opp for langt mer omfattende bruk av snøscooter enn vi har i dag. Det dreier seg altså om en ren politikkendring, uten at Stortinget har fått noen sak til behandling. Så registrerer jeg at klima- og miljøministeren i sitt brev til komiteen skriver at forsøket er ment å gi et bedre erfaringsgrunnlag. Men i pressemeldingen, som samme minister sendte ut den 15. november da saken kom, kan vi lese hva dette egentlig handler om for regjeringen. Der sier statsråden at forsøket var ment som en oppfølging av det som står i regjeringsplattformen, og iverksatt for å styrke det lokale selvstyret – altså å innføre lokal forvaltning – og at departementet samtidig startet arbeidet med et høringsbrev om endringer i motorferdselsloven som også omfatter snøscooterløyper. Sivilombudsmannen skriver i sin uttalelse den 12. juni: «Dette kan tyde på at

Han skriver at forsøksordningens omfang ligger utenfor de rettslige rammene forsøksloven setter. Tydeligere signal er det vel vanskelig å sende. Flere av oss hadde vel forventet at når Sivilombudsmannen var så tydelig, ville også regjeringspartiene støtte forslaget om å avslutte ordningen. Men nei, sammen med Senterpartiet har de flertall for å ignorere Sivilombudsmannens uttalelse. Jeg mener det er ganske drøyt. Det er helt greit å ønske fri snøscooterkjøring eller et forbud hvis man er for det. I Arbeiderpartiet er vi for mer lokal forvaltning hvis vi har tydelige nasjonale retningslinjer som tas inn i loven. Men det er ikke dét dette handler om. Poenget er at endringen må skje gjennom en lovendring i Stortinget – ikke ved å snikinnføre politikk gjennom forsøksloven. Det er også derfor vi i Arbeiderpartiet ønsker å få en sak tilbake og et forslag om endringer i motorferdselsloven, sånn at vi kan få en skikkelig behandling skikkelig behandling og får tatt diskusjonen om hva slags forvaltning vi ønsker å ha i framtiden. Motorferdselsdebatten engasjerer mange, meg selv inkludert. Det er stort engasjement både for og mot en oppmyking av loven. Det skal vi ta på alvor. Men det er også derfor saken må få en skikkelig behandling her i Stortinget. Vi skal ikke gjennomføre et forsøk som ender opp med å bli gjeldende politikk, uten at Stortinget har bestemt det. Jeg håper at regjeringen kan ta til fornuft i denne saken, men så langt er det lite som tyder på det, og det skuffer meg stort. Det er meg stort. Det er positivt at det er et bredt flertall som ønsker at motorferdsel i utmark skal forvaltes lokalt innenfor strenge, nasjonale retningslinjer. Det vil styrke det lokale selvstyret i Norge, og det er positivt. Det er avgjørende at de nasjonale retningslinjene i en ny lov rammer inn forvaltningen på en god For Høyres del betyr det at det skal være forbud mot å legge løyper i verneområder og nasjonale villreinområder. Videre er det avgjørende at motorisert ferdsel i utmark ikke er til sjenanse for det øvrige friluftslivet, for naturmangfold, for bolig- og hytteområder eller for kulturminner og kulturmiljø. Det er på linje med det som ligger i forskriften i dagens forsøksordning,

så ikke var tilfelle. Når alle disse hensynene skal ivaretas, stilles det store krav til kommunenes evne til å kartlegge arealer og viktige kultur- og naturverdier. Forsøkskommunen Fauske kan tjene som eksempel på det. Etter at kommunens areal var kartlagt, viste det seg at 93 pst. av arealet i kommunen ikke er egnet for etablering av scooterløyper. På de gjenværende 7 pst. må selvsagt grunneiernes godkjenning innhentes før man kan etablere Dette er med andre ord ikke noe frislipp. Verken den forsøksordningen som forrige og nåværende regjering har igangsatt, eller den lovendringen som et bredt flertall i Stortinget tar til orde for, er det. Når det gjelder dagens forsøksordning og Sivilombudsmannens uttalelse om denne, legger jeg til grunn at regjeringen gjør en rask og grundig vurdering av Dette er i tråd med Sivilombudsmannens egen uttalelse, der regjeringen nettopp bes om å gjøre en ny slik vurdering. Det er altså ikke Stortinget som er bedt om å gjøre denne vurderingen av forsøket, men regjeringen. Derfor stemmer ikke vi for forslaget om å instruere regjeringen i denne saken, men har tillit til at regjeringen selv klarer å fatte en god beslutning med utgangspunkt i Sivilombudsmannens uttalelse. Så sier representanten Eidsvoll Holmås at to tredjedeler av landets befolkning ikke vil ha scooterløyper. Hvis det er riktig, trenger ikke representanten Eidsvoll Holmås å bekymre seg for at det kommer til å være mange scooterløyper som hans datter med tiden vil forstyrres av, for da vil man jo lokalt bestemme seg for at man ikke ønsker slike løyper. vil man jo lokalt bestemme seg for at man ikke ønsker slike løyper. Det er det som er så flott med lokal selvråderett. Vettet er jevnt fordelt i det ganske land, og jeg er helt sikker på at man lokalt kan gjøre gode vurderinger av disse spørsmålene innenfor de nasjonale retningslinjene som skal fastsettes i en ny lov, og som et bredt flertall ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med så raskt som mulig. Det er

Men vi må huske på at verden ikke er laget slik at denne regjeringen tar et initiativ til at kommuner som ikke ønsker scooterkjøring, skal bli påtvunget noe som helst. Tvert imot er situasjonen slik at kommuner kan søke om å komme inn i en prøveordning basert på frivillighet ut fra et lokalt demokrati etter strenge nasjonale retningslinjer. Det er litt pussig å høre på at Arbeiderpartiet står her og prater om at de også selvfølgelig ønsker lokalt selvstyre, men når man ser på retningslinjene som de legger opp til, kan man begynne å lure på hvor mye som er igjen av det på retningslinjene som de legger opp til, kan man begynne å lure på hvor mye som er igjen av det lokale selvstyret: «Retningslinjene bør inneholde forbud mot å legge løyper i verneområder, villreinområder, viktige friluftsområder og områder som er særlig viktige for enkelte fugle- og dyrearter og annet naturmangfold. Videre skal scooterløypene ikke være til sjenanse for hytteliv, fastboende og for friluftsliv, naturmangfold, bolig og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Det øvrige skal man da overlate til lokalstyret. Det er ikke stort som er igjen da. Representanten Eidsvoll Holmås hevder at regjeringen bryter loven. Det samme gjør Arbeiderpartiets kongepolitiske talsmann, Kolberg han hevder at regjeringen bryter loven. Jeg har sagt tidligere at det blåser en vind over landet som tydeligvis går på at noen mennesker tror at avgjørelsen blir tatt på et eller annet kontor på Stortinget. Jeg vet ikke om det er på kontoret til Eidsvoll Holmås, på kontoret til Kolberg, eller om det er på kontoret til Storberget. Det tør jeg ikke si, men de facto er det

Der noen hevder at snøscooterkjøring er en forbannelse og en styggedom man bør unngå for enhver pris, er det slik at den store majoriteten av befolkningen i eget fylke og Nord-Troms har utrolige gleder av å kunne bruke snøscooter om vinteren. Ikke folk har en utrolig trivsel, og det er utrolig artig å treffe scooterfolk ute. Det er en positivitet som lyser av alle, fra de minste på 2–3 år til besteforeldre på både 70 og 80 år. Den friheten og muligheten skal altså ikke flere kunne få lov til å nyte.

neste taler er representanten Michael Tetzschner og deretter representanten

Ordninga som opprinnelig var begrenset til 40 kommuner, utvides, slik at alle kommuner som har meldt sin interesse, får delta, totalt 108 kommuner. Parallelt med iverksettelsen og utvidelsen av forsøket har departementet startet arbeidet med et høringsbrev om endringer i Regjeringa har til hensikt å gjennomføre en lovendring i løpet av inneværende stortingsperiode, før forsøket er avsluttet og endelig evalueringsrapport foreligger. Kristelig Folkeparti er kritisk til en slik fremgangsmåte, fordi den tilsidesetter en sentral del av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, uten at et lovendringsforslag er forelagt og vedtatt av Stortinget. sentral del av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, uten at et lovendringsforslag er forelagt og vedtatt av Stortinget. Sentrale interesser er ikke blitt hørt. Regjeringa oppnår på denne måten at en ønsket lovendring kan tre i kraft med umiddelbar virkning uten forutgående lovendringsprosess. Det er skapt betydelig usikkerhet om hvorvidt utvidelsen av forsøksordninga er i har vist at forsøket ikke er i tråd med loven. Regjeringas argumentasjon om lovligheten av den utvidede forsøksordninga er ikke overbevisende. Jeg vil vise til Sivilombudsmannens uttalelse 12. juni, hvor han skriver følgende: «Slik saken er opplyst har jeg kommet til at forsøksordningens omfang ligger utenfor de rammer forsøksloven setter. Departementet bør derfor foreta en ny vurdering av forsøksordningen, og da særlig behovet for antall kommuner.» Jeg mener regjeringa nå må legge avgjørende vekt på vurderinga som Sivilombudsmannen kommer med. Dersom regjeringa ikke gjør det, må Stortinget sørge for at forsøksloven praktiseres innenfor forsøkslovens rammer. Kristelig Folkeparti mener regjeringa bør legge forsøksordninga til side og konsentrere seg om raskest mulig å utarbeide og fremlegge et forslag om endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til behandling i Stortinget. Kristelig Folkeparti konkluderte i forrige stortingsperiode med at alle norske kommuner bør få samme mulighet som de åtte forsøkskommunene har hatt siden 2000 til økt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark. motorferdsel i utmark. Motorferdsel skal bare foregå innenfor avgrensede områder og innenfor strenge nasjonale retningslinjer. Økt kommunalt selvstyre forutsetter at kommunene tar sitt ansvar for at viktige natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt. I perioden 2000–2005 ble det gjennomført et forsøksprosjekt med utvidet lokalt selvstyre i åtte utvalgte kommuner. De kommunene som har vært med i prosjektet, har hatt lov til å etablere både turistløyper og rekreasjonsløyper. Forsøket har i ettertid blitt evaluert av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Evalueringa viser at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. forsøkskommunene. Befolkninga i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggerne i kommuner som deltok i prøveordninga. Jeg vil minne om at en viktig overordnet målsetting med forsøksordninga var at formålsparagrafen i motorferdselloven skulle oppfylles bedre enn i dag. Formålsparagrafen bygger på tre hovedelementer: samfunnsmessig helhetssyn, vern om og det å fremme trivsel. Gjennom plan- og bygningsloven ble det gitt mulighet for etablering av egne løyper for rekreasjonsformål, noe som ble gjort i noen kommuner, i andre ikke. Jeg mener evalueringa nettopp viser at kommunene er i stand til å foreta disse avveiningene på en god måte, og at det er fullt mulig å opprettholde en restriktiv nasjonal politikk for motorferdsel – selv om en åpner for utvidet lokalt selvstyre og er åpen for lokale variasjoner. Kristelig Folkeparti ønsker derfor å åpne opp for økt lokalt selvstyre – med samme formål og begrensninger som var gjeldende før forsøksordninga.

den. De to tingene bør holdes litt fra hverandre, for det første dreier seg nemlig om det materielle innholdet. Jeg syns det er svært gledelig at et så bredt flertall i dag legger til rette for at det skal gis økt lokalt sjølstyre når det gjelder fritidskjøring med snøscooter. Jeg tror at det er et fornuftig vedtak vi kommer til å gjøre, og jeg er glad for at så mange av partiene har stilt seg bak det. Så har vi litt ulike meninger om hvilke nasjonale retningslinjer som bør legges til grunn for det økte lokale sjølstyret. Men jeg må si at den uenigheten heller ikke er veldig gjennomgripende. Alle partiene vil at en ikke skal kunne anlegge løyper i verneområder, i nasjonale villreinområder. Senterpartiet, Høyre og også klart at en må ta hensyn til både friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og kulturminner, og også bolig og bygningsmiljø. Jeg tror at det er svært få som ønsker noe frislipp av snøscootere i naturen. Senterpartiet ønsker slett ikke det. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om at kommunene i større grad skal få lov å avgjøre om en skal anlegge snøscooterløyper. Det mener jeg kommunene er fullt ut i stand til. Og jeg mener, som representanten Astrup, at vettet er noenlunde likt fordelt over hele landet, og at lokaldemokratiet vil være godt i stand til å ta en større andel av de vurderingene. Jeg er overbevist om at kommunene ikke kommer til å åpne opp for uvettig kjøring. Jeg er ganske sikker på at kommunene kommer til å forvalte denne muligheten og myndigheten på en fornuftig måte. Det betyr at fritidstrafikken sikkert kommer til å bli regulert gjennom bestemte traseer, en kommer til å ta hensyn til grunneierne og grunneiernes samtykke,

er Sivilombudsmannen sier, og hva han ikke sier. Sivilombudsmannen sier: «Slik saken er opplyst har jeg kommet til at forsøksordningens omfang ligger utenfor de rammer forsøksloven setter. Departementet bør derfor foreta en ny vurdering av forsøksordningen.» Sivilombudsmannen har ikke sagt at Stortinget skal gjøre et vedtak i dag om å avslutte forsøksordningen. Det ligger ikke noe krav fra Sivilombudsmannen om at Stortinget skal gripe inn overfor regjeringen her. Det ligger et krav fra Sivilombudsmannen om at departementet skal foreta en ny gjennomgang. Det er vi i Senterpartiet helt enig i. Departementet bør foreta en ny gjennomgang av denne ordningen så raskt som mulig. Det er ingen hemmelighet at vi i Senterpartiet vil mene at denne ordningen ikke bør fortsette – den bør erstattes med en ny lov så raskt som mulig. Det betyr at vi ikke ignorerer noe av det Sivilombudsmannen sier. Vi følger hans anbefaling til punkt og prikke. Den anbefalingen er altså at departementet gjennomgår det. Men det må skje på den måten at en først legger fram en ny lov, og så avslutte forsøksordningen. Et motsatt forløp vil føre oss tilbake til en tilstand som er strengere på motorferdsel enn det den rød-grønne regjeringen la opp til, da vi foreslo 40 kommuner med i forsøksordningen. Den typen rettstomme rom som en da får – eller en så stram regulering som en da får – antar jeg ikke er i tråd – antar jeg ikke er i tråd med denne regjeringens politikk, det er heller ikke i tråd med det den rød-grønne regjeringen gikk inn for, og slett ikke i tråd med det Senterpartiet ønsker.

slik det er med dagens lov. Samtidig er det viktig at regelverket ikke er til hinder for bruk av scooter eller motorkjøretøy i forbindelse med nærings- og nyttetransport. Dette vil vi gi konstruktive innspill til når det gjelder å arbeide med en ny motorferdsellov i utmark. I argumentasjonen for å slippe løs scooterkjøring i utmark støtter regjeringspartiene seg på resultater fra et forsøksprosjekt gjennomført i flere kommuner. Når de har lest resultatene av dette, er det en uvanlig måte å se på dette på. På mange måter har jo forsøket ikke vært vellykket, siden det faktisk ble mer trafikk og støy i forsøkskommunene. Vi vil derfor advare mot å endre regelverket, uten at ny og oppdatert kunnskap er innhentet først, og viser i så måte også til naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget. Hovedformålet med regjeringens prøveordning om endring av motorferdselloven er at alle kommuner skal få myndighet til å opprette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Alle kommuner som ønsker det, har nå fått tillatelse til å være med – nesten en fjerdedel av alle norske kommuner. Problemet er at dette ikke lenger er noen forsøksordning. Det er da en endring på tvers av den gjeldende loven. Jeg er helt enig med representanten Marit Arnstad i at her diskturer vi to sider. Det representanten Marit Arnstad i at her diskturer vi to sider. Det ene er innholdet i motorferdselloven, og hvordan vi skal gjøre endringene i innrammingen på den. Komitébehandlingen viser også at her er det en uenighet. Fra Venstres side vil vi mene at det må være en streng innramming for hva kommunene skal ha myndighet til å ta sitt ansvar innenfor. Det er flere som har nevnt den listen over hvilke verneområder, og annet, som vi må ta hensyn til. Så er det den andre siden, som som vi må ta hensyn til. Så er det den andre siden, som handler om forholdet til forsøksloven. Her mener jeg at det er to forskjellige saker, og det er viktig å skille mellom hva som er jus, og hva som er politikk. Men det er ingen tvil om at vi må få en avklaring på spørsmålet om forsøksloven først, før vi kan gå videre med det som regjeringen nå ønsker å gjøre.

for å stoppe forsøket, vil jeg sterkt anmode regjeringen om å gjøre en grundig, ny vurdering, for spørsmålet om hvorvidt dette ligger innenfor loven eller ikke, må være et rent juridisk spørsmål. Selv om, som representanten Henriksen påpekte, en har en regjering som ønsker å ha en utvidelse av den lokale myndigheten, en politisk utvidelse – nå er det viktig å påpeke at det er ingen som ønsker å endre lovverket for Nord-Troms og Finnmark – er det viktig at prosessen må føres over i gode, demokratiske rammer. Skal man endre en lov, må man gjøre det på en formell og korrekt måte, man må sende forslag til lovendring ut på høring, slik at alle organisasjoner og berørte parter blir hørt, så Stortinget på en best mulig måte kan gjøre sine vedtak på et best mulig grunnlag. Min anmodning til regjeringen er nå å gjøre en grundig vurdering, stoppe dette og høre på innvendingene. Den som tar seg en skitur nedover gjennom Nord-Sverige noen dager, vil se tre ting. Det ene er

Hva er forskjellen mellom Sverige og det at vi i store deler av Norge fortsatt har en natur som om vinteren hovedsakelig er fylt med skiløpere og et strålende turisthyttenett? Den forskjellen er lov om motorferdsel i utmark av 1977. Da hadde storting og regjering oversikt nok, overblikk nok og sans nok for verdier som må bevares, til å vedta en lov som bevarer en veldig stor og nesten unik verdi ved det norske samfunnet, nemlig det enkle friluftslivet i natur som er tilgjengelig for hundre tusenvis, ja millioner av nordmenn over hele landet. Dette var framsynt politikk. Så er selvfølgelig lokal råderett viktig for alle partier, og det er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Men å skyve den lokale råderetten foran seg som et argument for å åpne opp for snøscootere, samtidig som man hevder at vettet er likt fordelt, de riktige avgjørelsene vil bli tatt, ansvaret er til stede, osv., er å ignorere faktum, som lyser foran øynene våre, nemlig at snøscooterantallet i Norge har eksplodert. I Finnmark og

scooterantallet. Det er også årsaken til at dette er et felt hvor det er opp til Stortinget å sørge for å ta vare på noe som er en grunnleggende nasjonal verdi, og ikke å slippe det ansvaret som man må ta, ved å hevde at alt løses bedre gjennom et lokalt selvstyre, som vi har all den kunnskapen vi trenger om Regjeringen hevder at den skal gjennomføre et forsøk. Den forrige regjeringen hevdet også at den skulle gjennom et forsøk. Vel, så gjennomfør et forsøk og oppsummer! Og oppsummeringen er helt klar: Vi vet resultatet, og resultatet er at tradisjonelt friluftsliv fortrenges av og forringes av snøscooterbruk, og den fortrengningen og den forringelsen er irreversibel, fordi det er fryktelig vanskelig å få det tradisjonelle friluftslivet tilbake der hvor snøscooterne har fått fotfeste. Derfor er det, etter denne ikke særlig verdige runden vi har hatt med et såkalt snøscooterforsøk – det var ikke noen god idé fra den forrige regjeringen, og den nåværende regjeringens variant var enda dårligere at vi nå, ved å få dette inn igjen i en lovbehandling, faktisk tar ansvar i Stortinget for å bevare en unik norsk verdi, nemlig retten til ferdsel i fri natur, uten å bli forstyrret av fornøyelseskjøring med motorkjøretøyer, som man kan gjøre alle mulige andre steder enn i den frie natur, man ikke bør gjøre i den frie natur. Så er det et faktum at folk flest ikke vil ha dette, så det er forbausende at et parti som Høyre, som liksom skal være et verdibevarende parti, gir etter for snevre snøscooterinteresser, i strid med noe som det helt sikkert også er et flertall for blant Høyres velgere. Så må man ta med seg en siste ting, nemlig at snøscootere trekker med seg terrengkjøretøyer. De som liker å kjøre snøscooter om vinteren, har lyst til – og det vet vi – å kjøre ATV om sommeren. Det er et faktum, det er bare å telle, særlig hvis man er interessert i å drive forsøk. Jeg håper at fornuften kommer tilbake til denne sal når vi skal diskutere det endelige at Stortinget tar ansvar for norske verdier. Jeg er glad for den brede enigheten i Stortinget om at kommuner skal forvalte mer motorisert ferdsel i utmark for at dette skal foregå innenfor nasjonale rammer som ivaretar friluftslivet og Jeg forstår de som er bekymret for mer motorferdsel i naturen. Saken i dag handler imidlertid om hvem som skal bestemme om slik kjøring skal foregå. I første omgang er spørsmålet om det er riktig å avgjøre dette direkte etter et lovforslag, eller om vi skal gå via et bredt forsøk med hjemmel i forsøksloven. Forsøket med kommunal myndighet til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring ble initiert av den forrige regjering, hvor SV også var med. Nåværende regjering utvidet forsøket fra opprinnelig til å skulle omfatte 40 kommuner til å omfatte alle kommuner som hadde meldt sin interesse. Forsøket omfatter i dag 104 kommuner. Jeg har møtt mange ordførere, også Senterparti-ordførere fra Hedmark og Arbeiderparti-ordførere fra Nord-Trøndelag, som har ønsket forsøket velkommen. Men det har vært mye uro rundt forsøket, særlig gjelder dette spørsmålet om hvorvidt forsøket er lovlig. Sivilombudsmannen konkluderte den 12. juni med at omfanget av forsøket ligger utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Ombudsmannen mener bl.a. at Klima- og miljødepartementet ikke har foretatt en tilstrekkelig skjønnsmessig vurdering av behovet for antall forsøksenheter. Selv om Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig bindende, tar regjeringen uttalelsene alvorlig. Forsøksordningen har vært grundig utredet i departementene, og konklusjonen har vært at ordningen har hjemmel i forsøksloven. Vi mener fortsatt at forsøket er lovlig. Samtidig legger vi betydelig vekt på at en samlet energi- og miljøkomité i sin innstilling ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endringer i motorferdselloven. Når et bredt flertall har kommet med en så klar bestilling, skal vi selvsagt følge opp. Jeg er opptatt av å ha en ryddig og effektiv prosess, derfor har jeg gitt to klare beskjeder i dag: Forsøket skal avbrytes Arbeidet med lovendring starter nå. Regjeringen tar sikte på å sende et forslag til lovendring ut på høring i midten av juli. Regjeringen vil kunne være ferdig med et forslag i høst, slik at det kan vedtas i Stortinget før jul. Forsøket har allerede gitt oss verdifull informasjon om prosessene i kommunene som vi kan nyttiggjøre oss i lovarbeidet. Lovforslaget vil utformes slik at loven gir klare rammer for å kunne fastsette snøscooterløyper. Jeg er opptatt av at loven gir en god balanse mellom hensynet til naturmangfold og friluftsliv og hensynet til kommunalt selvstyre. Regjeringen fører en tillitspolitikk. Vi har tillit til at kommunene vil balansere de ulike hensynene. Vi legger opp til at det kan planlegges scooterløyper etter en bred lokal prosess som følger plan- og bygningsloven, tilsvarende annen arealdisponering. Inntil eventuelle lovendringer er vedtatt, kan ikke kommunene treffe gyldige

jeg er glad for det store engasjementet som har vært rundt motorisert ferdsel i utmark. Det er mange som ikke vil høre motorstøy når de er på skitur, bærtur eller joggetur, og det er bra at det blir kommunisert så tydelig. Det er ikke bare vi i regjeringen som får det med oss, men også lokalpolitikere rundt i landet. Politikk handler om å avveie ulike interesser, og det er viktig at naturen og friluftslivet også har et talerør. Jeg tror vi alle kan være enig i at kommunene skal ta hensyn til alle sine innbyggere, også til dem som vil nyte naturen i fred og ro. Derfor er det også i kommunenes egen interesse å ha kontroll med motorferdselen. Derfor synes det å være en god idé at kommunene skal få bestemme mer selv innenfor nasjonale rammer. Derfor synes jeg det er en god idé at regjeringen nå starter arbeidet med lovendringen. Jeg har tro på at både vettet og naturgleden er jevnt fordelt over hele landet. Det blir replikkordskifte. Først har jeg lyst til å takke statsråden for

selvstyret». Jeg lurer på hva statsråden tenker rundt den pressemeldingen. Mener statsråden i dag at dette forsøket ikke handler om å følge opp regjeringsplattformen, og ikke handler om å styrke det lokale selvstyret? Og hvis hun mener det ikke handler om det, hvorfor sendte hun det ut i den pressemeldingen? Og – for å gjøre forvirringen komplett her – hvis hun mener det nå i dag, mener det nå i dag, mener hun at det er innenfor forsøkslovens intensjoner? For det er det som bl.a. har vært diskusjonen her i dag, hvor går grensen for forsøksloven med hensyn til å drive gjennom politikk? Hva skal den loven brukes til? Da jeg sendte ut den pressemeldingen i november i fjor, var det for å informere om at vi utvidet det forsøksprosjektet som den forrige regjeringen satte i gang, for å få mer erfaring mer erfaring i lys av at vi også da, som jeg sa, skulle i gang med lovarbeidet. Vi mente at det var innenfor forsøksloven. Vi mener fremdeles at det er innenfor. Det viktige for oss er å legge til rette for det kommunale selvstyret her, at det er kommunene selv som skal bestemme hvordan dette skal være. Det er det vi nå ivaretar gjennom et lovarbeid som vi nå starter, slik at Stortinget kan vedta dette før jul, med det formål at det er kommunene selv som skal bestemme.

Jeg synes det er et positivt signal fra statsråden at hun sier at lovarbeidet blir sendt ut på høring i juli. Det er bra. Men det blir svært viktig når kommunene ikke kan gjøre gyldige vedtak underveis i lovarbeidet – men får fortsette planleggingen, etter det jeg forstår, som de allerede er i gang med så raskt som mulig, og at en ikke her risikerer at en får et lovarbeid som trekker ut i tid på grunn av ulike forhold. Det er viktig at en får lagt fram saken for Stortinget så raskt som mulig, og også får behandlet den, slik at loven kan tre i kraft. Kan statsråden bekrefte at det vil skje raskt, og at vi kan forvente oss at det blir både vedtakelse

opplyst. Da kan en komme tilbake til Stortinget på et slikt tidspunkt at det vil være mulig, hvis Stortinget selv vil, å vedta dette før jul i år. Jeg synes også at signalet er

gjennom at ingen kommuner nå vil kunne tillate scooterløyper før man har en lovendring. Så kan man diskutere om man har gått utover lovens rammer eller ikke, der kan det jo være en uenighet, men at man følger opp Sivilombudsmannen, mener jeg er veldig positivt. Men så til selve lovbehandlingen. Da er det viktig at vi får en normal behandling, at alle får mulighet til å fremme sine synspunkter, og selv om man legger vekt på det lokale selvstyret, er det også sine synspunkter, og selv om man legger vekt på det lokale selvstyret, er det også viktig å ha nasjonale interesser i hver kommune. Da blir mitt spørsmål: Mener statsråden at dette er av viktig nasjonal interesse, ikke bare naturvern, men også Jeg mente det jeg sa i mitt innlegg, at det er viktig å ivareta begge interesser. Det mener jeg også er i kommunenes interesse, å ivareta dem som ønsker stille natur, og dem som ønsker å kjøre snøscooter. Nå sender vi ut et lovforslag på høring, og da forventer jeg at det kommer inn mange gode forslag til lovbestemmelser, der alle berørte parter vil komme med innspill. Jeg synes vi skal ta det

rammer. Det gjør at det etter min oppfatning er helt nødvendig at kontrollkomiteen går videre i sin vurdering av nettopp dette spørsmålet, fordi vi risikerer at dette er en metode som regjeringen vil kunne komme til å bruke i andre saker, f.eks. i spørsmålet om pris på landbrukseiendommer, der Senterpartiet tidligere i dag har engasjert seg i motsatt retning av det de gjør i akkurat dette spørsmålet. Men la meg stille et spørsmål, som jeg ser regjeringspartiene ikke har gått inn på i merknader. Det går på behovet for et godt grunnlag når det gjelder kartlegging av friluftslivsinteresser. Kan statsråden love at det er på plass før loven vedtas? Nå sender vi ut et lovforslag på høring, og så får vi få inn de nødvendige innspill på det, slik at Stortinget har et riktig grunnlag å vedta en endelig lov på. Vi har Vi har mye informasjon om det representanten Heikki Eidsvoll Holmås tar opp, så det er viktig nå at det blir en god prosess, og det er det vi nå legger opp til. Det er et faktum at siden motorferdselloven ble vedtatt i 1977, har antallet snøscootere og mengden snøscooterbruk i Norge eksplodert. I 2012 ble det innvilget 26 800 dispensasjoner fra motorferdselloven. Det var tilfellene. Det var en økning på 12 pst. siden 2011. Det er realiteten i den kommunale forvaltningen av snøscootere. Det er lite som tyder på at den veksten ikke vil fortsette. Så spørsmålet er: Har regjeringen i det hele tatt noe synspunkt på hvorvidt man vil begrense veksten i Eller er man bare åpne for å ivareta interessene ettersom de gir seg uttrykk i kommunale vedtak, med det resultatet man da eventuelt vil få på lang sikt med enda mye mer snøscooterkjøring i norsk natur? Målet med lovforslaget er ikke mer motorisert ferdsel i utmarka, men økt lokal selvbestemmelse. Jeg har tillit til at kommunene er seg sitt viktige forvalteransvar bevisst.

Erfaringane frå prøveprosjekta viser at det er godt mogleg innanfor eit planleggingsregime der interesserte får kome med anbefalingar og synspunkt, og på denne måten bidrar til at snøscooterentusiastar får lov å køyre sine snøscooterar, mens andre vil ha moglegheit til å bruke naturen på sitt vis. Mange stader ligg det til rette for at begge formene for bruk av naturen skal kunne gjerast utan at det fører til konflikt. konflikt. Vi vil nok også oppleve kommunar som bestemmer etter ein demokratisk prosess å takke nei til etablering av scooterløype, fordi det ikkje lar seg gjere på ein god nok måte. Og slik må det også vere. I dag ser vi at det er eit arbeidskrevjande og byråkratisk arbeid som blir gjort i den enkelte kommune gjennom dispensasjonsløysingar – representanten frå Miljøpartiet Dei Grøne nemnde talet 26 000 – fordi ein ikkje har vilja hatt den løysinga som i dag blir skissert. Det betyr at fleirtalet sitt tiltak er med og forenklar og forbetrar Kommune-Noreg. Vi har ein storslått natur og ein kulturarv i landskapet som utgjer eit viktig fundament og eit fortrinn også for reiselivsnasjonen Noreg. Scooterløyper vil nok fleire stader avhjelpe reiselivsnæringas ønske og behov, då bl.a. rørslehemma og andre vil kunne kome seg ut i naturen gjennom dette tiltaket. Det er eg svært glad for. Samtidig tar fleirtalet også til orde for å ta vare på viktige felles naturverdiar og ønskjer ikkje løyper der. I sum er det ei god løysing som varetar fleire omsyn på ein god måte. Når vi ser statsrådens konklusjon i forhold til Sivilombodsmannens problemstilling, er eg glad for at statsråden er så tydeleg og i dag kjem med signal om at forsøksordninga blir avvikla, men at vi kan gå for ei ordning der vi får på plass eit lovverk der vi tar omsyn til lokal kunnskap og lar kommunane sjølve bestemme bruken av sine areal. Når det er

Det kan være en indikasjon på at jeg vet hva jeg snakker om i denne saken, men det trenger ikke å bety det. Denne saken handler om lokaldemokrati. Vi kunne ha diskutert motorferdselloven også, men det trenger vi heldigvis ikke å gjøre – tusen takk, statsråd! – for den kan vi ta i en demokratisk prosess senere og følge de demokratiske prosessene og reglene vi har her i landet. Det er en veldig spesiell debatt når representanten Eidsvoll Holmås er usikker på om vi vet nok om vi vet nok om friluftslivet i Norge. Vet vi nok om friluftsinteressene?, spør han statsråden. Det sier litt om innstillingen til lokaldemokratiet hos representanten Eidsvoll Holmås fra SV. Det er faktisk sånn at det er 428 kommuner. I alle disse kommunene er det engasjerte lokalpolitikere, som også er engasjert i idrettslag og i friluftsorganisasjoner, og som har god greie på hvordan friluftsinteressene har det i kommunen, og hva slags hensyn som må tas. Det handler denne saken om. Det blir også veldig spesielt når representanten Rasmus Hansson ikke vil gi ansvaret til lokaldemokratiet, for lokalpolitikerne kan bli påvirket av særinteresser. Med Rasmus Hanssons bakgrunn må jeg da konkludere med at Hansson mener at det skal være rikspolitikernes privilegium å bli påvirket av

har til og med påstått at vi ikke har noen distriktspolitikk. Men en god og aktiv distriktspolitikk dreier seg ikke bare om hvor mye offentlige skattepenger du ønsker å bruke på subsidier og støtte til bønder eller andre næringer. En god distriktspolitikk dreier seg også om å føre en aktiv og positiv ja-politikk overfor næringsliv og Det er ingen tvil om at snøscooterkjøring bidrar positivt til vekst og verdiskaping, og til at flere kommer seg ut i naturen, også funksjonshemmede. Det er derfor Fremskrittspartiet nå er fornøyd med at flere kommuner kan få mulighet til å utvikle denne næringsvirksomheten, og at flere snøscooterentusiaster får kost seg med sin hobby. I Sverige har man meget god erfaring med å føre en mer liberal snøscooterpolitikk enn det Beregninger viser at snøscootervirksomheten genererer flere milliarder i omsetning for reiselivet og for næringslivet. Det er viktig at vi som politikere ikke begrenser norske kommuners muligheter til og norsk reiselivs ønsker om å konkurrere med våre svenske naboer. I flere grensekommuner, bl.a. Våler, Åsnes og Grue – bare for å nevne noen få – har

men det er viktig å la lokaldemokratiet få lov til å fungere ved at kommunene selv får bestemme, innenfor regulerte normer. Denne muligheten ønsker vi å gi kommunene og næringslivet ute i distriktene i det norske land. Det ble en litt annerledes debatt enn det jeg hadde forventet. På den ene siden er

har en funksjon, og at den har en innramming som gjør at en så stor endring som man her la opp til, kan man ikke gjøre. Så får vi være uenige om hva man egentlig mener om det. Det er ikke det avgjørende, det avgjørende er at det nå stoppes. Så kjenner jeg at det er bra å ha fått gjennomslag, men samtidig må kampviljen opp, for nå kommer den egentlige diskusjonen om hvilken innramming vi skal ha i framtiden. For det er nok litt feil, som det er framstilt her, at man har et bredt flertall som nå ivrer etter å få en ny lov. Det som står i komitémerknadene, er at man tar inn over seg at det er et flertall flertall som ønsker en ny lov, og da har det vært viktig at den lovprosessen kommer inn i demokratiske rammer, og at vi får den så raskt som mulig til Stortinget. Det er jeg glad for. Her tror jeg nok regjeringen har forsøkt seg på en snarvei gjennom forsøksordningen. Det har vist seg ikke å være mulig, og da må vi gå den vanlige veien om lovendring. Og når den skal utformes, håper jeg at regjeringen tar

bare kan ha som utgangspunkt at det skal styrke lokaldemokratiet. Også i Venstre er vi for et styrket lokaldemokrati, men det må ikke bli sånn at det vi ender opp med, på en måte er summen av enkeltvedtak i kommunene. Vi må ta et tydelig nasjonalt ansvar for å ivareta de nasjonale verneverdiene. Det gjelder selvfølgelig innenfor det klassiske naturvernet, men også de nasjonale verneverdiene som skal sikre friluftsliv og sikre det tradisjonelle friluftslivet. Og man må ta et nasjonalt ansvar som gjør at det er store nok områder hvor det ikke er økt motorferdsel. Man må også passe på at man har systemer, med Fylkesmannen og andre, som gjør at dette ivaretas. Så fra Venstres side ser jeg fram mot å jobbe med problemstillingen. For meg er det viktigere at prosessen er grundig enn akkurat tempoet den går i. Jeg mener altså at det er grundigheten og det å kjøre de normale prosessene som her er det riktige. Og så må vi klare å lage et regelverk som gir større mulighet for kommunene, men samtidig en sterk og kraftig innramming, som sikrer stille friluftsliv også i framtiden.
Neste taler er

Det er bra. Jeg vil gi ros til Turistforeningen for det arbeidet de har gjort for å ivareta alle oss som er opptatt av friluftslivets interesser. Jeg synes også det da er naturlig at vi som står bak innstillingen, altså det første punktet i innstillingen, som er å be statsråden allerede har sagt at hun skal stoppe forsøket. Det må vi som står bak denne innstillingen, avklare fram mot avstemningen i kveld. Men jeg vil i utgangspunktet anbefale det. Det er likevel behov for å komme med et par anmerkninger til debatten. Det ene er til Tor André Johnsen, som trekker fram Sverige.

at ting ikke skulle avgjøres på Stortingets kontorer, det være seg mitt kontor eller andres kontor. Men problemet med denne saken er at det ikke har blitt bestemt i stortingssalen i det hele tatt. Denne saken har ikke vært oppe til behandling i Stortinget før i dag. Den har blitt bestemt på regjeringens kontorer. Og det er ikke noe «all makt i denne sal» hvis saker som er i strid med forsøksloven, bestemmes i regjeringens kontorer istedenfor i denne salen. Men jeg er glad for at vi nå bringer dette tilbake igjen til vanlige prosedyrer, og at vi får den framdriften i lovbehandlingen som statsråden har varslet om, og så skal vi være om oss og bidra så godt vi kan i debatten. Jeg vil bare understreke den ene tingen som jeg tok opp i Jeg vil bare understreke den ene tingen som jeg tok opp i min replikk til statsråden, og det er spørsmålet om planverktøy for å ha oversikt over friluftsinteresser, og i og for seg andre interesser. Statsråden er vel kjent med at det er et problem at en god del naturmangfold ikke er kartlagt godt nok til at man tar hensyn til det tidlig nok i planprosesser. Det samme gjelder friluftsliv. friluftsliv. Jeg mener det er avgjørende viktig hvis vi skal ivareta friluftslivet, sammen med alle de andre interessene som er nødvendige å ivareta, at man har et godt planverktøy når man nå skal lage scooterløyper i mange, mange

når vi altså vet at resultatet av den situasjonen vi har hatt til nå, har vært at snøscooterbruken har økt dramatisk, og at dispensasjonene har økt dramatisk. Og da kan konklusjonen bare være én på det, og det er at vi må forvente at det lovarbeidet og det forslaget som nå raskt kommer fra statsråden, må inneholde de nasjonale tilstramningene som sørger for at vi ikke i 2015, 2016 osv. får ytterligere 12 pst. økning i antall dispensasjoner og en tilsvarende økning i bruken av snøscooter. Hvis det er meningsinnholdet i statsrådens svar, er det fint, hvis ikke betyr det at regjeringen ikke tar ansvar for den samlede utviklingen i bruken av norsk natur, og det håper

Når man nå åpner for mer lokal motorferdsel, kan man ikke være helt nøytral til om dette fører til mer scooterkjøring eller ikke. Men det foreslår jeg at vi kommer tilbake til i debatten når vi skal vedta loven. Ellers har jeg avklart med alle de partiene som står bak innstillingen, at vi trekker forslaget – hvis det er mulig, president – sånn at vi ikke får opp til votering å be regjeringen om å gjøre noe de allerede har varslet at de gjør. Det er II i innstillingen. Det er notert. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 5 minutter til hver partigruppe og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

OECD uttalte i mars i år: «For å opprettholde vekst i levestandarden idet petroleumsproduksjonen faller, trengs en blomstrende gründerkultur for å oppdage og utnytte muligheter og tiltrekke seg risikovillig kapital og andre ressurser».

nettopp av omsyn til enkeltpersonføretaka sin eigenart og deira potensial, slik at dei i større grad kan bidra til vekst og verdiskaping i framtida. Aksjeselskapsforma er den mest brukte selskapsforma i Noreg. Aksjelovens reglar er difor av stor betydning for næringsdrivande i landet. Hovudtyngda av aksjeselskapa er små og mellomstore bedrifter. Ein må difor sjå til desse selskapa sine behov og sørgja for at

som etablerer små bedrifter som erstatning for personlege selskap som ei eiga juridisk eining. Eit eksempel på ei slik organisering kan være eit mikro-AS. Det bør vera ei selskapsorganisering som har dei fordelane eit aksjeselskap har, men som samtidig har rammevilkår og krav som gjer det så enkelt som mogleg å drifta eit slikt selskap. Tanken om å laga ein eigen aksjelov for småbedrifter eller mikroaksjeselskap har vore diskutert før. Revisorforeningen foreslo i 2009 å innføra mikroaksjeselskapet som eia eiga selskapsform med tilhøyrande enklare aksje- og rekneskapslovgjeving. I EU vart mikrorekneskapsdirektivet vedteke i 2012. Det gav selskap med omsetjing under 5,6 mill. kr moglegheit til å gå i gang med ein rekneskap etter forenkla reglar med svært få noteopplysningar. Desse selskapa treng heller ikkje utarbeida årsberetning. årsberetning. Dette direktivet er enno ikkje innlemma i EØS-avtalen, men det er god grunn til å tru at så vil skje. I siste stortingsperiode var det fleire Dokument nr. 8-forslag som inneheldt dagens tema, som Arbeidarpartiet og Senterpartiet då stemte imot, men som dei i dag støttar. Det synest eg er veldig, veldig flott. Det gjev regjeringa eit godt mandat til å foreslå endringar i lovar og rammevilkår som kan styrkja dei minste føretaka si innovasjonsevne og konkurransekraft.

Arbeidarpartiet vil berømma Venstre for dette initiativet til å setja fokus nettopp på rammevilkåra for småbedriftene. Forenkling er eit viktig verkemiddel for nettopp småbedriftene. Trond Giske som næringsminister sette fokus på forenkling, og regjeringa Stoltenberg sette eit ambisiøst mål om å forenkla næringslivet sine byrder med 10 mrd. kr innan 2015.

Dette har gjeve betydelege kostnadsreduksjonar for bedriftene våre. Men eg har merka meg at regjeringa Solberg ønskjer å sjå til Sverige, og har varsla at det skal setjast ned eit regelråd etter svensk modell. Sverige har nesten tre gonger så mange føretak som Noreg. Svenskane har i perioden 2006–2012 redusert administrative kostnader for 6,8

Det same gjeld den varsla gjennomgangen av Innovasjon Norge, som vart evaluert og debattert i denne sal så seint som i perioden 2011–2012. Også på dette området er det behov for handling og ikkje fleire utgreiingar frå regjeringa. I dag fekk regjeringa òg servert forenklingstiltak for rundt 9 mrd. kr. Bruk kreftene på å setja i verk mange av desse tiltaka, ikkje på å byggja opp eit nytt byråkrati. Eg er glad for at komiteen er samd i at det er behov for ein heilskapleg gjennomgang av vilkår og rammevilkår for enkeltpersonføretak med sikte på forbetringar på alle område. Det er sett i gang fleire gode tiltak, men av omsyn til enkeltpersonføretaka sin eigenart og deira potensial er det viktig å få denne heilskaplege gjennomgangen.

Eit mikro-AS vil vera ei selskapsform som sameiner fordelane med aksjeselskapet og behovet som dei aller minste bedriftene har for at rammevilkåra er så enkle som mogleg. Det økonomiske ansvaret vert avgrensa til den kapitalen som ligg investert i selskapet, og omfattar ikkje personane som har oppretta selskapet. Bruk av allmenne rekneskapsprinsipp vil òg gjera skattemyndigheitene si kontrolloppgåve enklare og sikrare. Men ein må òg her finna balansegangen mellom naudsynt rapportering og dokumentasjonskrav og eit mikro-AS som vert så enkelt som i det heile mogleg. Difor ber komiteen regjeringa vurdera om og korleis det kan utviklast eit lovverk som etablerer småbedrifta som ei eiga juridisk einheit, og at utgreiing bør definera rammevilkår som er spesielt tilpassa dei små bedriftene. Vi ser fram til å få framlagt denne utgreiinga og å kunna få ein god diskusjon i denne som vil føra til eit blomstrande gründerliv der gründerane får moglegheit til det dei er best til, nemleg å skapa nye bedrifter og arbeidsplassar.

registrere at alle disse fire partiene også nå er enige om at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av rammevilkår for enkeltpersonforetak. Det som er enda mer fornøyelig, er at det nå er en enstemmig næringskomité som står bak dette – altså at det er tverrpolitisk enighet. Så får vi sikkert om noen minutter se om Sosialistisk Venstreparti, som ikke er representert i komiteen, Vi kan iallfall uansett konstatere at det er et bredt flertall i Stortinget bak dette. Tilsvarende representantforslag har med andre ord vært diskutert her i Stortinget flere ganger de senere år, bl.a. i forbindelse med representantforslag fra Venstre, Dokument 8:85 S 2009–2010, der man også ba om en «helhetlig gjennomgang av vilkårene også da helhjertet støttet av Fremskrittspartiet. Dette var noe vi i Fremskrittspartiet foreslo knapt ett år før i form av et representantforslag, Dokument nr. 8:74 for 2008–2009, om å få en sak om «bedre regler for næringsdrivende og gründere som driver enkeltpersonforetak». Jeg vil også minne om representantforslaget i Dokument 8:50 S

ordninger. Mange interesseorganisasjoner, som f.eks. NHO, Bedriftsforbundet, Gründerforeningen, Norskog, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag osv., har tatt til orde for akkurat dette. Disse har bl.a. påpekt at enkeltpersonforetak kom dårlig ut av skattereformen i 2006, der skattebyrden ble økt. I forbindelse med at Venstre har fremmet dette representantforslaget, synes jeg det er bra at næringskomiteen har tatt forslaget godt imot. Men jeg vil bemerke at vi faktisk er på offensiven og har bedt regjeringen utrede enda mer som vil gagne landets gründere. Jeg snakker da om forslaget der vi ber regjeringen vurdere om det bør utvikles et regelverk som etablerer småbedriften som en egen juridisk enhet, der det bl.a. skal tas hensyn til småbedriftenes behov for enklere regler, som ikke medfører unødvendige administrative byrder, og likebehandling når det gjelder sosiale rettigheter, skatter og avgifter. Det har Norge anledning til. Jeg viser til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaper for visse selskapsformer når det gjelder mikroforetak. Det skjedde en endring for noen år siden som innebærer at medlemsstatene gis adgang til å unnta mikroforetak fra plikten til å utarbeide årsregnskap. Det er opp til det enkelte EØS-landet å avgjøre hvorvidt unntaket for såkalte mikroselskaper er ønskelig ut fra nasjonale hensyn. Direktivet har til hensikt å legge til rette for å redusere de administrative byrdene for mikroforetak. Direktivet legger derfor opp til forenklede rammebetingelser for mikroforetakene. For å sikre at det foreligger tilstrekkelig beskyttelse for eventuelle investorer bør mikroselskapene etter direktivet imidlertid fortsatt være underlagt plikter som følger av nasjonal lovgivning for å holde oversikt over forretningstransaksjoner og selskapenes finansielle stilling. Dette direktivet er veldig EØS-relevant og akseptabelt. Hvilke foretak som er regnskapspliktige, framgår av regnskapsloven. Regnskapsloven åpner ikke for at mikroforetak som definert i direktivet, kan unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskap. Man er avhengig av at regjeringen ser nærmere på dette, og vi kan være glad for at næringskomiteen nå gir grønt lys for at alt dette
Neste taler er

Uten dem stanser Norge. Det er de gode ideene fra enkeltpersoner som genererer de framtidige verdiene i landet vårt. Derfor må vi hegne om dem, og vi må løfte fram dem som tør satse. Ved å støtte opp om de innovative og gründerne, investerer vi i framtiden. Enkeltpersonforetakene har lenge kommet dårligere ut når det gjelder skatt, sosiale rettigheter og tilgang på kapital. Dette er en skjevhet det er behov for rette opp i for å sikre at ikke terskelen for å satse, blir for høy. Kristelig Folkeparti har som mål at Norge skal være ett av de mest nyskapende landene. Innovasjon er da veldig viktig. Vi vet at innovasjon er en viktig drivkraft for utvikling av samfunnet. Utvikling av nye og innovative ideer er ofte nyttig for flere bedrifter enn dem som utvikler ideene. Det er også sånn at utvikling av ideer ofte innebærer større risiko enn det man kanskje har tilgjengelig i sine investorer. Derfor er det også viktig å ta fatt og se på systemer rundt dette. Videre vet vi at små og mellomstore bedrifter ofte står for halvparten av verdiskapingen i norsk næringsliv. De er innovative, de er omstillingsdyktige, men det er krevende for dem å overleve og vokse. Fem år etter oppstart er det bare 30 pst. av bedriftene som fortsatt er aktive. Gjentatte ganger har vi fått høre følgende fra bedriftene om krav til myndighetene: Gi oss mindre firkantet arbeidsliv, smartere skatt, enklere hverdag og smartere samhandling mellom det offentlige og næringsliv.

innsats fra det offentlige – stat, fylke og kommune – for å legge til rette for å utløse ny aktivitet. Senterpartiet mener det skal være enklest mulig å drive næringsvirksomhet i Norge, uavhengig av valg av selskapsform. Når vi vet at det store flertallet av norske bedrifter er små bedrifter, er det viktig og positivt at en samlet komité står bak forslagene i dag. Det ble gjort mye godt forenklingsarbeid under den forrige Fritak for revisjonsplikt og redusert krav til aksjekapital er de to viktigste. Vi ønsker selvsagt også nye tiltak velkommen. Vi har i dag fått en meny fra Norsk regnskapsstiftelse å velge fra. Jeg håper det kan fanges opp i arbeidet som nå skal gjøres. Vi har imidlertid merket oss at langt fra det meste av det som kommer fra regjeringen, virker positivt for næringslivet. Det er særlig næringslivet i distriktene som framstår som denne regjeringens hoggestabbe. Jeg kan nevne: den historiske økningen i dieselavgiften innføring av kontinuitetsprinsippet ved generasjonsskifter – som rammer mange enkeltpersonforetak hardt at regjeringen i høst foreslo kutt i SIVA, som det heldigvis ikke ble noe av en svekkelse av permitteringsregelverket Dette er noen eksempler på at denne regjeringen vender blikket utover i landet når kutt skal foretas. Senterpartiet vil ha en annen retning på politikken. Den debatten må vi ta når gjennomgangen og vurderingene vi ber om i dagens sak, er ferdig. Det avgjørende for Senterpartiet er følgende: Det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende må styrkes. Skattesystemet må fange opp at personlig eierskap innebærer større risiko og ansvar for den enkelte. Skattesystemet må fange opp at personlig eierskap innebærer større risiko og ansvar for den enkelte. Den offentlige innsatsen for å støtte opp under gründere må ta opp i seg at Norge er et mangfoldig land med store forskjeller mellom regionene. Senterpartiet er opptatt av at forenklingstiltakene faktisk skal være reelle. I tillegg er vi opptatt av å dyrke gründerånden, også gjennom folks utdanningsløp.

Neste taler er

Det er ikke de største og etablerte bedriftene som løfter oss over i en ny tid med nye løsninger – det er gründere og småbedrifter som har kommet med nye ideer, nye produkter. Det er de som har drevet Norge framover i betydelig grad. I et Norge der petroleumsnæringen er så dominerende for økonomien og næringslivet, er det spesielt viktig at vi legger godt til rette for at flere vil og tør starte for seg selv. For å opprettholde vekst i levestandarden når petroleumsproduksjonen faller, trenger Norge en blomstrende gründerkultur. Det er nødvendig for å oppdage og utnytte muligheter og tiltrekke seg risikovillig kapital og andre ressurser. I en tid der oljeinntekter trygger velferd og velstand, er det et paradoks at nettopp denne tilstanden synes å ha blitt det største hinderet for gründeren og innovatøren. Vi tar verdiskapingen for gitt, og realpolitikken fokuserer i all hovedsak på fordeling og bevilgning. Forståelsen av langsiktig sysselsetting og velferd knyttet til skaping av nye bedrifter har altfor liten plass. Dessverre stimulerer ikke dagens system interessen for å starte for seg Snarere tvert imot: I enkeltpersonforetak bærer den selvstendig næringsdrivende personlig den økonomiske risikoen for virksomheten. Vedkommende har bl.a. svakere rettigheter til sosiale ordninger. Slik kan det ikke fortsette, fordi det bremser snarere enn fremmer nyetableringer, som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling i norsk næringsliv. Venstre vil ha et nyskapende Norge. Vi ønsker at flere starter egen bedrift. Forbedringer i vilkårene for å starte og drive egen virksomhet er nødvendig om vi skal få dette til. Stikkord for oss har vært, og er: skattemessig likebehandling, skattefri etter- og videreutdanning, forenklinger i regelverk, reduksjon i skjemaveldet, et målrettet statlig virkemiddelapparat, treffsikre støtteordninger og tilgang på kapital gjennom skattestimulans for investorer som kan tenke seg å investere i nye virksomheter. Jeg vil takke saksordføreren og den øvrige komiteen for et godt og konstruktivt samarbeid i behandlingen av saken. Jeg synes det er gjort en god jobb i næringskomiteen i forberedelsen

Når ein har stor risiko, mange tilsette og bedrifta begynner å vekse, er det mange som bestemmer seg for å danne aksjeselskap. Vi må ha selskapsformer som er av ulik karakter, tilpassa fasar, storleikar eller retning, men det skal alltid vere attraktivt å starte opp noko nytt og vere gründer. Entreprenørånda skal

SV støttar derfor tilrådinga. Samtidig må vi passe på at ikkje enkeltpersonføretak avløyser det vanlege tilsetjingsforholdet i arbeidslivet. Det er enkelt å sjå mange enkeltpersonføretak i samband med sosial dumping. Det er ei viss utvikling der ulike selskap som som f.eks. vikarbyrå eller mediehus i Noreg i dag gjer seg nytte av enkeltpersonføretak i staden for å ha eigne tilsette, eventuelt driv utleige av slik arbeidskraft. Ein slik overgang til enkeltpersonføretak gjer det vanskelegare å følgje opp helse, miljø, tryggleik, personalutvikling og kompetanseutvikling, og ikkje minst skapar det eit utrygt arbeidsliv. Det er entreprenørånda vi vil dyrke, ikkje ei spekulering i folks arbeid. Trygge arbeidsplassar skapar også betre arbeidarar. Ei utgliding fører til at fleire vil måtte kome med lua i handa, med dei konsekvensane det har for sjølvkjensle, initiativ og skaparkraft. Vi treng difor å dyrke dei gode enkeltpersonføretaka med gode rammer, og så må vi strupe dei dårlege Det er stordom SV vil ha, ikkje småleg spekulasjon. I representantforslaget er ikkje den problemstillinga tatt opp, og eg oppfordrar regjeringa til å ta det med vidare. SV kjem til å vere ei vaktbikkje i det spørsmålet. Så til merknaden om mikro-AS: Vi synest ideen er god. Regelverket er litt slik at det er enklast for dei som er størst. Dette kan eigentleg seiast å vere ei problemstilling generelt i Noreg. Vi ser det t.d. på andre område som krav til rapportering frå kommunar, organisasjonar, forskarar osv. Noreg kan aldri bli best på å vere stor. Vi er rett og slett for små til det. Den norske stordomen må byggjast på å vere best som små. Da må vi lage ordningar for små aktørar og ikkje alltid ville ønskje at det vesle skal bli stort. Ei familiebedrift som produserer fantastisk gode tørka reinhjarte i Finnmark, treng ikkje å ha verdsherredøme og masse tilsette som mål. Det kan vere greitt at dei finn sin vesle nisje, treff ganane i Brooklyn eller Upper West Side i New York og lever livet vidare som ei lita, men sterk bedrift. Difor vil eg veldig gjerne vere med, og eg las med interesse merknaden om mikro-AS, men eg har nokre spørsmål om han, for eg forstår han ikkje. Ideen om mikro-AS er at ein skal ha den Ideen om mikro-AS er at ein skal ha den same risikoen som aksjeselskap – det er verdiane som står i selskapet, som skal vere det ein utfordrar, ikkje verdiane som personen eig. Ein skal òg ha rapportering av økonomiske forhold som i aksjeselskap, sånn at skattemyndigheitene skal ha kontroll og gjere det enklare og sikrare. Ein skal også ha den same fleksibiliteten som aksjeselskap har – det berre føreset eg ut frå andre, tidlegare forslag frå folk som er i salen – til å kunne ta ut pengar. Det einaste unntaket frå aksjeselskap er da at rapporteringa i samband med årsmeldinga skal gjerast enklare. Da er spørsmålet: Er det berre revisjonen som er forskjellen på mikro-AS og makro-AS? Og viss det er slik, har vi ikkje kome opp med noko veldig banebrytande. Eg kunne gjerne fått litt «input» på det.

I tråd med Sundvolden-erklæringen arbeider vi med konkrete forslag til hvordan rammevilkårene kan forenkles og bedres, samtidig som viktige samfunnshensyn ivaretas. Regjeringens mål er å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve lover og regler med 15 mrd. kr i året før utløpet av 2017. I regjeringens politiske plattform har vi forenklet regelverk for små og mellomstore bedrifter, videreutvikle Altinn og ha som prinsipp at informasjon kun skal rapporteres én gang, og gjøre flere offentlige tjenester tilgengelige på nettet. Representantene peker i sitt forslag på ulike problemstillinger og saksområder som spesielt angår enkeltpersonforetak. Regjeringen er allerede godt i gang med forenklingstiltak Vi har startet en gjennomgang av grunnlaget for gebyrene i Brønnøysundregistrene og en gjennomgang av Innovasjon Norge. Med tanke på vilkårene for enkeltpersonforetak finner vi det hensiktsmessig å løfte noen av disse hensynene inn i andre prosesser som pågår eller vil iverksettes, bl.a. gjennomgangen av virkemiddelapparatet og forenklingsarbeidet. Det skyldes et stort mangfold av forhold Når det gjelder sosiale rettigheter, er jeg helt enig i at det bør lages en oversikt over relevante ordninger for å belyse hvordan disse samlet sett fungerer for enkeltpersonforetak. Her er det naturlig at andre berørte departementer også involveres. Når det gjelder skattemessige forhold, vil jeg understreke at likebehandling i bare deler av skattesystemet ikke nødvendigvis er i I stedet må skattesystemet betraktes helhetlig, noe Scheel-utvalget er opprettet for å gjøre. En vurdering av hvordan enkeltpersonforetak kommer ut skattemessig, og eventuelle forslag til endringer, må derfor avvente Scheel-utvalgets innstilling. Jeg vil imidlertid starte en innledende vurdering av om det kan la seg gjøre å utvikle et fornuftig regelverk som etablerer småbedriften som en egen juridisk enhet og definerer rammebetingelser som er spesielt tilpasset små bedrifter. De forhold forslagsstillerne er særlig opptatt av, vil tas i betraktning, og det naturlige spørsmålet er hvilke reguleringer som faktisk er nødvendig for disse minste selskapene. Dette vil også gagne

Jeg er samtidig opptatt av at eventuelle tilpasninger ikke må gå på bekostning av den nytten kreditorene og aksjeeierne har av de ordnede forholdene som et felles lovkrav gir oss. Vi har et stort rom for forbedringer, og vi er i gang med arbeidet. Det blir replikkordskifte.

faktisk er nødvendig. Vi vet jo at forenklingsarbeid er krevende. Vi skal altså forenkle, vi skal avskaffe regler og forskrifter, men hele tiden kommer det til nye. Og det å ha et uavhengig råd som gjennomgår dette, og som gir råd og anbefalinger, tror jeg er lurt. Så har vi ikke sagt at vi skal kopiere den svenske modellen; vi har sagt at vi skal gjøre det på vår måte, på en fornuftig og effektiv måte.

Og hvis det blir slik som jeg mener ville være det beste, at en kommer med en samlet sak som berører alle disse områdene, for å hindre at de blir oppsplittet – hvilken tidsramme ser statsråden da for seg?

slik sak. Så jeg tror vi må gjøre begge deler, og vi er utålmodige, så vi er i gang med arbeidet og kommer til å levere dette så fort vi kan.

Så da er mitt enkle spørsmål: Kva ser ein for seg at forskjellen vil vere mellom mikro- og makro-AS og enkeltpersonføretak? Jeg har ikke gjort meg opp noen oppfatninger av disse tingene. Vi overtok i Nærings- og fiskeridepartementet ansvaret for selskapsretten ved nyttår. Jeg er opptatt av at slike lover og regler utformes på en grundig og klok måte, fordi det har en enorm betydning. Så vi har sagt at dette er noe vi vil gjennomgå. Dette er en idé som har vært oppe flere ganger og som vi vil se nærmere på, og vi må komme tilbake til utformingen av det. I tillegg er det slik at EU har innført et mikroregnskapsdirektiv, slik andre har vært inne på, for regnskap for små selskaper, og finansministeren har sagt at de vurderer hvordan innretningen av dette skal være på norsk side. Så dette må vi rett og slett komme tilbake til.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

replikkordskiftet med statsråden, og fekk svar der. Når det gjeld organiseringa av mikroselskap, ser eg òg for meg at dette kravet til aksjekapital er ei sak som regjeringa vil vurdera. Så ser eg fram til at Scheel-utvalet kjem med Det er slik i dag at mange sjølvstendige næringsdrivande beklagar seg over at dei betaler mykje meir skatt som sjølvstendig næringsdrivande enn dei ville ha gjort viss dei hadde vore i eit aksjeselskap. Så eg håpar at dette er ein del av det som Scheel-utvalet vil kikka på, og som me kan få ut av dette. I tillegg til det er det både avskrivingsreglar og andre ting som det kan vera lurt å sjå på, og som er ein forskjell mellom det å driva eit selskap og det å vera sjølvstendig næringsdrivande, ettersom eg forstår.

løp. Neste taler er representanten

er jo, som ministeren starta på å seia, å gå systematisk igjennom alt som vert laga av nye lover, reglar, føresegner – you name it – av statsapparatet, som influerer på næringslivet sin kvardag. Regelrådet har kompetanse, både fagleg og juridisk, til å seia at viss hensikta med den regelen ikkje står i høve til meirarbeidet og meirkostnadane dette påfører næringslivet, kan dei senda det tilbake til regjeringa og

Så har eg lyst til, når eg likevel har ordet, seia som ein av forslagsstillarane, at eg er veldig fornøyd med debatten elles og ikkje minst med utfallet av saka. Eg er òg veldig fornøyd med det eg oppfattar som ei felles haldning og forståing for at dei minste føretaka og enkeltmannsføretaka nødvendigvis har nokre utfordringar som ikkje alle andre har, under paraplyen: Det som er bra for dei små, er nesten alltid og utan unntak òg bra for dei store.

får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Det er en enstemmig komité som er

Videre tas det opp en bekymring om matmerking og forbrukernes muligheter til å vurdere hvilke varer man ønsker å kjøpe ut ifra egen kunnskap om palmeoljeinnholdet i varene. Det kommer også fram i saken at også EU-regelverket i disse dager fornyes når det gjelder merking av mat. I den forordningen er matinformasjon til forbrukerne tema, og krav innføres i desember 2014. her etterspør? I statsrådens brev vises det til at det er begrenset adgang til å gjøre nasjonale endringer i regelverket. Da er det viktig å få fram under debatten hva næringsministeren nå gjør for å påvirke forordningen som skal vedtas i desember hva næringsministeren nå gjør for å påvirke forordningen som skal vedtas i desember og hvordan norske myndigheter med det. Det fremmes fem forslag som handler om endringer av forskrift for merking, matinformasjon til forbrukerne, utforming av et regelverk som krever sporbarhet av palmeolje, presisering av offentlige innkjøp og til slutt: hvordan norske investeringer og handel Et mindretall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre, mener det er behov for å se nærmere på både helsemessige og næringsmessige aspekter ved bruk av palmeolje og mener det kan være behov for et nytt regelverk. Det kan også være behov for å se på handelspolitiske aspekter i den forbindelse, knyttet til både EU-regelverket og norske investeringer i land med tropisk skog.

dette et veldig stort og internasjonalt marked. For å illustrere dette kan jeg nevne at forbruket av palmeolje har fordoblet seg siden år 2000, og prognosen er at det vil fordoble seg nok en gang før 2020. Vi må kanskje anerkjenne at Norge er et lite land i verden, og at vi må jobbe veldig internasjonalt, noe som også saksordføreren var inne på. Det er sporbarhet, bærekraft og merking som er det helt sentrale. Når det gjelder bærekraft, er 50 pst. av omsetningen allerede underlagt strenge bærekraftprinsipper, og det er noe næringslivet og markedet selv har tatt initiativ til. Det er en positiv utvikling. I tillegg er merking av palmeolje EØS-harmonisert. Det jobbes i Norge også med å iverksette EU-forordning nr. 1169/2011, den såkalte matinformasjonsforordningen, i norsk rett innen nyttår. Den skal gjøre det enklere for forbrukeren å vite hva som er innholdet i

Derfor ser vi at det jobbes veldig aktiv, fra både regjeringen og alle parter, med å få god kontroll på omsetningen og de utfordringer som er knyttet til palmeolje, og flertallet ser ikke behov for en helhetlig sak på det nåværende tidspunkt. Som det har blitt sagt, er

gode svarbrevet som kom fra statsråden, som ligger ved innstillingen, og som svarer på de fem punktene. Det er ganske åpenbart at regjeringen er på ballen, for å bruke det uttrykket i disse fotballtider, og muligens henger Arbeiderpartiet litt etter i et forsøk på å nå den ballen. Det er i alle fall gledelig at det er komiteen, og flere av de som har hatt ordet til nå, har pekt på at dette er et stort og internasjonalt marked. Jeg må lov til å sitere litt fra innstillingen, for det er en ting jeg ikke helt skjønner: «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til statsrådens brev til komiteen der fokuset på bærekraft, sporbarhet og merking er et gjennomgående tema. Der kommer det fram at 50 pst. av det internasjonale palmeoljemarkedet nå er underlagt strenge interne bærekraftskriterier. Flertallet viser også til at palmeolje er et internasjonalt produkt og at regelverket for merking av

internasjonalt samarbeid, internasjonale avtaler, og gjennom det å delta og påvirke internasjonale organisasjoner at man får gjennomslag for dette. Spesielt merkelig blir det når man samtidig kan lese i representantforslaget: «Etter forslagsstillernes syn må det globale forbruket av palmeolje ned for å redusere presset på Der viser man altså til at det er et internasjonalt problem, men når vi skriver merknader og tar det opp i merknads form, er ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet med på det. Det forundrer meg ganske mye, fordi – som representanten Gundersen helt riktig sa – Norge er en liten del av verden. Skal man få til en løsning på et globalt problem, er det global samhandling som må til, og det er viktig for oss. Jeg synes det er veldig bra det regjeringen gjør på dette området, det fokuset man har. Jeg vil også benytte anledningen til å vise til det brevet som Stortinget fikk fra NHO Mat og Drikke 29. april. Det viser også hvilket fokus næringslivet har med hensyn til det å bruke bærekraftig palmeolje. så får vi bare ønske Arbeiderpartiet og Senterpartiet velkommen etter. Dette forslaget løfter en nødvendig og aktuell debatt. Det er gjentatte ganger i media kommet fram bekymring og bærekraftutfordringer knyttet til bruk av palmeolje. Bærekraft, sporbarhet og merking har vært et gjennomgående tema i debatten. I brevet fra statsråden til denne saken kommer det fram at 50 pst. av det internasjonale palmeoljemarkedet nå er underlagt strenge interne bærekraftkriterier. Videre kommer det fram at Norge støtter opp under internasjonale tiltak for å styrke bærekraften i produksjonen av palmeolje. Palmeolje er et internasjonalt produkt, og Kristelig Folkeparti mener det er bedre med forpliktende og harmoniserte internasjonale regelverk enn å vedta særnorske regler og tiltak. Det er viktig at det i dag blir slått fast at det skal sikres bedre informasjon til forbrukere og stimuleres til at palmeolje produseres på en bærekraftig måte. I behandlingen av denne saken i komiteen har hensynet blitt flyttet vekk fra bærekraft- og miljøutfordringer og over til næringspolitiske og helsemessige aspekter. Der har vi allerede gode rutiner og et godt EØS-harmonisert regelverk for merking. Samtidig vet vi at det tas sikte på at matinformasjonsforordningen skal tre i kraft i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU, 13. desember dette år. Denne forordningen skal gjøre det lettere å finne ut hva matvarene inneholder, bl.a. hvilken type vegetabilsk olje eller fett de inneholder. Samtidig har næringsmiddelindustrien selv tatt initiativ til bruk av bærekraftig palmeolje i matvarer gjennom «Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i Norge», der bedriftene som stiller seg bak dette initiativet, forplikter seg til kun å benytte bærekraftig produsert palmeolje eller sertifisert palmeolje i henhold til kriteriene til rundebordskonferansen for bærekraftig palmeolje, RSPO, innen utgangen av 2015. Denne er i dag verdens mest kjente sertifiseringsordning for palmeolje, og Regnskogfondet sier at det er kjøpe RSPO-sertifisert palmeolje enn palmeolje som ikke er sertifisert. Hver av bedriftene som står bak dette initiativet, forplikter seg til å redegjøre for hvor mye palmeolje de bruker samt hvor stor andel som er sertifisert i henhold til RSPOs kriterier eller gjennom andre sertifiserings- og kontrollsystemer. Bedriftene skal også rapportere hvor stor andel av palmeoljen som er sporbar. Dette er et prisverdig initiativ fra næringen selv og vil være et viktig element for å sikre at palmeolje som er brukt og omsatt i Norge, er bærekraftig. I Kristelig Folkeparti er vi opptatt av at det skal være bærekraftig, sporbar palmeolje, og at informasjonen til forbrukerne om bruken av palmeolje i matvarer skal være god. Jeg mener dette er godt dekket i de forpliktelsene næringen selv har pålagt seg, og i de forpliktelsene som følger av eksisterende og kommende regelverk. Det er

nå. Forslaget i saken er videre enn kun en ordning om merking. Jeg synes saksordføreren gjorde rede for det på en god måte, og en sånn sak vil òg kunne inneholde strategier og muligheter som gjør at den norske matindustrien blir i stand til å fase ut palmeolje i større grad enn i dag og i raskere tempo enn i dag. Det kreves forskning og utvikling. En annen side som forslaget fanger opp, er de helsemessige aspektene rundt bruk av palmeolje, som vil være relevant her. Så kommer det et angrep fra representanten Korsberg. Nei, det er ikke sånn at partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre, hvis jeg skal våge å snakke på vegne av dem, er imot det som står om hva som skjer på den internasjonale arenaen og innenfor EØS, men det er jo det at flertallet i komiteen bruker dette som et argument og en oppbygging til en konklusjon der de ikke ønsker den saken som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre står bak.

neste taler er representanten Michael Tetzschner og deretter

ikke vi er offensive nok. Vi mangler noe, og jeg registrer jo at flertallet ikke synes at dette er en viktig nok sak til at man kommer tilbake til Stortinget med den. Når vi ser hva flere fagmiljø advarer mot med hensyn til palmeolje, og flertallet i komiteen understreker at den deler forslagsstillernes syn om at « det må tas grep for å sikre bedre informasjon til forbrukere og for å stimulere til at palmeolje produseres på en bærekraftig måte», er det ikke offensivt nok å vise til det som allerede er på gang, og at vi skal være forsiktige internasjonalt i det arbeidet.

Godt er det, og slik skal det framleis vere. Vi skal smake litt frå alle verdsdelar. Så er spørsmålet om Noreg hadde vore ein dårlegare stad dersom vi hadde tatt eit skikkeleg grep om palmeoljen. Det trur eg ikkje. Sanninga er at vi antakeleg ville fått litt betre hjarte. Vi veit at det finst ei syre i palmeoljen som har spesielt dårleg effekt på hjarte og kar, så helseaspekta er godt Vi veit korleis det påverkar kroppen. Vi veit korleis denne utviklinga med auka bruk av palmeolje skadar regnskogen rundt omkring, fordi ein anten høgg eller brenner ned skog for å etablere plantasjar, og tidlegare regnskogområde er svært gunstige stader for slike plantasjar. Det finst mange oljar i verda. Palmeoljen er kanskje den aller men langt frå den aller beste. Når vi kjenner til konsekvensane palmeoljen har på kropp og natur, og korleis dette øydelegg regnskogar, spesielt i Søraust-Asia, synest eg det er vanskeleg å forstå kvifor fleirtalet ikkje ønskjer at vi skal gå djupare inn i dette. Alle er opptatt av merking og sporing. Men det finst ei grense for kor mykje vi gidd å sjekke t.d. sjokoladen vi kjøper, for kva stoff det er i han. Ingen av oss ønskjer vel eit samfunn der vi må opphalde oss timevis i butikkane for å sjekke om det er tull og tøys i maten vår. Vi veit også at ei mengd av dei RSPO-sertifiserte bedriftene har blitt tatt for svin på skogen, for å bruke det uttrykket.

løp. Neste taler er

enn andre vegetabilske oljer. Helsemyndighetene anbefaler derfor at vi begrenser inntaket av mettede fettsyrer. For å sikre et godt kosthold er det viktig at vi kan gjøre informerte valg når vi handler mat. Når EUs forordning som regulerer informasjon om og merking av innhold i matvarer, trer i kraft i Norge ved årsskiftet, vil vi få nye bestemmelser som gjør det enklere for forbrukerne å vite hva matvarene inneholder. Det blir krav om at ingredienslisten for ferdigpakkede næringsmidler skal vise hvilken type vegetabilsk olje eller fett produktet inneholder, som for eksempel palmeolje eller rapsolje. Formålet med de nye merkebestemmelsene er først og fremst å hjelpe forbrukerne til å ta sunne matvalg. Det vil også ha den tilleggseffekten at forbrukere som ønsker det, ut fra et miljøperspektiv kan velge bort matvarer som inneholder palmeolje.

Det finnes i dag systemer som sikrer at det er mulig å kjøpe sporbar palmeolje. Flere har vært inne på RSPO-systemet, som er en av verdens mest kjente sertifiseringsordninger for palmeolje. Når palmeolje selges som Identity Preserved, betyr det at sertifisert palmeolje holdes adskilt fra ikke-sertifisert palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. I tillegg er den sporbar, slik at kjøperen kan få vite hvilke plantasjer palmeoljen kommer fra. Foreløpig finnes det dessverre lite IP-palmeolje på markedet. For å vri produksjonen fra ikke bærekraftig til bærekraftig palmeolje er det viktig at virksomhetene og forbrukerne etterspør bærekraftig og sporbar palmeolje, og at vi som myndigheter retter søkelyset mot dette. Vi ser heldigvis en utvikling i positiv retning. Over 50 pst. av det internasjonale palmeoljemarkedet er nå underlagt strenge interne bærekraftkriterier. Men det er viktig at denne utviklingen fortsetter. Regjeringen jobber også med å bekjempe ikke bærekraftig palmeolje gjennom klima- og skogsatsingen. Ett av tiltakene er å gi støtte til land som reduserer sin avskoging. Verdien av intakt skog blir ofte ikke tatt med i betraktningen i Ved å belønne land for intakt skog bidrar vi til at skogens miljømessige verdi vektlegges i beslutninger om arealbruk. Regjeringen støtter også tiltak for å tilrettelegge for omlegging til bærekraftig og avskogingsfri produksjon, bl.a. gjennom et offentlig–privat partnerskap med Consumer Goods Forum, som er en bransjeorganisasjon med over 400 medlemmer og et samlet salg på over 20 trillioner – eller 1 000 mrd. – kroner. Partnerskapet retter seg mot kjernen i avskogingsproblemet – ekspansiv og ineffektiv landbruksproduksjon. Regjeringen vil også framover rette søkelyset mot ikke-bærekraftig produksjon av palmeolje. Vi tror at dagens virkemidler med eksisterende regler for merking og sporing, samt myndighetenes, forbrukernes og næringslivets eget engasjement i saken, er tilstrekkelig for å sikre en riktig utvikling i denne saken. Men vi skal selvsagt følge utviklingen nøye, slik at andre tiltak kan vurderes hvis utviklingen ikke går slik vi vil.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det inkluderer siste taler. Jeg er

Så veldig mange er opptekne av dette. Eg føler at matvareindustrien er veldig på når det gjeld desse utfordringane. Det som er viktig, er at desse aktørane held fram med å spørja etter berekraftig produsert palmeolje. SV spør litt retorisk om Noreg ville vore eit verre land å vera i om vi hadde

Men eg er veldig takknemleg for at næringsministeren, departementet og regjeringa er veldig på dette, og at dei følgjer utviklinga og følgjer opp viss det skulle vera behov for det. Det er bra at det er en så viktig og rimelig sammensatt sak, og jeg synes det er viktig at stortingsrepresentanter også er engasjert i VM-fotball – det er fint. Men når man får beskjed om at eget parti «henger etter ballen», må jeg si at det er et uttrykk jeg ikke har hørt i fotballsammenheng heller. Hadde det vært «på ballen», eller «driblet», eller den type ting, hadde jeg kanskje skjønt det bedre. Jeg synes det var et forsøk på en dårlig takling. Om representanten Korsberg hadde lest saken, ville han ha sett at det i forslaget fra Venstre står mye om EU-forordningen. Arbeiderpartiet er opptatt av at resultatet må bli best mulig. mulig. Vi er opptatt av at det handelspolitiske aspektet i denne saken også blir godt ivaretatt, men er det da nok at virksomhetene skal ha oversikt over og kunne dokumentere hvem de kjøper varer fra, og hvem de selger til? Er det ikke også viktig at den sammenhengen formidles til forbrukerne, og at de er godt opplyst om det? Så kan det være interessant, det ikke også viktig at den sammenhengen formidles til forbrukerne, og at de er godt opplyst om det? Så kan det være interessant, kanskje, å høre hva representanten Korsberg sier angående den offensive holdningen regjeringen har i denne saken nå, i arbeidet med EU-forordningen. Hva gjør man spesifikt i den type forhandlinger for å få til et best mulig resultat for både forbrukere og produsenter før dette vedtas? Det er nå vi må gjøre det, ikke når det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

Denne frihandelsavtalen vil gi Norge mye bedre markedsadgang i Colombia for industrivarer og fisk. Det vil bl.a. si full eliminering av toll for 85 pst. av EFTAs industrivareeksport fra den dagen avtalen trer i kraft. Toll for de resterende varene fjernes over henholdsvis fire og ni år. Norske bedrifter får også bedre muligheter til å delta i anbudskonkurranser om offentlige anskaffelser. I dag har Colombia tollsatser på import av fisk og sjømat i sjiktet 5–20 pst. Avtalen sørger for at hele 28 fiskeprodukter får tollfrihet fra dag én, mens det blir en gradvis nedtrapping på 130 andre fiskeprodukter. Kjente fiskeprodukter som fersk laks og ørret, fersk kveite, fersk kveite, fersk torsk, frossen laks, frossen sild og frossen makrell er inkludert i de 28 fiskeproduktene som får nulltoll når avtalen trer i kraft. Denne avtalen gir med andre ord veldig gode betingelser for eksport av fisk og marine produkter. Jeg vil tro at dette er noe norsk fiskeriindustri vil nyte meget godt av i årene framover. I tillegg får norsk eksport av tjenester bedre betingelser. Næringskomiteen hadde høring i denne saken, og da understreket bl.a. Norsk Industri at dette var en veldig viktig avtale for deres medlemmer. Hvis jeg skal trekke fram ett selskap som bør heise flaggene og feire at avtalen blir ratifisert, er det nok Yara. Kunstgjødsel er Norges klart viktigste eksportprodukt til Colombia. Fullgjødsel pålegges i dag en tollsats på 10 pst. ved import til Colombia. Tollen for dette produktet vil fjernes umiddelbart ved frihandelsavtalens ikrafttredelse, så frihandelsavtalen vil være fordelaktig for norsk kunstgjødseleksport i konkurranse med utenlandske produsenter. Av andre typiske norske eksportvarer der tollen blir eliminert med én gang, er aluminium, skipspumper og solceller. For råolje, propan, deler til boremaskiner og avispapirruller blir det en Per i dag er importen fra Colombia til Norge i all hovedsak landbruksprodukter som kaffe, blomster og frukt. I 2013 importerte vi varer for ca. 787 mill. kr. Jeg vil tro at dette vil ta seg kraftig opp, spesielt for frukt og grønt – bl.a. annet vet jeg at det i Colombia finnes populære frukter som man i dag ikke får kjøpt i Norge. På dette området vil Norge gi Colombia minst like gode vilkår som gitt til EU. Norsk eksport til Colombia var i fjor på 222 mill. kr. Når Stortinget samtykker til ratifikasjon av denne frihandelsavtalen, som for øvrig de andre EFTA-landene allerede har ratifisert, legges det til rette for et norsk eksporteventyr. Mulighetene er der, og man kan selvfølgelig drømme om at man opplever samme suksess som man gjorde da frihandelsavtalen med Sør-Korea trådte i kraft – et land som har omtrent like mange innbyggere som Colombia, og hvor Norge eksporterer for ca. 13–14 mrd. kr årlig. Men én sak er å legge til rette for bedre muligheter for norsk eksport – at man i forhold til andre land får like eller bedre betingelser. En annen sak er om man ikke hadde ratifisert denne avtalen. Da hadde vi, Stortinget, latt norske bedrifter og selskaper komme i konkurransevridende situasjoner – til fordel for Colombias øvrige handelspartnere handelspartnere i USA, EU og øvrige EFTA-land – og få dårligere betingelser, noe norske bedrifter har lidd under i flere år. Det er ikke til å legge skjul på at vi er bekymret over menneskerettighetssituasjonen og arbeidstakeres rettigheter i Colombia. Vi er derfor fornøyd med at Norge har et betydelig humanitært engasjement i Colombia, både gjennom bistand til norske, internasjonale og lokale organisasjoner og som tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom Colombias regjering og geriljagruppene FARC og ELN. Norge og Colombia har også undertegnet en bilateral Memorandum of Understanding, MoU, om politiske konsultasjoner med referanse til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Jeg vil også understreke at komiteen har lagt merke til at utenriksministeren i brev til komiteen datert 13. mai bekrefter at regjeringen aktivt vil følge opp spørsmål knyttet til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i kommende konsultasjoner med Colombia. Jeg vil avslutningsvis rose øvrige partier for et veldig godt samarbeid, konstruktive samtaler og forhandlinger, slik at dette ble en enstemmig komitéinnstilling, i form av både merknader og vedtak.
neste taler er representanten Michael Tetzschner og deretter

I tillegg har det i perioden 2005–2013 blitt undertegnet tre avtaler som hovedsakelig var framforhandlet før den tiden. Oppstart av åtte pågående forhandlinger skjedde under Stoltenberg-regjeringen. Vi i Arbeiderpartiet er positive til at den nye regjeringen også vil arbeide for friere handel og føre en offensiv handelspolitikk som vektlegger Norges interesser. Et åpent og regulert handelssystem gir forutsigbarhet for land og bedrifter og er en forutsetning for rettferdig handel. Nye globale handelsavtaler må ha som mål å sikre at også land som arbeider seg ut av fattigdom, kan delta i internasjonal handel. Frihandelsavtaler må ivareta miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter. I dag vedtar vi handelsavtalen med Colombia. Dette er en avtale som har pekt seg ut som å være mer krevende enn noen av de andre jeg har vært med og behandlet i denne salen. EFTAs ministermøte vedtok i 2010 en felles plattform for å inkludere miljø- og arbeidstakerrettigheter i framtidige frihandelsavtaler. Da var allerede frihandelsavtalen med Colombia ferdigforhandlet. Derfor undertegnet Norge og Colombia en bilateral MoU om politiske konsultasjoner, med referanser til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, i februar 2014. Det er en viktig retning vi i Arbeiderpartiet ønsker og er glad for er avklart for framtiden. Norge har et betydelig humanitært engasjement i Colombia – som saksordføreren var inne på – både gjennom bistand til norske, internasjonale og lokale organisasjoner og som tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom Colombias regjering og FARC og ELN. Den anstrengte situasjonen har gjort det krevende å lande i denne saken. På grunnlag av det har vi hatt en høring i komiteen, noe som ikke er vanlig i forbindelse med frihandelsavtaler. Intensjonen med avtalen er å øke det økonomiske samkvemmet med Colombia, og at avtalen, sammen med MoU-en, på sikt kan bidra til å bedre situasjonen knyttet til menneskerettigheter og Vi er derfor opptatt av at MoU-en blir evaluert og informert om i Stortinget jevnlig framover. Vi ser at MoU-en som er framforhandlet, har etablert en mekanisme som legger til rette for at norske myndigheter regelmessig vil kunne diskutere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter direkte med colombianske myndigheter. Dette forutsetter vi vil bli fulgt opp av

Det har vært en lang prosess – fra vi undertegnet denne frihandelsavtalen, og fram til 2014. Fra Kristelig Folkepartis side har det vært riktig å vente med ratifiseringen av avtalen, slik at vi fikk på plass MoU-en. Hvis vi ser på dette fra fagforeningssiden, sier lederen av LO, Gerd Kristiansen, at det var en stor seier da

Colombia. Det var også dette som var bakgrunnen for at komiteen hadde åpen høring om en slik frihandelsavtale. Det er vårt syn at denne høringen var svært nyttig. Og det er ikke slik at det er politikk og nøye vurderinger som må gjøres når en tar stilling til dem. I forslaget som foreligger fra komiteen, mener jeg det er tatt hensyn til mange av de innspillene som kom under høringsrunden. Den positive siden er – som flere har vært inne på – at avtalen vil bidra til å øke handelen mellom Norge og Colombia og sikre en forbedret markedsadgang for våre varer. På grunn av den vanskelige menneskerettighetssituasjonen i Colombia er det likevel viktig at vi også i framtiden bruker de kanalene som nå er etablert, til å påvirke i retning av økt respekt for arbeidstaker- og menneskerettigheter. Et tettere bånd i form av økt handel gjør at Norge i større grad kan skape dialog Utenriksministeren har i sitt brev til komiteen bekreftet at regjeringen vil følge opp spørsmålet knyttet til arbeidstaker- og menneskerettigheter i sine samtaler med Colombia. Det var på dette grunnlaget og – jeg understreker det – etter en ganske vanskelig avveining at Senterpartiet konkluderte med at vi støtter frihandelsavtalen med

denne handelsavtalen til Stortinget for å bli ratifisert, til stor jubel frå alle dei andre partia. Eg meiner det er gode grunnar til å vere veldig kritisk til avtalen. Colombia er eit av dei landa i verda der det står dårlegast til med menneskerettane. Det er det farlegaste landet i verda å drive fagforeiningsverksemd i. Ikkje i noko land blir det drepe fleire fagforeiningstillitsvalde enn her. Frå 2012 til 2013 auka talet på drepne fagforeiningsorganiserte, menneskerettsaktivistar og leiarar i bonde- og urfolksorganisasjonar. Forsvararane av denne avtalen har rett i at ein handelsavtale ikkje primært er ein avtale som har til hensikt å løyse utfordringane knytte til

og kva slags krav som blir stilte i avtalane. I dette tilfellet er det liten grunn til å tru at avtalen vil vere eit positivt bidrag. Avtalen set ikkje krav om at menneskerettar eller arbeidstakarrettar skal respekterast. Han blir berre følgd av eit såkalla Memorandum of Understanding, som verken gjev moglegheit til å monitorere eller til å sanksjonere utviklinga når det gjeld situasjonen for menneskerettar og framover. Ei evaluering av tilsvarande avtale mellom USA og Colombia viser at nettopp mangelen på oppfølging har gjort at arbeidarrettane i mange tilfelle har blitt svekte etter at avtalen tredde i kraft. Når rettane til arbeidstakarar er såpass svak som i Colombia, kan ikkje Noreg med opne auge gå inn i ein avtale som kan forverre situasjonen deira. Handel har alltid vore

som støtter dei kreftene i landet som kjempar for menneskerettar, betre arbeidstakarrettar og demokrati. Viss Noreg inngår ein frihandelsavtale, risikerer vi å miste truverd og tillit i dei delane av det sivile samfunnet som kjempar for menneskerettar og demokrativerdiar, som eg reknar med heile salen i 2014 stiller seg bak.

en økt velferd, eller skal man isolere dem til man har funnet løsningen internt? Jeg var veldig glad for at hele komiteen sluttet seg til at det å integrere et land, er måten å løse denne type problemstillinger på. Norge har et stort engasjement opp mot humanitære formål i Colombia, og gjør en betydelig jobb og det er riktig at vi også gjør en jobb gjennom å integrere Colombia i mest mulig handel. Som vel de fleste også har registrert, har det akkurat vært presidentvalg i Colombia, og sånn sett har – fra norsk synspunkt – den riktige kandidaten vunnet. Jeg synes det er riktig at vi også bidrar ved å få ratifisert og satt den handelsavtalen vi nå behandler, i verk, for dette her er definitivt riktig vei å gå. gå. Sånn sett synes jeg regjeringen vår har gjort en veldig bra jobb med å få MoU-en på plass nå i februar 2014, slik at også den avtalen som har ligget seks år i Næringsdepartementet, kan bli

Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt handel og økonomisk samarbeid mellom EFTA-landene og Colombia. Handelen mellom Norge og Colombia er beskjeden i dag, men økende. Vi forventer en ytterligere økning som følge av denne avtalen. I tillegg vil avtalen sørge for at norske bedrifters konkurranseevne ikke svekkes sammenlignet med viktige internasjonale konkurrenter, herunder selskaper etablert i EU.

Toll for de resterende varene fjernes etter maksimalt ni år. Kunstgjødsel er Norges klart viktigste eksportprodukt til Colombia. Fullgjødsel pålegges i dag en tollsats på 10 pst. inn til Colombia. Tollen for dette produktet fjernes umiddelbart når frihandelsavtalen trer i kraft. Det vil bety mye for Yaras fabrikk på Herøya. Ikke bare sikrer det arbeidsplasser, men det legger også til rette for økt aktivitet.

Colombia har i liten grad tatt forpliktelser til skipsfart i WTO. I frihandelsavtalen har Colombia fjernet alle restriksjoner for internasjonal skipsfart samt for visse typer innenlands sjøtransport. Dette er et område hvor norske rederier har sterke eksportinteresser. Norge har sterke eksportinteresser innen sjøforsikring, og Colombia har forpliktet seg til å gi norske tilbydere tilgang til det colombianske markedet på samme vilkår som nasjonale tilbydere. Colombia har også sterke forekomster av olje og gass, og produksjonen har økt betydelig de senere år. Norske tilbydere får i avtalen markedsadgang for et bredt spenn av energirelaterte tjenester. En rekke norske importører har kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet med spørsmål om når avtalen vil tre i kraft. Norge reduserer tollsatsene på blomster i frihandelsavtalen, og vi forventer særlig at importen av roser vil øke. Norge fjerner tollsatsen på tekstiler samt satsen på en rekke landbruksvarer. Frihandelsavtalen med Colombia er kontroversiell i Norge. Det skyldes den krevende situasjonen i landet når det gjelder arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Avtalen har også fått kritikk for ikke å inneholde mer forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter enn det som er tatt inn i fortalebestemmelsene. Dette har regjeringen tatt tak i. Vi har undertegnet en MoU med Colombia om politiske konsultasjoner. MoU-en inneholder eksplisitte referanser til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Første konsultasjon ble avholdt i mars. Den colombianske delegasjonen ble ledet av arbeidsminister Pardo, og flere andre relevante aktører på menneskerettighetsområdet var med. Jeg kan forsikre om at arbeidstakerrettigheter vil bli høyt prioritert i den videre oppfølgingen av MoU-en. Det tas sikte på å avholde de neste politiske konsultasjonene i Colombia om noen måneder. I tillegg til arbeidstakerrettigheter vil også andre menneskerettighetsspørsmål bli tatt opp. Norge er en betydelig samarbeidspartner og bidragsyter til arbeidet med menneskerettigheter i Colombia. Regjeringen er fast bestemt på å videreføre og styrke vårt engasjement i fredsprosessen. Jeg kan også bekrefte at vi selvsagt vil holde Stortinget orientert om utviklingen. I tillegg til å følge opp MoU-en vil vi arbeide for at frihandelsavtalen utvides med et kapittel om handel og bærekraftig utvikling. Et slikt kapittel vil inneholde bindende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter og miljø. Første anledning vil være i forbindelse med første møte i Den blandede komité. Dette var noe jeg tok opp med arbeidsminister Pardo under et møte vi hadde i mars.

opptatt av at de hadde utfordringer på dette området, og ministeren var veldig åpen på at dette var noe de jobbet hardt med. Så dette handler jo om hvilken oppfølging vi har fra vår side, og vi kommer til å være aktiv i oppfølgingen. Såkalla MoU-ar eller Memorandom of Understanding har vore under kritisk søkjelys i fleire samanhengar. Dei gir bl.a. inga innsikt i kva som skjer i landet gjennom den mekanismen – inga moglegheit til å monitorere. Og det gjev heller inga moglegheit gjennom dei til å sanksjonere. Men når eg høyrer ministeren snakkar no, framstår det som om MoU er ein positiv mekanisme, mens han i realiteten, sett frå mitt perspektiv, er ei ordning som ikkje fungerer – og der har vi eksempel. Vil ministeren vurdere å på MoU som ordning ved bl.a. å ta ein analyse av korleis dette har fungert i tilsvarande avtaler? Jeg har ikke noe grunnlag for å mene at vi trenger en gjennomgang av dette. Vi mener at dette er et hensiktsmessig virkemiddel, og mener at det å sitte ved samme bord, diskutere disse vanskelige sakene, framføre vårt syn, er viktig. I tillegg kommer altså til å handle med Colombia. Det betyr at våre bedrifter kommer til å være til stede i økende grad med våre verdier, vårt samfunnsansvar, og de kan bidra til å styrke Colombia på dette området – rett og slett ved å være til stede og handle. Lat meg berre avslutte med eit veldig enkelt spørsmål: Om denne avtalen fører til ei forverring i menneskerettssituasjonen i Colombia, vil ministeren meine at handelsavtalen da er ein fiasko? Jeg synes det er veldig vanskelig å stå her å spekulere i hva jeg ville mene hvis, om, at. Det er ingen ting som er hugget i stein, og jeg tenker at internasjonale forhold må vi hele tiden følge med på og orientere oss om hva som skjer. Det gjelder selvfølgelig også i Colombia. Dermed er replikkordskiftet avsluttet.

sakens ordfører

Avtalen åpner for at El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua kan slutte seg til avtalen på et senere tidspunkt. Det er en samlet komité som gir sin tilråding. Komiteen understreker i sine merknader at dersom nye land skal slutte seg til avtalen, må det forelegges Stortinget. Saken har også vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som ikke hadde noen merknader. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid i denne saken, og anbefaler herved komiteens enstemmige

Alternativet er unge mennesker som mister troen på politikerens evne til å løse deres utfordringer. EU-programmet EaSI har til formål å bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien gjennom å gi bistand til oppfyllelse av EUs mål om å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene. er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS-statene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelse av arbeidskraft og styrke sysselsettingsmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Samarbeidet bistår med rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning. en utfordring med høy arbeidsløshet blant unge mennesker fordi de kan miste troen på å skaffe seg arbeid og gi opp å søke på ledige jobber i andre europeiske land med lavere arbeidsledighet. EURES-programmet er ment å hindre dette. Det legges opp til en modernisering av EURES-portalen og dens selvbetjeningsverktøy. Blant annet gjennom videreutvikling av en mobilitetsordning som kalles Din første Portalen skal forberede de unges adgang til arbeidsmarkedet over hele Europa. Målgruppen er unge mellom 18 og 30 år som ønsker å finne jobb i et annet medlemsland, og arbeidsgivere fra små og mellomstore bedrifter som kan tilby jobb til unge jobbsøkere. EURES-portalen har om lag 38 millioner enkeltbesøk i året. EU-kommisjonen oppgir at rundt 150 000 jobbsøkere årlig finner arbeid eller får jobbtilbud gjennom med samarbeidet innenfor EURES-nettverket har vært positive og er et virkemiddel i norsk arbeidsmarkedspolitikk knyttet til mobilitet og arbeidstakere og arbeidsinnvandring. Regjeringen ønsker at Norge skal være en bidragsyter til arbeidet med å skape et solidarisk, inkluderende og trygt Europa. Arbeidssøkere vil kunne få korrekt informasjon om arbeidsvilkår, lønnsnivå og mer generelle opplysninger om vilkår i de statene som omfattes av samarbeidet, og hvor vedkommende kan tenke seg å søke arbeid. I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av arbeids- og velferdsetaten. Norge har deltatt i EURES siden 1994. Grunnet budsjettmessige forhold foreslås det at Norge fra 2014 kun deltar i EaSI-programmets EURES-akse, noe som det er anledning til – og ikke Full deltakelse i EaSI-programmet vil binde opp budsjettmidler over flere år, og vil kreve en egen bevilgningsproposisjon til Stortinget. Arbeiderpartiet har i komiteen fremmet forslag om at Stortinget skal gi sitt samtykke i en beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES- og PROGRESS-aksene i forordningen. Senterpartiet har i komiteen redegjort for at man ønsker å gå imot framlegget fra regjeringen om å slutte seg til deler av og at man heller ikke støtter forslaget om full tilslutning til EaSI-programmet. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke medlemmene i komiteen for godt og effektivt samarbeid i en sak som både omhandler Norge og Europa, og der det er kjent at partiene har ulike standpunkter på flere områder. Først vil eg takke saksordføraren for eit grundig arbeid. For Noreg er

at Noreg skal vere med i arbeidet med å skape eit solidarisk, inkluderande og trygt Europa. Eg meiner EaSI-programmet bidreg positivt til det. Programmet er eit omfattande EU-program med tre aksar som saman bidreg til å fremje høg sysselsetjing, sikre anstendige sosial beskyttelse, motverke sosial utstøyting og fattigdom og forbetre arbeidsvilkår. Fram til utgangen av 2013 tok Noreg del i to av desse aksane, PROGRESS og EURES. Det europeiske samarbeidet vart prioritert av Stoltenberg-regjeringa. Under PROGRESS-programmet hadde Noreg mellom anna nasjonale ekspertar i Bakgrunnen for å slå saman det som tidlegare var tre sjølvstendige program, og opprette eit einskapleg program var eit ønskje om å halde fram med å vidareutvikle alle programområda, særlig EURES og PROGRESS som heng logisk i hop som ein heilskap. Eg meiner det er bra at regjeringa held fram med si tilslutning til EURES-aksen, slik at ho også framover kan bidra til å fremje geografisk mobilitet og auke moglegheitene for sysselsetjing ved å utvikle ein open arbeidsmarknad. men om PROGRESS-aksen i programmet. Her er det overordna målet å modernisere arbeids- og sosialpolitikken. Hovuddelen av PROGRESS meiner eg treffer midt inn i det vi jobbar med i norsk arbeids- og sosialpolitikk, nemleg å fremje sysselsetjing – særleg kjempe mot ungdomsarbeidsløyse – å fremje sosial sikring og inkludering, å kjempe mot fattigdom og å forbetre vilkåra og forholda i arbeidslivet. Så gjennom å delta i PROGRESS støttar vi utviklinga av hensiktsmessige sosiale sikringsordningar og arbeidsmarknadspolitikk ved å fremje god styring, gjensidig læring og sosial innovasjon. Når regjeringa berre gjev delvis tilslutning til det nye EaSI-programmet, er det derfor ei nedprioritering av det europeiske samarbeidet på arbeids- og Arbeidarpartiet stiller seg kritisk til ei sånn prioritering, særleg fordi grunngjevinga er budsjettmessige forhold. Å gjere sitt til auka sysselsetjing og sosial solidaritet i Europa bør vere ein prioritet for Noreg. I tillegg vil deltaking i ein større del av EaSI gje Noreg tilgang på fleire virkemiddel, tiltak og program som kan gjere sitt til å få fleire personar med nedsett arbeidsevne og ungdom inn på den norske arbeidsmarknaden.

Hadde ikke EU eksistert, hadde vi sannsynligvis fått på plass en lignende avtale med våre viktigste handelspartnere. Jeg er representant for et parti som har tradisjon for å se på hva som er best for norske interesser. Det som hjelper norske arbeidstakere, norske arbeidsgivere og norsk økonomi, er etter mitt skjønn noe vi må gå inn for. Jeg er også liberalist, og derfor er jeg glad for at et bredt flertall på Stortinget – det er faktisk kun Senterpartiet som står utenfor slår fast at vi trenger økonomisk vekst og et høyt sysselsettingsnivå for å sikre en anstendig sosial beskyttelse, bekjempelse av sosial utstøting og fattigdom. Det bidrar bl.a. denne avtalen til. Veien til et bedre liv for et bredere lag av befolkningen går gjennom en fornuftig økonomisk politikk, akkurat som regjeringen har slått fast i sin politiske plattform med sine satsingsområder. Slik jeg ser det, er EURES-aksen et hensiktsmessig middel for å gjøre det europeiske og dermed det norske arbeidsmarkedet litt mer effektivt. Vi er alle tjent med at det blir lettere for arbeidssøkere å finne riktig jobb. Vi er alle tjent med at det blir lettere for arbeidsgivere å finne kvalifisert arbeidskraft. Og vi er alle tjent med at det koster minst mulig at arbeidsmarkedet fungerer slik. Jeg vil samtidig takke arbeidsministeren for at han ikke haster inn i deler av EURES-aksen som ikke nødvendigvis tjener norske interesser. Vi er tjent med å la EaSI-programmet få noe mer tid på seg før vi eventuelt slutter oss til det. Vi vedtar i dag en av de fornuftige og gode sider ved EØS-avtalen. Så får vi heller en annen gang eventuelt være uenige om andre sider ved Norges forhold til både EU og EØS.
Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen,

honnørorda som ble nevnt her. Det er mange fine ord, men ingen kan jo i dag unngå å se hva som er realitetene i det geografiske området som vi her snakker om. Senterpartiet er motstander av dagens avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, som bygger på fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester innenfor dette området, og dermed suverenitetsavståelsen. Senterpartiets representanter stemte i 1992 mot at Norge skulle inngå EØS-avtalen, og når vi nå erfarer konsekvensene på nær sagt alle samfunnsområder – ikke minst når det gjelder arbeidslivsområdet – erkjenner stadig flere også her i Norge at det var et klokt standpunkt å stemme mot EØS-avtalen i 1992. Den beste måten å øke sysselsettinga på i flere europeiske land som i dag har svært høy arbeidsledighet, vil være at disse landene bryter ut av den tvangstrøya som den felleseuropeiske valutaen representerer. Den høye arbeidsløsheten og det høye antall folkeflyttinger mellom ulike europeiske land, kombinert med nasjonale kjennetegn, medførte nylig at de EU-kritiske partiene ble valgvinnere ved årets valg til EU-parlamentet. Senterpartiet er trygg på at tida er kommet for mer grunnleggende kritikk av systemfeilene i Den europeiske union. Senterpartiet viser til at Norge gjennom EØS-midlene bidrar til sosial utjamning i flere østeuropeiske land, og det vil være naivt å tro at norsk tilslutning til EURES vil fremme et høyere sysselsettingsnivå samlet sett i Europa. Til det er det påkrevd Jeg vil òg vise til at Norge siden 2004 har hatt særlig stor tilstrømming av arbeidskraft fra land tilsluttet Den europeiske union. Det kan derfor ikke sies å ha vært noe problem for Norge som helhet å få tak i den arbeidskraften som trengs fra disse landene. Heller er det omfanget av den store tilstrømming av arbeidskraft som må sies å ha blitt et problem for vår nasjon, da norsk arbeidsliv endrer seg mye ved at ulike yrkesgruppers lønns- og arbeidsvilkår blir satt under svært stort press. Senterpartiet mener at Norge skal forsterke arbeidet med å motvirke press på lønns- og arbeidsvilkår innen en rekke yrker kjennetegnet ved høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft. Norge må holde fram med å yte økonomisk støtte målrettet for å motvirke sosial utstøting og fattigdom i andre europeiske land. europeiske land. Senterpartiet mener at det viktigste vi som sjølstendig nasjon kan gjøre, er å vise andre europeiske land at det er mulig å beholde den norske modellen med høy sysselsettingsgrad, for både menn og kvinner, og et godt trygghetsnett gjennom romslige, universelle velferdsordninger for våre egne innbyggere, sjøl i de økonomisk krevende tidene. Det fordrer at Norge arbeider enda mer med hva vår nasjon kan gjøre av tiltak for å øke sysselsettingsgraden i de siste åra dessverre har vært fallende, noe som dermed svekker vår modell. En forutsetning for en slik modell er at vi har vår egen penge- og finanspolitikk. Senterpartiet mener at EURES kan være et fint og høvelig program for flere land tilsluttet Den europeiske union, men finner det ikke riktig at Norge prioriterer av våre midler for å delta i dette programmet. Senterpartiet vil òg vise til at det er frivillig for og Senterpartiet går derfor imot framlegget fra regjeringa om å slutte seg til deler av EURES-aksen i EaSI-programmet. Senterpartiet vil heller ikke støtte forslaget om full tilslutning til EaSI-programmet senere. Derfor stemmer vi mot forslaget til vedtak. Mye er sagt allerede i debatten, men la meg bare få lov til å understreke to–tre viktige ting. For det første ønsker regjeringen at Norge skal være en bidragsyter til

Det mener vi at vi gjør ved at vi nå viderefører EURES-aksen. Det er viktig, som flere representanter har påpekt, det er mye lærdom man kan dra nytte av. Så synes jeg også at det er viktig, før man går inn, å finne ut om man skal inn i flere deler av programmet. Det er fortsatt sånn at det er mulig å gå inn i programmet på et senere tidspunkt. Det er noe som jeg vurderer nøye, men jeg synes også det er viktig å vurdere det opp mot kost–nytte. Hvilke prosjekter og nøye, men jeg synes også det er viktig å vurdere det opp mot kost–nytte. Hvilke prosjekter og programmer skal vi delta i, og hvilken nytte har vi av det? Da kan vi bruke litt tid på å gå grundig gjennom det. Det tror jeg kan være nødvendig. Det betyr ikke at man nedprioriterer europaarbeidet, det betyr at man har en bevisst holdning til europaarbeidet for å lykkes på en god måte. Så har jeg sett at mikrofinans er noe som ikke har blitt berørt i veldig stor grad. Det er også en mulighet å bli med inn på det på et senere tidspunkt, om det skulle være ønskelig. Jeg registrerer at det bare er 15 av EU-landene som er medlem av det programmet – ingen av de nordiske. Island vurderer å gå inn. Vi får får komme tilbake på et gitt tidspunkt og vurdere om vi skal bli med på det og andre deler av programmet. Men nå er det sånn at det vi har lagt frem, er det som budsjettet har tatt utgangspunkt i. Jeg registrerer og har forståelse for, med den historikken Arbeiderpartiet har, at man fremmer det forslaget man gjør i denne saken. Men det løses ikke med dette forslaget, såfremt det ikke er fremmet noe forslag om inndekning og budsjettbevilgning.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

som vi behandlet i Stortinget på tirsdag. Det har gjort behandlingen noe mer krevende enn om det skulle være en ren bompengeproposisjon, siden det også reiser noen prinsipielle spørsmål. Komiteen har behandlet Prop. 119 S i sin helhet, inklusiv overgangsordningen, men er samtidig klar på at det må legges fram en sak om rentekompensasjonsordningen for Stortinget. Så til innholdet i Veipakke Harstad. Arbeidet med utforming av et nytt transportsystem i Harstad ble iverksatt på grunn av de trafikale utfordringene på innfartsveien rv. 83. Det største delprosjektet er byggingen av en 1 450 meter lang tunnel utenom sentrum for å avlaste sentrumsgatene og kommende gater i øvre bydel. I tillegg skal det gjennomføres forskjellige forbedringstiltak langs rv. 83, tilrettelegging for mer effektiv og og sikker kollektivtransport, tryggere skolevei, etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel ved endeholdeplassene, og ca. 30 km med nye fortau og gang- og sykkelveier. Pakken har et samlet kostnadsoverslag på 1,55 mrd. kr, hvorav 926 mill. kr er bompenger og det øvrige er statlige, kommunale og fylkeskommunale midler. Sammenlignet med de lokalpolitiske vedtakene er den statlige andelen økt med 370 mill. kr inklusiv merverdiavgift. Regjeringa har lagt fram et forslag til bompengeinnkreving som baserer seg på åtte bomstasjoner med toveis innkreving i tråd med de lokalpolitiske vedtakene. Samtidig ber departementet om å få en fullmakt til å vurdere om det er mer hensiktsmessig å legge opp til enveisinnkreving, og dermed redusere kostnadene ved innkrevingen. I tillegg ønsker departementet en fullmakt til å redusere bomtakstene basert på en lavere beregningsteknisk rente i henhold til den overgangsordningen som er beskrevet i proposisjonen.

kunne beregnes takster basert på en tiårs statsobligasjonsrente. Overgangsordningen vil gjelde nye prosjekter, der innkrevingen ikke er igangsatt innen 20. juni 2014. Det finnes 13 slike prosjekter som er aktuelle for overgangsordningen. Jeg regner med at flere allerede har merket seg

Det gir større handlingsrom og mer fleksibilitet for lokale myndigheter, som i dag garanterer for bompengelånene, til å sette lavere takster. Lokalpolitiske hensyn blir dermed bedre ivaretatt i en slik ordning. Jeg ser fram til det videre arbeidet med en bompengereform og en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Og så er jeg veldig glad for at vi i dag får vedtatt Veipakke Harstad, slik at arbeidet med prosjektet kan starte uten
Neste taler er

der vi i Arbeiderpartiet opplevde at både Høyre, Fremskrittspartiet og til og med statsråden tillegger Arbeiderpartiet standpunkter og meninger vi ikke har, og heller ikke belegger dem, vil jeg derfor innledningsvis understreke: Arbeiderpartiet er åpen for og ønsker velkommen nye og smartere modeller for å bygge vei. Arbeiderpartiet er også opptatt av at fellesskapet får mest mulig vei for pengene. Når det gjelder bompenger, ikke fordi vi ønsker å plage folk, men fordi det er et spleiselag mellom dem som bruker veien, og myndighetene som gjør at vi kan få bygget ut flere veier raskere. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet også har anerkjent nødvendigheten av bompenger etter at de har gått inn i regjering. Så skal jeg fokusere på selve saken, og da vil jeg fokusere på den såkalte overgangsordningen for rentekompensasjon for bompengelån. For det første er vi veldig glade for at Harstadpakken endelig er kommet til Stortinget, og vi har derfor vært innstilt på hastebehandling av denne. Men for det andre er vi skuffet over at regjeringen, når komiteen har sagt at den er innstilt på en hastebehandling av Harstad-pakken, også legger inn en prinsipiell sak om oppheving av den beregningstekniske renten på 6,5 pst. for bompengelån. Jeg håper at samferdselsministeren i ettertid ser at saken om den beregningstekniske renten og opphevingen av den handler om generelle Den burde ha vært behandlet som en egen sak, og ikke som en del av Harstad-pakken. Jeg vil gjerne at samferdselsministeren gir oss et svar på hvordan han ønsker å forholde seg til Stortinget og komiteen når det gjelder saksprosedyrer for framtiden. Uansett: Arbeiderpartiet ønsker ikke å utsette behandlingen av Harstad-pakken, selv om noen av prinsippene vi i dag sier delvis ja til, burde vært mye nøyere behandlet og hatt Arbeiderpartiet er positiv til å drøfte og se på fornuftige endringer og justeringer av den beregningstekniske renten for bompengelån og bompengetakster. Setter man ned renten, er fordelen at det vil komme bilistene til gode, med lavere takst per passering. Bakdelen for bilistene er at innkrevingsperioden for bompenger i det spesifikke prosjektet vil øke. Den beregningstekniske renten er per i dag på 6,5 pst. Det er per i dag på 6,5 pst. Det kan som sagt være fornuftig å endre den, slik at det er mer samsvar mellom den beregningstekniske renten og den faktiske renten i bompengeprosjektet. Men det er viktig her at en ny beregningsteknisk rente settes realistisk og langsiktig, slik at man har en buffer når det gjelder renteendringer i et langsiktig perspektiv. Arbeiderpartiet er også opptatt av mulighetene til i stedet å kunne få en raskere nedbetalingstid, dvs. mindre finanskostnader, for veiprosjekter som i dag er bompengefinansiert. Dette er jo den faktiske realiteten per i dag, hvis den beregningstekniske renten er satt for høyt. Selv om Arbeiderpartiet er positiv til å drøfte og se på fornuftige endringer og justeringer av den beregningstekniske renten for bompengelån, betyr ikke det at Arbeiderpartiet nå har sluttet seg til regjeringens kommende forslag til en rentekompensasjonsordning. Per nå oppfatter vi den varslede ordningen som at som at staten skal kompensere og gi tilskudd til bompengeselskapene, fordi de har for høye faktiske renteutgifter. Hvis dette er riktig, blir det da en annen og mer byråkratisk metode for å tilføre mer statlig kapital til veiprosjektene. Men hvis regjeringens varslede rentekompensasjonsordning egentlig handler om å justere den beregningstekniske renten for bompengelån, er vi mer positive. Derfor vil Arbeiderpartiet avvente og ta stilling til en slik rentekompensasjonsordning når regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et mer konkret forslag. Jeg vil også i denne sammenhengen vise til de skriftlige spørsmålene vi har stilt i forbindelse med behandlingen av denne saken, som er vedlagt innstillingen. Jeg vil be om at statsråden og departementet fullfører svarene på spørsmål 8 og 13, slik at Stortinget kan bli bedre i stand til å vurdere ulike sider ved, og risikoen ved, å oppheve den beregningstekniske renten for bompengelån. Vi ser fram til svarene, og jeg ser også fram til at vi får et ordentlig og konkret forslag til en skikkelig behandling i Stortinget. Dette er

statsråden klart å sørge for at staten øker sin andel med 378 mill. kr. Dette er i tråd med regjeringsplattformen, som sier at vi skal øke bevilgningene til samferdsel, samtidig som vi skal ha en lavere bompengeandel. Videre vil kostnadene med en lavere rente kunne reduseres med ytterligere 240 mill. kr, og innkrevingskostnadene vil bli redusert med minst I 40 år har vi sittet i opposisjon uten å få gjennomslag. Vi har tapt alle bompengesaker. Nå er vi i regjering, og takket være oss, vil bilistene i Harstad slippe å betale 678 mill. kr, som de ellers hadde måttet betale, om vi satt i opposisjon. Med Veipakke Harstad skal det legges til rette for bedre kapasitet på hovedveisystemet i sentrum av byen. Det viktigste prosjektet er bygging av en tunnel utenom sentrum for å avlaste sentrumsgatene og kommunale gater, noe som vil bidra til økt trafikksikkerhet i en periode hvor trafikkmengden er forventet å øke mye. Tunnelen vil også frigjøre areal, og det vil legge til rette for bedre vilkår for kollektivtransport, gående og syklende. Samtidig med Veipakke Harstad blir det også presentert en overgangsordning og endring av takst- og innkrevingsopplegg. er her snakk om at en kan legge andre rentetakster til grunn enn 6,5 pst., noe som vil få en stor betydning for beregning av takster i bomstasjoner i denne pakken, men også i 13 andre prosjekter. Samferdselsdepartementet ber Stortinget om fullmakt til å kunne gjøre disse endringene, og det vil vi selvfølgelig slutte opp om. Til slutt vil jeg minne om at regjeringen arbeider med en generell bompengereform, der målsettingen er at administrasjons- og finansieringskostnadene og kostnadene knyttet til drift og innkjøp skal reduseres. Dette er en reform som vil komme bilistene til gode, der mer av bompengene skal gå til bygging av vei og mindre til renter og administrasjon. Med en slik bompengereform vil sannsynligvis takstene i Harstad kunne
Neste taler er

Viktige trafikksikkerhetstiltak kommer på plass, ikke minst gjennom bygging av sammenhengende gang- og sykkelveier. Man får bedre framkommelighet for næringslivstransporten, og tunnelen fra Seljestad til Sama kommer på plass i det første delprosjektet som en skal starte opp med. Det er ikke tvil om at dette bidrar til et ytterligere løft i en by i Troms som er preget av optimisme og tro på en bykommune som har hatt en fin vekst de senere år, og som nå kan legge til rette for den videre utviklingen på en offensiv måte. Men denne saken inneholder også, slik som den er lagt fram for Stortinget, en forskuttering av en rentekompensasjonsordning. Det legges opp til å ta i bruk en overgangsordning inntil rentekompensasjon for bompengelån er etablert. Dette er en overgangsordning som ikke bare skal gjelde Harstadpakken, men være gjeldende for flere bompengeprosjekter, som er listet opp i proposisjonen. Etter vårt syn er det uheldig at en skal behandle et prinsipp som skal gjelde mange bompengeprosjekter, som en del av saken om Harstadpakken. Det burde vært slik at saken om rentekompensasjon, sammen med eventuelle overgangsordninger, blir tatt opp som en egen sak, uavhengig Dette handler om prinsipper som skal legges til grunn for alle bompengeprosjekter i tiden framover, slik som vi oppfatter regjeringen. Så ønsker jeg også å si at vi fra vår side ønsker å møte saken om rentekompensasjon med et åpent sinn, men det er viktige problemstillinger knyttet til innretningen av en slik ordning som må drøftes og vurderes nøye, fordi vi vet at bompengeordninger vedtatt lokalt, ofte er blitt til gjennom skjøre kompromisser, hvor mange motstridende hensyn er bakt inn i ordningen. Det blir derfor viktig at det ikke legges opp til ordninger sentralt som rokker ved den enigheten som er lagt til grunn lokalt, eller virker på den måten at de effektene en har ønsket å oppnå med skulle bli redusert, eller i verste fall tatt helt bort. Dette gjelder f.eks. i de tilfeller hvor en har vedtatt en differensiert bompengeavgift for å få færre biler inn i bysentrene i morgen- og ettermiddagsrushet for å få flere til å velge kollektivt. Dette har en gjort ved å øke takstene i rushtiden for å kunne ha en lavere takst resten av Da blir det viktig å innrette en rentekompensasjonsordning slik at en fortsatt kan ha en lokal styring som gjør at de tiltenkte effekter fortsatt kan oppnås. Dette er en av flere problemstillinger ved den foreslåtte ordningen vi ønsker å komme tilbake til når saken blir forelagt Stortinget. Fra Kristelig Folkepartis side hilser vi velkommen den effektivisering av bompengeinnkrevinger som proposisjonen omtaler. Undersøkelser viser at jo mindre bompengeselskapene er, jo større andel av bompengene går til administrasjon. Større enheter kan gjøre nytte av stordriftsfordelen, om dette organiseres på en god måte. Jeg tror derfor det er et godt grep å få færre bompengeselskaper, samtidig som det også her vil være viktig å drøfte hvordan dette kan gjøres på en god måte for de selskapene som allerede er etablert. Her vil det være behov for å legge ut noen gulrøtter, som jeg også har oppfattet at departementet har til hensikt å gjøre. Innføring av obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøy er et tiltak som allerede er påvist gir stor innsparingseffekt. Stortinget har vedtatt den for tunge kjøretøy. Det er viktige effektiviseringsgrunner til også å la dette gjelde resten av kjøretøyene på norske veier. Gjennom å tilrettelegge for en ordning som kan gjelde for både vei og ferjer, vil en ta et stort skritt i retning av forenkling og sparte administrative kostnader. Jeg viser ellers til

som vil få bedre løsninger når dette er på plass. Det er veldig bra. Jeg er veldig glad for at den kommer. Jeg vet at både Harstad og Troms fylkeskommune har etterspurt den og lengselsfullt ventet på at den kommer til behandling, så det er bra. Så til det som går på overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån. I likhet med flere som har vært på talerstolen, synes jeg det er veldig uheldig at man legger opp til behandling av et prinsipielt spørsmål utfordringer med å sette seg inn i saken, det har ikke vært lett, og jeg skjønner at tidspresset for alle parter er slik at det ikke er enkelt å gi svar på alt vi lurer på på såpass kort tid. Men jeg ber om at statsråden senere ikke legger opp til en slik type behandling av prinsipielle spørsmål, for jeg tror at det er fornuftig at hele Stortinget får muligheten til å gå i dybden når man gjør prinsipielle endringer, og kommer med ulike typer saker av den karakter. Jeg ser fram til at vi skal diskutere prinsipielle spørsmål, jeg ønsker det, jeg ønsker å se det i en helhet. Derfor er det desto viktigere at man legger opp til at behandlingen for ettertiden blir slik at vi har mulighet til både å stille spørsmål, ha høringer og ha mulighet til å fordype oss skikkelig i det. Allikevel velger Senterpartiet å å være med på den behandlingen som det er gjort rede for. Vi mener det totalt sett er positivt for Harstad at de får løst det nå. Derfor ønsker vi ikke å bidra til å utsette saken. Vi har i merknadene klart formulert at vi ikke med det slutter oss til den ordningen. Vi ber om at det kommer en sak til Stortinget der man får se på de prinsipielle spørsmålene og helheten i bompengesektoren og i rentekompensasjonsordningen, og så skal vi ta stilling til og så skal vi ta stilling til det når vi får en skikkelig runde på det da. Til slutt: Det ligger også merknader der vi sier at vi er positive til effektivisering og forbedring av bompengesektoren, og det startet vi grep for allerede i Nasjonal transportplan med hensyn til å foreslå færre bompengeselskaper og samordne takst- og rabattsystem for å gi reduserte administrasjonskostnader og mer effektiv drift. Vi ser også fram til at vi skal få bompengebrikke for tyngre kjøretøy – også sett i lys av at det vil være med på å effektivisere bompengeinnkrevingen. I tillegg har det to andre positive elementer ved seg – at vi får mer kontroll med utenlandske kjøretøy, og at vi sikrer likeverdige rammevilkår for den næringen som vi snakker om.

trafikale problemer. Det er jo alltid slik at når vi snakker med våre lokale lag, der det nå vil legges fram proposisjoner – hadde jeg nær sagt – for veiprosjekter, jernbaneprosjekter og andre ting som lokale folk har jobbet for i en tid, er det alltid glede å spore når det endelige vedtaket i Stortinget kommer. Derfor synes jeg det er bra at vi nå får på plass den finansieringen som det er lagt opp til Så vil jeg samtidig si at når det gjelder rentekompensasjonsordningen, er jeg helt enig i det mange tidligere talere har sagt, at det er dumt å få den på denne måten her, der vi får på plass en overgangsordning for rentekompensasjonsordningen. Vi sier noe om hvordan den skal være, og så plukkes det ut en rekke prosjekter som for framtiden skal være med. Det synes jeg er en uryddig måte å gjøre det på. Vi vil derfor stemme nei til de to forslagene som ligger som punkt 2 og punkt 3 i innstillingen, og ber om at det gis mulighet til å stemme separat i de forskjellige punktene, slik at vi kan si ja til Harstadpakken, men nei til de to fullmaktene som Samferdselsdepartementet ber om for dette. Så vil jeg stille noen spørsmål og bare problematisere Jeg håper at samferdselsministeren har mulighet til å svare, han har jo tidligere denne uken sagt at når man spør, skal man få svar. Men det er ikke alltid man får svar, så jeg oppfordrer ham til å svare på dette. Jeg lurer litt på hvordan dette vil komme til å fungere i praksis, og hvordan samferdselsministeren tenker det vil fungere i praksis. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til en rentekompensasjonsordning som i realiteten, slik som det ser ut for meg, vil føre til lavere takster i utgangspunktet. Man får mindre bompenger, men det å redusere bompengesatsene er i utgangspunktet bare «å tisse i buksen for å holde seg varm» – et uttrykk jeg brukte for to dager siden med hell – for det en gjør, er at en reduserer bompengeinnkrevingen, men i virkelighetens verden skyver en bare bompengebetalingen lenger ut i tid. En får med andre ord spredd dette over lengre tid. Hvorfor man skal gjøre det, er jeg usikker på, med mindre det finnes statlige penger der. Og prioriterer man statlige penger inn, vil jeg si at det å prioritere statlige penger inn til en rentekompensasjonsordning er feil, fordi det å prioritere mer penger til vei ikke er det vi trenger. vi allerede har inngått en avtale, vil det å prioritere mer penger inn til vei gå på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver, enten det nå er sykkelvei, jernbanesatsing – her vil ministeren si at dette bruker vi allerede mer penger på – eller andre viktige samfunnsoppgaver, som skole, Denne våren har vi bl.a. diskutert barnehager og betydningen av regjeringens grep for ikke å dekke opp de økte kostnadene til kommunene for barnehager. Den andre siden av dette er at rentekompensasjonsordning har vært et målrettet grep for å bidra til mer vedlikehold – og det har jeg ment har vært riktig overfor kommunene, på skole, på vei og andre steder. Men jeg vil jeg si at en målrettet rentekompensasjonsordning som innebærer mer penger penger til nye veier, ikke på noen som helst måte er et målrettet incentiv til å gjøre mer av noe vi mener at kommunene og fylkene gjør for lite av i dag. Derfor mener jeg det er galt med en slik type ordning. Det siste spørsmålet som jeg vil stille til samferdselsministeren om akkurat dette, går på konsekvensene dette vil ha for statlige bevilgninger. Hvilke konsekvenser har det hvis du reduserer bompengeinnbetaling, altså reduserer rentesatsen som er satt, for de statlige årlige bevilgningene i en utbyggingsfase til prosjekter som vil komme inn under den rentekompensasjonsordningen? Med det har jeg redegjort for hva vi kommer til å gjøre, og jeg ser fram til svar

Det legger til rette for tilstrekkelig kapasitet på hovedveisystemet i sentrum av byen, og det